Da er

For Rogaland fylke: Marit Amundsen og Arne Bergsvåg For Sør-Trøndelag fylke: Siv Aida Rui Skattem For Østfold fylke: Kari Agerup, Tage Pettersen og John Thune Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjon for representanten Karin S. Woldseth endres til sykepermisjon fra og med 4. oktober og inntil videre. – Denne meddelelse tas til etterretning. Vararepresentanten, Torkil Åmland, foreslås fortsatt å møte i – Det anses vedtatt. Fra representanten Dagfinn Høybråten foreligger søknad om permisjon i dagene 4. og 5. oktober for som styreleder i GAVI vaksinefond å delta på konferanse i Barcelona. Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Vararepresentanten, Kjell Arvid Svendsen, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt. Kjell Arvid Svendsen er til stede og vil ta sete.

som statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete forlenges fra 3. oktober 2011 og ut den tid statssekretær Hege Solbakken har fødselspermisjon. Statssekretær Tone Toften gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for Anne-Grete Strøm-Erichsen. Statssekretær Lotte Grepp Knutsen gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt med virkning fra 27. desember 2011. Statssekretær Mina Gerhardsen gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer. Statssekretær Tone Toften utnevnes til statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud. Statssekretær Lotte Grepp Knutsen utnevnes til statssekretær for statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen med tiltredelse 27. desember 2011.

Arbeiderpartiet 18 innlegg, Fremskrittspartiet 12 innlegg, Høyre 9 innlegg, Sosialistisk Venstreparti 3 innlegg, Senterpartiet 3 innlegg, Kristelig Folkeparti 3 innlegg og Venstre 1 innlegg. Dersom regjeringspartiene ønsker å slå sammen to 5-minuttersinnlegg for å gi parlamentariske ledere hovedinnlegg på 10 minutter, er det adgang til det. Det samme er det åpnet for når det gjelder et av statsrådsinnleggene, ved at justisministeren i tillegg kan bruke et av Arbeiderpartiets innlegg på 5 minutter. Etter justisministerens innlegg åpnes det for inntil seks replikker. Etter justisministerens innlegg åpnes det for inntil seks replikker. Etter inntil ett av 5-minuttersinnleggene fra hver gruppe gis det adgang til en replikkrunde på inntil seks replikker. Til slutt blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover de fordelte innlegg, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. 22. juli satte Norge på en svært hard prøve. Få land er vedtatt. 22. juli satte Norge på en svært hard prøve. Få land er i fredstid blitt utsatt for mer grusomme terrorhandlinger. I kan vi slå fast at det norske demokratiet besto prøven. Det norske folk svarte umiddelbart og unisont. Massiv ondskap ble møtt med overveldende omsorg. Folkeviljen slo ring om fellesskapet, åpenheten og toleransen. Siden er livet gradvis normalisert. Hverdagen har vendt tilbake, ikke den samme hverdagen som før 22. juli. Norge blir aldri helt som før. Hver og én av oss er merket. Vi bærer arr etter den svarte fredagen: De som mistet en av sine kjære, alle som ble såret, redningsmannskapene – alle vi andre. Ingen har gått upåvirket videre. 22. juli blir en ballast som preger oss: hva vi sier, hva vi gjør – holdningene våre. Derfor vil Norge for alltid preges av angrepet. 22. juli har allerede lagt seg som en tung årring til nasjonens vekst. Flere årringer kommer etter hvert som vi trekker nye lærdommer. La meg gi to eksempler. Angrepene var politisk motivert og rettet mot Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse AUF og regjeringskvartalet. Men det norske folk oppfattet det raskt som et angrep mot grunnleggende norske verdier og det brede norske fellesskapet. Det er en erfaring som ikke lar seg viske ut. For det andre: Samholdet etter 22. juli vakte oppsikt i utlandet og vil for lang tid prege bildet av oss ute. Dette er to eksempler på at Norge ikke blir som før. Eksemplene illustrerer også at det har grodd noe verdifullt ut av måten vi møtte terroren på. Det skal inspirere oss i fortsettelsen. I smått og stort skal vi styrke demokratiet, bevare åpenheten og skape trygghet. Vi må videre, men aldri glemme. I dag vil jeg takke Stortinget. De politiske lederne viste evne og vilje til å stå samlet da nasjonen trengte enhet. Det kom også til syne da 22. juli-kommisjonen ble oppnevnt. Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i nær kontakt med Stortinget og i tråd med det et samlet politisk Norge varslet bare fem dager etter ugjerningen. La meg nok en gang understreke at vi ikke venter med å gjøre nødvendige forbedringer til Vi har fra dag én varslet at det som bør forbedres tidligere, vil bli forbedret tidligere. Det har vi fulgt opp, og det vil vi følge opp. Blant annet har vi styrket Oslo-politiet og helikopterberedskapen, og politiets beredskapstropp vil få økte bevilgninger i budsjettet som legges fram for Stortinget på torsdag. I budsjettet, som vi legger fram på torsdag, vil vi også styrke Politiets sikkerhetstjeneste, PST. Justisministeren vil si mer om dette og andre tiltak senere i debatten. Siden 22. juli har ulike medier jobbet systematisk med å etterprøve beredskapen i forkant av terroranslaget, måten myndighetene håndterte de første kritiske timene på, og vår evne til å trekke lærdom i ettertid. Det er jeg glad for. Det er en del av et åpent demokrati at mediene avdekker kritikkverdige forhold. En annen del av demokratiet er at ansvarlige politikere ikke trekker vidtrekkende og bastante konklusjoner før alle fakta er på bordet, før vi ser hele sammenhengen. Begge deler er like viktig. Men balansen kan være krevende. Å avstå fra å kommentere kan oppfattes som ansvarsfraskrivelse. La meg derfor slå fast med bred penn: Ansvaret er mitt – for politiet, helikoptrene, sykehusene og Forsvaret. Jeg tar ansvaret – for det som fungerte, og for Jeg er ydmyk for at ikke alt fungerte så godt som det burde i de kritiske timene den 22. juli. Derfor skal vi lære, og vi skal forandre for å øke tryggheten. Jeg skjønner at mange er utålmodige, men igjen: Jeg advarer mot å trekke de endelige konklusjoner før Da skal vi til gjengjeld handle resolutt, slik vi allerede har gjort med helikopterberedskapen og politiet. Vi skal lære av 22. juli. Vi skal bruke lærdommen til å styrke vår evne til å møte framtidige kriser. Jeg er glad for at 22. juli debatteres Det er et uttrykk for at det norske folk har levd opp til løftet om at svaret på vold er mer demokrati og mer åpenhet. Det gjelder å ha sansene åpne for alle tegn til ekstremisme – å møte hatefulle ytringer med argumenter. Slik kan vi alle bidra til å fange opp dem som står i fare for å krysse grensen fra ytterliggående meninger til ekstreme handlinger. Jo flere som har øyne og ører åpne, jo større er sjansen for at samfunnet på et tidlig stadium kan gripe inn. Etter 22. juli har det med ulike innfallsvinkler blitt stilt spørsmål ved om Forsvaret i større grad og raskere kunne støttet politiet. Det er en viktig debatt, fordi terroren som fenomen utfordrer vår klare oppfatning av hva politiet skal gjøre, og hva Forsvarets oppgave er. De fleste terrorangrep vil være grove kriminelle handlinger, og derfor politiets oppgave å håndtere. Alle Forsvarets ressurser kan på anmodning stilles til rådighet for politiet. Litt forenklet baserer vi vår oppgavefordeling på at politiet skal forebygge kriminalitet, mens Forsvaret skal forebygge krig. Det er det ingen grunn til å rokke ved. Grensen er prinsipielt viktig og operativt riktig. Vi må samtidig forholde oss til at terroren utfordrer en slik logikk. Terror er i sin gjerning en kriminell handling mot men terror er også en form for krig. Alle som så regjeringskvartalet etter 22. juli, fikk med rette assosiasjoner til en krigsskueplass, og massakren på Utøya forårsaket død og skader vi bare forbinder med krigshandlinger. Dette er slik vi kjenner terrorens ansikt også fra andre deler av verden. Hvordan, og i hvor stor grad, kan vi ta i bruk Forsvarets materiell, kompetanse og personell i bekjempelsen av terror uten å krysse grenser vi ikke ønsker å krysse? Forsvarets bidrag til sivil beredskap skal ikke være styrende for utviklingen av Forsvarets struktur og kapasitet. Men det er viktig at Forsvarets ressurser innrettes og organiseres for også å gi best mulig bistand når en ny krise oppstår. eksempel etablerer nå Forsvaret en beredskap med to av sine Bell helikoptre på Rygge flystasjon. Disse kan yte støtte til politiet over hele landet. Dette innebærer en vesentlig styrket beredskap. I tillegg vil vi klargjøre retningslinjene for politiets adgang til å bruke redningshelikoptrene. Målet er at politiet lettere skal kunne ta i bruk disse helikoptrene i akutte Vi har dessuten etablert en felles analyseenhet mellom Politiets sikkerhetstjeneste og Forsvarets etterretningstjeneste. Dette samarbeidet mellom E-tjenesten og PST vil vi forsterke. Det er også viktig å se politiets og Forsvarets kapasitet utenfor hovedstadsområdet i sammenheng. Regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet og langtidsplan for Forsvaret våren 2012. Jeg varsler i dag at Forsvarets bistand til det sivile samfunnet i akutte krisesituasjoner vil bli et viktig tema i disse planene. Tre år etter at er internasjonal økonomi igjen i urolig farvann. Situasjonen er meget alvorlig. I 2008 handlet det om å redde bankene. Nå handler det om å redde land. I 2008 stoppet finansmarkedene nærmest å fungere. En hel verden ble rammet. I Norge klarte vi å dempe fallet fordi vi møtte krisen med massiv handling, med stabil ledelse og med massive tiltak. Høyrepartiene sa først at vi gjorde for mye. Så sa de at vi gjorde for lite for sent. Men tiltakene kom i rett tid, og de var riktig dosert. Problemet nå er at mange land er fanget i en farlig økonomisk felle. De har høy arbeidsløshet, og samtidig har de lav økonomisk vekst. Da burde de ha brukt mer penger. Men det kan de ikke fordi de har for stor gjeld. Veien ut av krisen kan ikke bare gå via offentlige innsparinger. Banker og andre private må ta sin del av ansvaret. De har ansvar for å vurdere risiko når de låner ut penger. Det kan ikke være slik at de private tar gevinstene når det går godt, og at fellesskapet dekker tapene når det går dårlig. Hva er så lærdommen og de politiske konsekvensene for Norge? Jeg vil si at det særlig er fire ting: For det første må vi holde orden i økonomien. Regjeringen vil aldri gamble med arbeidsplassene i industrien, i reiselivet, i marin sektor, fordi arbeid til alle er vår jobb nummer én. Derfor må vi holde igjen på pengebruken når økonomien, rentene og kronekursen krever det. For det andre skal vi være stolte av den norske modellen som har vist seg god – også gjennom kriser. Vi har høy yrkesdeltakelse, gode velferdsordninger, et bredt skattegrunnlag og et fornuftig skattenivå. Og vi har et godt samarbeid med partene i arbeidslivet. Det gjør at vi er bedre rustet til å håndtere vanskelige tider. For det tredje: Vi som ønsker sterke offentlige velferdsordninger, må være pådrivere for fornyelse og omstilling av offentlig sektor. Derfor fornyer og omstiller regjeringen offentlig sektor: pensjonsreformen, uføreformen, omlegging av kontantstøtten, Samhandlingsreformen. Dette er tunge og krevende omstillinger, men de er helt nødvendige for å bevare de trygge fellesløsningene. For det fjerde: Den internasjonale gjeldskrisen

rammer vår evne til å finansiere velferden. Slike kutt er uansvarlige og usosiale. Riktig bruk av offentlige penger gjør at vi kan bruke mer penger på områder vi vil styrke. Kunnskap og utdanning er et prioritert område. En god skole for alle er en bærebjelke i et godt samfunn. Det er gledelig at norske elever nå ligger over OECD-gjennomsnittet i lesing og kun bak Finland i Norden. I matematikk er det merkbar framgang, og i naturfag er Norge blant de landene som har hatt sterkest framgang siden 2006. Dette er resultater som inspirerer oss til å satse enda sterkere for å styrke lærerutdanningen, tilpasse undervisningen både for dem som sliter, og for dem som trenger større utfordringer, og for å pusse opp skolebygg og bygge nye. Vi skal ikke bare opprettholde velferden, vi skal forbedre den. Vi skal gjøre skolen bedre og bygge ut eldreomsorgen. Vi skal satse på forskning som bidrag til kunnskap og nye arbeidsplasser. Vi skal bygge veier og jernbane og mye mer. Dette skal vi følge opp i statsbudsjettet som kommer på torsdag.

og gir velgerne reelle valg – noe som er en klar fordel for et levende folkestyre. Jeg er derfor glad for at opposisjonen nå tar til orde for at de vil avklare hva som er deres regjeringsalternativ foran valget i 2013. Dagens regjeringspartier har i seks år vist at vi er Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet avklarte i god tid før valget i 2005 vår felles holdning i viktige spørsmål der det i utgangspunktet var uenighet mellom partiene: NATO, EØS, EU, skattenivå og oljepengebruk. Vi gjorde det av respekt for velgerne og fordi det var viktig for Norge. På samme måte håper jeg at opposisjonspartiene i god tid før valget i 2013 avklarer sin felles holdning i viktige spørsmål der de er uenige. Ingen forventer en fullstendig felles regjeringsplattform, men på en del områder der de er uenige om viktige veivalg for landet, er det viktig for velgerne og for landet å få avklart hva de sammen er i stand til å mene bruken av oljepenger, selve grunnmuren i den økonomiske politikken, om skattepolitikken, der det skiller titalls milliarder kroner mellom partiene, og om vi skal ta den store klimatrusselen på alvor. La oss ved innledningen til denne sesjonen ikke glemme verdens store utfordringer. Å bekjempe fattigdom er det første og det største av FNs tusenårsmål. Nylig fikk vi oppsiktsvekkende gode nyheter. Sist år døde 600 000 færre barn og 70 000 færre mødre. Sagt på en annen måte: 600 000 flere barn fikk selve livet i gave, og 70 000 flere kvinner fikk oppleve livets under, å kjenne varmen fra sitt nyfødte barn. Et sterkere uttrykk for at verden går framover finnes knapt. Jeg er glad for at Norge bidrar aktivt – ikke minst gjennom arbeidet med å vaksinere verdens barn – ved å støtte opp om Det internasjonale vaksinefondet, et fond som ledes av Dagfinn Høybråten på en solid og trygg måte. påkalte ansvarlighet og samlende politiske løsninger. 22. juli gjorde det i ekstra stor grad. Ny økonomisk uro må møtes med tilsvarende fasthet. Stortinget har tatt ansvar før. Jeg er trygg på at det vil skje igjen. Jeg ser fram til et konstruktivt samarbeid med Stortinget.

statsministerens definisjon av et ansvarlig skattenivå som er det eneste riktige. Men jeg skjønner behovet når han og hans allierte er opptatt av å fremstille ethvert forslag om skattelette som uansvarlig skattepolitikk. Da er mitt spørsmål til statsministeren, når han nå sier som han sier i dagens trontaledebatt: Mener han også at LO-lederen er uansvarlig? Da er mitt spørsmål til statsministeren, når han nå sier som han sier i dagens trontaledebatt: Mener han også at LO-lederen er uansvarlig? Jeg har nemlig registrert at LO-lederen i dag tar til orde for å gjøre noe med den særnorske formuesskatten av hensyn til konkurransekraften i landets bedrifter. Når Fremskrittspartiet har foreslått dette utallige ganger, har vi fått høre at det handler om å gi skattelette til de aller rikeste. Vi har fått høre en ganske enkel retorikk på dette spørsmålet. Mener statsministeren at Roar Flåthen er hvor viktig formuesskatten er for Norge? Det som er grunnleggende uansvarlig, er over tid å bruke mer penger enn man har. Veldig mange land i Europa har gjort det over mange år, og da går det galt. Er utgiftene høyere enn inntektene, kan man enten redusere utgiftene – det betyr betydelige kutt på viktige områder – eller øke inntektene. Mitt poeng er at mange land som har drevet med store skattelettelser, nå ser at de har for store underskudd og er tvunget til å øke skattene. Nå bruker de de økte skatteinntektene til å betale renter og avdrag på gjeld de opparbeidet seg i den perioden de hadde for lave skatter. Så at skatter har noe med gjeld å gjøre, står jeg ved. Det er altså uansvarlig å drive med store skattelettelser når man bruker pengene på andre ting. Når det så gjelder formuesskatten, er det faktisk slik at denne regjeringen har gjort en god del ting med formuesskatten. Vi har laget et vesentlig mer rettferdig formuesskattesystem. færre betaler formuesskatt nå enn under den forrige regjeringen. Vi er åpne for ytterligere rettferdige og gode omlegginger, men vi er imot å fjerne formuesskatten, og jeg tror ikke LO-lederen mener det. President. Til en åpenbar misforståelse. Det blir ikke gitt anledning til åpenbare misforståelser på dette stadiet i debatten. Da ville vi aldri bli ferdig. Neste replikant er representanten Per-Willy Amundsen.

lovgivning. Min utfordring til statsministeren er rett og slett om det – på tross av at det er en dissens i Strasbourg på dette vedtaket – er greit å etterkomme dette uten å foreta seg noe som helst videre. Dessuten er det jo litt spesielt, all den tid man er så stolt av returprogrammene sine, at det går an å befinne seg ulovlig i Norge i 15 år uten å bli returnert. Er det symptomatisk for den returpolitikken som føres av denne regjeringen? Jeg mener det er greit at vi lever i et rettssamfunn der også staten må følge lovene og respektere at man noen ganger blir dømt. Alt annet ville være veldig ugreit. Det som jo skjer ganske ofte, er at staten er i en rettssak med en annen person. person. Noen ganger vinner vi, og da er jeg glad for det, og noen ganger taper vi. Da er jeg selvfølgelig ikke så glad, men jeg respekterer jo dommen, for jeg mener at det er grunnleggende at også staten underordner seg lover og dommer i norske rettsinstanser og i internasjonale rettsinstanser. Vi tapte en sak i Strasbourg. Vi respekterer selvsagt den domsavgjørelsen. Om den skal få betydning for norsk lovverk – vel, det får vi komme tilbake til. Det er et helt annet spørsmål. Det avgjørende er at vi altså ikke har ikke har fått gjennomslag for vårt syn i en konkret sak. Når det gjelder retur, så har denne regjeringen lyktes svært godt. Antallet tvangsreturer har økt kraftig, og nå øker også antallet frivillige returer kraftig. Det betyr at vi i større grad kan ta oss av dem som faktisk skal få bli her, som trenger beskyttelse, og som trenger integrering. Neste replikant er Erna Solberg, som vil få anledning til to replikker. Jeg er enig med statsministeren i at utfordringen i Hellas er å få balanse mellom inntekter og utgifter, og at det

Den norske utfordringen for fremtiden er å gjøre de riktige tingene i dag som gjør at konkurransekraften vår består. Det er der LO-lederen åpenbart har fått noen aha-opplevelser, når han på sine reiser rundt omkring i landet har møtt de bedriftene som skaper jobbene i dette samfunnet. De bedriftene har vært klare og tydelige på én ting: Formuesskatten er i dag en Formuesskatten er i dag en konkurransesvekkelse for det norske samfunnet. Den bidrar til at det er vanskeligere å drive, og den svekker grunnlaget. Hvorfor vil ikke statsministeren lytte til LO-lederen? Jeg har hatt mange gode samtaler med LO-ledere opp gjennom tidene. Noen ganger lytter jeg, andre ganger lytter jeg ikke like godt, og det tror jeg er en fordel for alle. Når det er sagt, opplever jeg ikke at LO-lederen går inn for å fjerne formuesskatten. Han går inn for en diskusjon og en gjennomgang. Vel, vi har hatt en gjennomgang. Vi har gjennomført justeringer, og vi kan også gjennomføre justeringer i framtiden. Men vi går ikke inn for å fjerne en skatt på rundt 14 mrd. kr. For det første forsvinner da mange penger vi trenger til felleskassen, og for det andre vil det altså være slik at 60 pst. av de pengene vil gå til de 1 pst. rikeste menneskene i Norge, og det er verken særlig sosialt eller særlig ansvarlig. Når det så gjelder konkurransekraften, er det beste målet på om vi lykkes med konkurransekraften i norsk økonomi, om vi skaper nye arbeidsplasser. Det er skapt nesten 300 000 nye arbeidsplasser etter at denne regjeringen overtok – ti ganger så mange som under den forrige regjeringen. Nesten to tredjedeler av de nye arbeidsplassene er kommet i næringsvirksomhet, så vi skaper jo verdier. Vi skaper arbeidsplasser, ikke minst i privat sektor, og mange flere nå enn tidligere.

ja, da må jeg stille spørsmålet: Mener statsministeren at det er rimelig at en bedrift som hadde et driftsunderskudd på 4,8 mill. kr i fjor, likevel må ta ut 18 mill. kr for å betale utbytteskatt – for igjen å betale formuesskatten? Det er det systemet statsministeren forsvarer. Er det rimelig? LO-lederen mener åpenbart nei.

000 færre skattebetalere betaler formuesskatt nå enn da Høyre satt i regjering. Det gjelder ikke minst pensjonister og andre med små formuer. Det er mer rettferdig, det er mer sosialt, og det er ansvarlig. Nye endringer i tråd med det kan det godt tenkes at vi kommer til å gjøre, men å fjerne 14 mrd. kr i skatt som i hovedsak de rike betaler, er altså verken sosialt eller rimelig. Når det gjelder konkurransekraft, er det bare ett mål på konkurransekraft, og det er hvordan norsk økonomi utvikler seg. seg. Når vi har vesentlig sterkere vekst i privat sektor, i private bedrifter, nå enn vi hadde under den forrige regjeringen, er i hvert fall det en indikasjon på at vi lykkes også ganske bra med det. Eg vil fortsetje dialogen om LO-leiar Roar Flåthen har sett lyset eller ikkje. For har ikkje lese Høgres partiprogram eller Framstegspartiets partiprogram når han fremmar sitt forslag, men han har sett i Kristeleg Folkepartis partiprogram – og der finn ein mykje fornuftig! Han ønskjer nemleg å fjerne formuesskattlegginga på arbeidande kapital. Det er noko som nettopp ei sosialdemokratisk regjering i Sverige valde å gjere. Det er eit forslag som NHO støttar, som Fiskarlaget støttar,

landet! Da er det slik at vi gjerne skal ha dialog og drøftinger med mange, og vi lytter. Vi har altså gjennomført betydelige justeringer av formuesskatten. Det er litt underlig å høre mennesker som satt i regjering da 500 000 flere betalte formuesskatt, og ikke minst mange pensjonister betalte mye formuesskatt med lave formuer og lave inntekter. Det har vi gjort noe med, og jeg er opptatt av at vi godt kan gjøre andre ting, justere og lage mer rimelig og rettferdig formuesskatt. Men å kutte med mange milliarder kroner uten å finne inndekning mener jeg ikke er rimelig. Så skal vi fortsatt ha dialog med alle kloke mennesker i Norge. Jeg tror ikke at Roar Flåthens utgangspunkt er

og faktisk satse på noe som gjør at vi kan leve av noe også i framtida. Det handler ikke bare om arbeidsplassene som ble skapt i går, det handler om de arbeidsplassene som skal skapes om ti år, om 20 år. Mye av dette ligger i satsinga på forskning, mye av dette ligger i måten vi innretter samfunnet vårt på for å bygge disse arbeidsplassene, for å bygge de framtidige næringene vi skal leve av. Med det forrige statsbudsjettet la man fram det verste forskningsbudsjettet på Denne regjeringa begynte med et hvileskjær. Hvis vi skal klare å komme gjennom den økonomiske krisen som vi ser at verden nå er oppe i – og vi har en mulighet, og vi har faktisk et handlingsrom for å foreta grepene for framtida – nytter det ikke at statsministeren skryter av det som skjedde i fjor, da må han satse på det som er framtida. På torsdag skal jeg skryte av det som skjer neste år, for da legger vi fram statsbudsjettet for neste år, og da er det veldig mye – hva skal jeg si – å være stolt av, ikke bare satsing på enkeltområder, men også på vår evne til å få helheten til å gå opp, slik at vi kan ta ansvar for rente, for kronekurs, for dem med boliggjeld og for dem som er opptatt av arbeidsplasser i industrien. Vi skal investere, og vi investerer i framtiden. Det viktigste vi gjør for å investere i framtiden, er å investere i mennesker. Det gjør vi dels for å sikre at mennesker har jobb. Ingenting ødelegger så mye for framtiden som at mange mennesker går uten jobb og mister kompetanse og arbeidsevne. Vi investerer i kunnskap og skole, og vi investerer altså mer i forskning nå enn man har gjort tidligere, under tidligere regjeringer. Vi skal fortsette med å investere i framtiden, men da er kanskje nøkkelen å sikre at vi unngår de feilene mange andre land har gjort, nemlig å innrette økonomien slik at millioner går arbeidsløse. Den oppgaven er ikke en enkelt oppgave. Norge er ikke sikret mot at også vi kan bli rammet av økende ledighet, slik mange av våre naboland har blitt. Replikkordskiftet er omme. Angrepet mot Norge den

å være en del av det. Men nå er tiden kommet for å gå nærmere inn i de utfordringene som denne nasjonen har når det gjelder sårbarhet, sikkerhet og beredskap. Da 22. juli-kommisjonen ble nedsatt, advarte Fremskrittspartiet mot at kommisjonen ville bli en sovepute eller et verktøy for regjeringen til hele tiden å skyve de ubehagelige spørsmålene foran seg og ikke svare på dem. Dessverre har vi sett mange eksempler på det, både fra statsministeren og fra justisministeren. Det er mange spørsmål som krever gode svar, og mange av de svarene trenger vi overhodet ikke å vente på kommisjonens arbeid for å gi. Det er altså slik at utfordringene for norsk politi var vel kjent også før terrorhandlingene. Vi visste da at politiet hadde knappe ressurser, og vi visste at det var mange oppgaver de ikke så seg i stand til å løse. Allerede da var det jo slik at saker ble henlagt fordi politiet ikke hadde ressurser til å etterforske dem. Det ble oppfattet som svært ubehagelig for alle de tusenvis av mennesker ute i det norske samfunn som daglig ble rammet av hverdagskriminalitet. Det skjer jo i større grad nå. Vi er nå i en situasjon hvor stadig flere opplever at hverdagskriminaliteten øker, nettopp fordi det er sendt ut signaler om at politiet dessverre ikke har ressurser til å gripe andre oppgaver. Det er ikke signaler vi kan fortsette med å sende ut, fordi det skaper et inntrykk for å begå kriminelle handlinger i Norge. Det er et inntrykk vi er nødt til å stoppe. Da handler det om å ta mange av disse problemstillingene på alvor og vise at vi er i stand til å tilføre tilstrekkelige ressurser til politiet, slik at de får løst oppgavene sine. En av problemstillingene som har åpenbart seg i de siste ukene, er jo situasjonen rundt Politiets sikkerhetstjeneste. Den er like uavklart nå som den var tidligere. Denne sal vet like lite om de faktiske forhold i PST nå som tidligere. Derfor kommer Fremskrittspartiet i dag til å legge frem et forslag for å få en uavhengig vurdering av forholdene i PST både før, under og etter terrorhandlingen. Vi kan altså ikke lenger fortsette å ha en uavklart situasjon, hvor det kun er et fåtall personer som vet hva som er den faktiske situasjonen hva gjelder Politiets sikkerhetstjeneste. Dette er spørsmål som i hvert fall Fremskrittspartiet mener det er naturlig å få avklart – jo før, jo bedre. Det er altså etter vår oppfatning ingen grunn til å vente på 22. juli-kommisjonens konklusjoner i I forbindelse med Arbeiderpartiets landsstyremøte varslet statsministeren et stramt budsjett for 2012. Noen lekkasjer er kommet. Felles for alle disse lekkasjene er at man nok en gang skal velte nye byrder over på lønnsmottakerne, nye byrder over på enkeltmennesker som allerede oppfatter at de betaler mer enn nok til den norske Det er ikke ansvarlig økonomisk politikk å iverksette nye, usosiale avgiftsøkninger. Men på torsdag får vi jo vite hva som er de faktiske forhold, så jeg skal la være å spekulere for mye om lekkasjer. Til tross for at vi alle er enige om at det er viktig å føre en ansvarlig økonomisk politikk, er ikke svaret her at alle gode løsninger må skje gjennom og i regi av den norske stat. Det at alle gode løsninger må skje gjennom og i regi av den norske stat. Det er snarere tvert imot slik at enkeltmennesker, bedrifter, organisasjoner og familien i langt større grad kan løse oppgaver langt rimeligere, langt mer effektivt og langt hurtigere enn staten kan gjøre på deres vegne. Men da handler det om å ha litt tillit. tillit. Da handler det om ikke å ha altfor lange sugerør ned i andre menneskers lommebøker. Det kommer dessverre til å bli realiteten. Hver gang man hører en sosialdemokrat snakke om en ansvarlig økonomisk politikk, handler det ikke om å rydde i eget bed. Det handler ikke om å effektivisere statens stadig økende utgifter. Nei, det handler om å trekke inn stadig mer

som formuesskatten har for norsk eierskap, norsk industri og norske arbeidsplasser, og komme tilbake til Stortinget med det i forbindelse med revidert. Denne debatten har Arbeiderpartiet og de andre regjeringspartiene unngått å ta. De har gjort det til en debatt om den 1 pst. rikeste delen av befolkningen, til tross for at statsministeren vet bedre. Han vet utmerket godt hva dette handler om, nemlig en særnorsk skatt på norsk verdiskaping. Det holder ikke i en tid hvor våre bedrifter utsettes for stadig sterkere press i konkurransen om å overleve. Da må vi være ansvarlige nok til å ta bort de rammebetingelsene som skaper forskjeller. Da må vi ta bort den særnorske formuesskatten. Vi er nødt til å øke investeringene i infrastruktur, en infrastruktur som ikke minst er noe av den største hemskoen og den største utgiftsposten for stadig flere bedrifter lokalisert rundt omkring i Så merket jeg meg at statsministeren sa at har man for stor gjeld, kan man ikke bruke penger. Det er jeg helt enig i. Men også her er Norge i en særnorsk situasjon. Vi er altså i den situasjonen at vi har mer penger enn vi egentlig vet hvordan vi skal få anvendt. Da er vel tiden kommet til å bruke den gylne muligheten denne nasjonen har, til å investere på de områdene som kan gjøre norsk konkurransekraft bedre, stille våre bedrifter i en bedre situasjon enn de ellers ville vært i, og fjerne de særnorske hindrene for konkurransekraft og verdiskaping. Det burde debatten om bruk av oljepenger i fremtiden i mye større grad dreie seg om. Det er her den store forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er. Vi er enige om behovet for en ansvarlig økonomisk politikk. Arbeiderpartiets svar på er at staten skal være svaret for alle, enten man vil det eller ikke, mens Fremskrittspartiets svar på dette er en større tro på enkeltmenneskets evne, vilje og mulighet til å skape verdier i det norske samfunnet. Trontalen bar bud om, fra regjeringens side, at at den norske innvandrings- og asylpolitikken for fremtiden skulle samsvare med det regjeringen kalte «praksis i andre sammenlignbare land». Det som vi ikke har fått svar på, er hvilke land regjeringen mener er sammenlignbare. Det har faktisk ganske stor betydning for norsk asyl- og innvandringspolitikk hvilket land man velger å følge. Men det som er urovekkende – og som Per-Willy Amundsen forsøkte å spørre statsministeren om i at regjeringen allerede har liberalisert asylpolitikken ved å akseptere den dommen det ble referert til, fra Strasbourg. Det handler altså om at regjeringen, uansett om man bryter norsk lov mange ganger og man blir sendt ut av landet og kommer tilbake med nye identitetspapirer som ikke harmonerer med dem man hadde med seg sist gang man kom inn, sender et signal om at bare man klorer seg fast i det norske samfunnet lenge nok selv om det er ulovlig – får man til syvende og sist lov til å bli. Det er ikke en politikk Fremskrittspartiet slutter seg til. Det er et galt signal å sende ut til omverdenen. Det kommer til å føre til at enda flere vil søke veien til Norge, på urettmessige betingelser. Derfor mener Fremskrittspartiet at regjeringen seriøst bør vurdere å anke denne dommen. Det var ingen dom. Hvis man mener alvor med å stramme inn, som statsministeren kalte det, må man ha en sammenheng i metodene og virkemidlene. Det som hadde vært bra, var at regjeringen strammet inn saksbehandlingstiden, slik at mennesker som ber om å få et svar på om de får opphold i Norge eller ikke, får det – og raskest mulig får avklart sin fremtid, enten den skal være i Norge eller bety retur. Dagens praksis, hvor man lar dette skure og gå i måneder og år, er selvfølgelig inhuman overfor dem det gjelder, og direkte uansvarlig, fordi det sender et signal om at klorer man seg fast lenge nok, ja så ordner det seg likevel. Det må opphøre. Den signaleffekten bør regjeringen være seg bevisst. Derfor mener Fremskrittspartiet at denne dommen også bør ankes. Jeg tar med dette opp forslagene fra Fremskrittspartiet, forslag som jeg tror er under omdeling. Representanten Siv Jensen har tatt opp

Det er vel ikke helt sant. I hvert fall har Høyre-folk karakterisert Fremskrittspartiets økonomiske politikk som kasinopolitikk. Ute i Europa ser vi at statene er nødt til å gjennomføre store velferdskutt, samtidig som man har høy arbeidsledighet fordi statene er underfinansiert. Jeg hørte ikke lederen for Stortingets største opposisjonsparti bruke tid på det i sitt innlegg. Jeg spør derfor: Har ikke det ikke det gjort inntrykk? Vil Fremskrittspartiet fortsatt holde fast på sin oljepengebruk som en forutsetning for et eventuelt regjeringssamarbeid på høyresiden? Når det gjelder den alvorlige økonomiske utviklingen i Europa, er den sammensatt. Det er altså slik at utfordringene i Hellas er noe annerledes enn de er i Italia og Spania. Utfordringene de har til felles, er at det skaper betydelig uro, det skaper arbeidsledighet, og det skaper økonomiske problemer for de berørte statene. Men fellesnevneren for disse statene handler ikke først og fremst om et uansvarlig lavt skattenivå. Det handler om mangel på balanse i statsbudsjettene i forhold til inntekts- og utgiftssiden over tid. Der, som jeg også sa i mitt innlegg, er Norge i en helt annen situasjon. Jeg har ikke hørt et eneste parti i denne sal ta til orde for å bruke oljepenger over tid for varig å blåse opp driftsutgiftene. Det Fremskrittspartiet har tatt til orde for, og som vi vil gjenta til det kjedsommelige, sånn at kanskje også Arbeiderpartiet oppdager hvor fornuftig det er, handler om å investere noe mer av vår felles rikdom på områder og oppgaver som Norge vil være tjent med over tid. Det kommer vi til å fortsette å fremme forslag

Politisk kvarter i morges, der Senterpartiet utfordret de borgerlige partiene på byggeprosjektet i forhold til regjeringsalternativ på høyresiden. Siv Jensen svarte da at det jobber man med sakte, men sikkert. Jeg vil si at det er en ting som er sikkert, og det er at det går sakte. sakte. Derfor vil jeg spørre Siv Jensen: Har hun fortsatt statsministerambisjoner? Holder hun fast på at Fremskrittspartiet ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av? Eller er hun nå åpen for å gå tilbake til – hva skal vi si – Bondevik II-situasjonen, der Fremskrittspartiet er en garantist og et støtteparti i Stortinget? Jeg registrerer en underlig rørende omsorg fra Helga Pedersen for forholdet mellom de borgerlige partiene. tror jeg hun kan ta helt med ro, og heller bruke energien sin på å opprettholde ro mellom de tre partiene som sitter i regjering nå. Det er to år til neste stortingsvalg, og vi kan begynne å diskutere de spørsmålene når det nærmer seg. Men jeg kan ikke la påstanden om at Fremskrittspartiet ikke tar ansvar for inntektssiden, bare henge i løse luften. Det er feil – det er snarere tvert imot. Noe av det aller viktigste for et lands økonomi handler om at Da må man ha fokus på hvordan man kan skape mer økonomisk vekst, og her går altså den store skillelinjen mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet har en grunnleggende tillit til skaperkraften ute hos det norske folk, i alle landets småbedrifter, hos alle dem som hver eneste dag står opp om morgenen for å få bedriftene sine til å gå rundt. Derfor vil vi gjøre hverdagen deres enklere gjennom å ta bort noen av de særnorske bestemmelsene. Jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet var villig til å gjøre det samme.

på å fremme de forslag vi mener er riktige og nødvendige for å få norsk innvandringspolitikk på et bedre spor. Det vi har registrert under den rød-grønne regjeringen, er veldig mye prat, men veldig lite handling. Det har vært nedsatt et utvalg under ledelse av utenriksministeren – mange interessante forslag, men ingen av dem er omsatt i praksis. Det har vært realiteten fra den rød-grønne regjeringens side, og det vil jeg advare mot. Det er all mulig grunn til å stramme inn på dette området, slik at vi har kontroll på hvem som kommer inn til Norge. Så handler det like mye om hvordan vi integrerer dem som har fått lovlig opphold i Norge. Også her har vi en betydelig utfordring. Jeg synes kanskje Bård Vegar Solhjell skal være litt mer opptatt av det enn av å angripe Fremskrittspartiet på feilaktig grunnlag. Først vil jeg gratulere representanten

eller representanten Jensen, eller en annen kommende person? Jeg skal prøve å svare på disse spørsmålene. Til spørsmål 1: Fremskrittspartiets strategi ligger fast. Den har ikke endret seg, og hvis den endrer seg, skal jeg sørge for at Slagsvold Vedum får greie på det i god tid. Til spørsmål 2: Akkurat det samme svaret. Fremskrittspartiets strategi ligger fast, og blir det endringer, skal

at det fins menneskeskapte klimaendringer? Jeg tror alle kan se at vi har klimaendringer både i Norge og i resten av verden. Så er spørsmålet om de er skapt av mennesker, eller om de er en naturlig del av de variasjonene vi opplever. Derom strides de lærde. Fremskrittspartiet har fremmet en rekke forslag i denne sal gjennom flere år som vi mener vil være gode bidrag både til klima og miljø, men det jeg registrerer, er at den sittende regjering, som mener at dette er den altoverskyggende viktige utfordringen verden står overfor, fortsatt ikke har kommet et eneste skritt videre i forhold til det de mener er den viktigste kampen. Så jeg vil nok kanskje anbefale Trine Skei Grande å rette kruttet mot dem som sitter med ansvaret for dagens klimapolitikk, i stedet for å gå løs på meg. Det kommer

Fremskrittspartiets strategi, som ligger fast, er at vi ønsker at alle de fire borgerlige partiene setter seg ned for å forhandle et mulig grunnlag for en ny flertallsregjering i Norge etter valget – hvis vi skulle vinne det, og det er i grunnen det som er det aller viktigste nå. Det handler jo om å overbevise flest mulig velgere i dette landet om at åtte år med en rød-grønn regjering vil være mer enn nok. Så det er vår strategi. I tillegg har vi sagt at det er unaturlig for Fremskrittspartiet å støtte en regjering vi selv ikke er en del av. Det ligger også fast. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil få lov til å gå tilbake igjen til

ukene etter 22. juli fra dag én – fra første time – sørget for lederskap og samhold, inkludering og for det andre land påpeker, at vår respons var verdig, den var ordentlig, og den ble gjennomført. Det er klart at en slik opplevelse for et land er en skjellsettende historisk opplevelse. Det er en opplevelse av en trussel hvor man har gitt et svar og en respons om samhold som har vært fantastisk, og som det er viktig at vi tar vare på i vårt samfunn fremover – ikke gjennom ikke å kunne være politisk uenig om saker, men gjennom faktisk å ta vare på rammene rundt, anstendigheten i den politiske debatten og respekten for hverandres politiske synspunkter, at vi kanskje har noen av de målene for samfunnet og for velferden, men ikke at vi nødvendigvis er enige om virkemidlene eller veien dit. La meg også si at vi støttet opp under 22. juli-kommisjonen og mener fortsatt at den har et viktig og stort ansvar for å kartlegge forarbeidet, responsen under og hva som har skjedd i Men det betyr ikke at det ikke er tema og saker knyttet til dette som fortjener større politisk oppmerksomhet. Fra vår side har det ikke manglet på anledninger til å kunne gå ut og kritisere regjeringen for enkeltsider av beredskapen. Vi har unnlatt å gjøre det fordi vi mente at det ikke var riktig, og det er ikke riktig å peke på ansvar. Men det er noen politiske spørsmål som jeg nå forventer litt andre svar fra regjeringen på knyttet til PST og politiet enn det vi har fått tidligere. For det første: Før jul i fjor spurte jeg statsministeren om vi kunne få en uavhengig gjennomgang av ressurs- og kapasitetssituasjonen til PST som kunne overleveres Stortinget i egnet form med hemmelighetsstempling – Stortinget kan behandle dette – at om hvordan kapasiteten og ressurssituasjonen faktisk er, fra et uavhengig organ, ikke bare gjennom budsjettskjønnmalingen til regjeringen. Årsaken til det var de informasjoner vi fikk om manglende spaningskapasitet og mye engstelse som kom fra PST selv for hva de hadde av ressurser. Det forventer jeg nå et annet svar på fra regjeringen i Stortinget må være bedre informert. Dette bør vi kunne gjøre i fellesskap, ikke gjøre til partipolitikk. Det andre er: Spørsmålet om politihelikopter er ikke nytt. Det har vi holdt på med i ganske mange år. Spørsmålet om budsjettsituasjonen for politiet og hva man egentlig får når regjeringen skryter av økte bevilgninger, burde også kunne fått en verdigere form enn de vanlige budsjettkranglene som vi har. Derfor kommer vi til å fremme forslag om en ny politistudie som går gjennom både kapasitetsbehovene når det gjelder bemanning og også tekniske spørsmål i årene fremover, slik at vi har et bedre grunnlag for å si at vi kan løse alle oppgavene politiet blir satt til, i stedet for en uverdig debatt mellom både de ansatte i politiet og justisministeren og opposisjonen og justisministeren. Også i lys av 22. juli-ånden synes jeg at det er noe vi bør kunne samarbeide om, og at regjeringen må kunne innrømme og få til. Likevel er det ingen tvil om at en av de store oppgavene som står foran oss, er den økonomiske usikkerheten, som ikke nødvendigvis kommer fra Norge internt. Men det er også noe vi kommer til å merke: usikkerheten, og hvor stor drivkraften i den internasjonale økonomien kommer til å være fremover. Hvilken respons vi skal ha på utenforliggende impulser, eller mangel på impulser, på økonomien, vil selvfølgelig være ulikheter også i den økonomiske politikken. Men jeg tror det er viktig å huske at den langsiktige konkurransekraft for et land dreier seg om at vi alltid passer på hovedgrepene, som sørger for at vi har konkurransekraft, at vi har kunnskapskapital, og at vi har muligheten til å skape trygghet gjennom trygge jobber, og trygghet skaper vi i dag gjennom å satse på kunnskap og konkurransekraft. Da er det viktig å se på hvilke strukturgrep som må gjøres for å få til dette fremover. Det er ikke bare et spørsmål om å drive ansvarlig økonomisk politikk i men å drive ansvarlig økonomisk politikk i mikrostørrelse, i form av å sørge for at måten vi bygger vår økonomi på fremover, fordrer at det blir flere arbeidsplasser, sørger for at norske bedrifter blir mer konkurransedyktige, sørger for at vi blir mer innovative og nyskapende. For jeg tror faktisk at alle i denne salen har som mål at Velferds-Norge skal opprettholdes. Men Velferds-Norge bygger på én ting: vår økonomis evne til å bære det. Trygge jobber dreier seg om hver enkelt bedrifts evne til å bære kostnadsnivået gjennom høy produktivitet, innovasjon og kunnskapskraft. Derfor er det viktig å se på hvilke grep vi må gjøre fremover. Man startet den perioden som er gått fra 2005, med det som Arne Strand i Dagsavisen sa, at denne regjeringen kom til dekket bord. Den forrige regjeringen gjorde noen litt vonde og vanskelige strukturgrep. Vi senket skattetrykket. Nå er det jo nesten opphøyet til en religion at det er viktig å styre etter skattetrykket fra 2004. Vel, det er altså skattetrykket fra Per-Kristian Foss og Høyre på det tidspunktet, motargumentert fra venstresiden på det tidspunktet. Det andre viktige strukturgrepet var for første gang å få rentenivået ned på europeisk gjennomsnitt, som gjorde at kronekursen ikke ble tvunget opp i så høye baner, og vi er på vei inn i litt av den samme utfordringen når det gjelder kronekursen, som det vi hadde på begynnelsen av det siste tiåret. Så fikk vi drahjelp av kanskje den største strukturreformen som har skjedd i Europa, nemlig utvidelsen av EU, de fire friheter, som har gjort at vi har fått en bevegelse i arbeidsmarkedet som Norge aldri tidligere har hatt, gjennom at så mange har kommet til Norge og hjulpet til med å bygge velferden fremover. De nye strukturgrepene må vi kanskje hente mer innenfra og ikke regne med trekkraft utenfra. For det første er det nok nødvendig å ta inn over seg det regjeringen åpenbart ikke tar inn over seg, nemlig at Norge faller på alle barometre som måler konkurransekraft og innovasjonsevne. Vi har falt fordi andre land har gjort det bedre. Vi vet jo at i det øyeblikket det blir trangere i markedene ute, ja så er konkurransekraft enda viktigere. Fra 2005 til 2008 gikk internasjonal økonomi for full kapasitet. Da hadde også de dyre produsentene en markedsplass. Nå kommer pris og kvalitet til å bli viktigere. Da må vi sørge for at kvaliteten er god, for prisen vår kommer aldri til å være like konkurransedyktig. Da er det innovasjon og nyskapingsevne som er viktig. Da er det viktig å se på hvilke elementer i Norge som gjør at kostnadsnivået vårt blir høyere enn det som bare er et spørsmål om lønninger. Ett av dem er bl.a. det vi har diskutert i replikkordskiftet etter statsministerens innlegg, nemlig formuesskatten. Formuesskatten er en særnorsk skatt på norsk eierskap. Det betyr at når man har en norsk eier, må man altså være enda mer produktiv og tjene mer i den bedriften for å være like lønnsom som naboarbeidsplassen, som eies av en italiener eller en kineser, for den saks skyld. Det å fjerne eiendomsskatten er etter min mening en måte å styrke den norske modellen på, for den norske modellen dreier seg ikke bare om at statsministeren sitter og snakker med LO-lederen på toppen – nå lytter han litt lite på ham i dag, etter min mening. Det dreier seg om nærhet mellom eier og ansatte. Det dreier seg om et samfunn hvor småbedrifter drives på den måten at eieren sitter i det samme idrettslagsstyre som de ansatte, bidrar med sponsormidler, handler på den samme de ansatte, bidrar med sponsormidler, handler på den samme lokalbutikken og snakker med sine ansatte over frysedisken. Det er også en del av den norske modellen, og det er en del som regjeringen svikter gjennom innstramming og skjerping av beskatningen på formue og eierskap i norske bedrifter. For svaret er, som svaret var fra

der skapes de inntektene vi i neste omgang skal fordele. Der Høyre skiller seg fra de rød-grønne partiene og sentrum, snakker Erna Solberg veldig lite om sin egen politikk. Med unntak av formuesskatten hører vi nesten aldri Høyres leder snakke om skattekutt og om privatskoler. Jeg lurer på hva som er årsaken til det. Har Erna Solberg avlyst disse delene av sitt partiprogram, eller har hun innsett at dette ikke slår an i befolkningen?

at vi tror vi kan få ned helsekøene i Norge raskere. Vi synes det er unødvendig at folk står lenge i operasjonskø når de kunne vært i jobb og bidratt til å finansiere velferdssamfunnet vårt i stedet for å være passive og tære på det. Men det velger altså dagens regjering å se bort fra, ved at de ikke ønsker å bruke valgfriheten sånn at en også kan velge private tilbud. Men skillelinjene i f.eks. skolepolitikken er større enn det representanten Helga Pedersen forsøker å si nå. I alle fall var det sånn i kommunevalgkampen. I kommunevalgkampen hevdet regjeringens utdanningsminister at et av de store skillene bl.a. var at vi ville teste mer. Ja, vi mener at det er viktig f.eks. å ha overgangstesting i norsk skole. Så registrerte jeg at det åpenbart var et SV-standpunkt at det var feil, for Arbeiderpartiet var enig med oss. Jeg må bare si at jeg tror at skillene er flere. flere. En av de viktigste utfordringene for Arbeiderpartiet er at noen av de skillene går rett gjennom Arbeiderpartiet. Det er det mange av velgerne deres som har sett. Derfor velger de nå å stemme på oss fremfor på Arbeiderpartiet. Er det riktig at representanten Pedersen ønsker to replikker? – Vær så god. Det er helt riktig oppfattet. Jeg legger merke til at Høyres leder fortsetter å snakke om ambisjonene for velferdsstaten, men fortsatt fortsetter å snakke om ambisjonene for velferdsstaten, men fortsatt ikke vil diskutere hvordan man skal skaffe inntekter. Der går fortsatt en av de viktigste skillelinjene i norsk politikk. Så la jeg også merke til at Høyre-lederen trakk fram private løsninger. I Bergen har Høyre styrt i flere år, og man har hatt alle muligheter til å organisere eldreomsorgen akkurat sånn som man ønsker. har Høyre styrt i flere år, og man har hatt alle muligheter til å organisere eldreomsorgen akkurat sånn som man ønsker. For Høyres leder har det vært et mål at brukerne av hjemmehjelpstjenester skal kunne velge mellom ulike firmaer. I forrige uke kunne Bergens Tidende fortelle om kona til Anton Svanevik, som har hatt 68 pleiere innom hjemmet sitt i løpet av fire og en halv måned. Synes Jeg må ærlig få lov til å si at jeg, etter å ha holdt et innlegg hvor hoveddelen dreier seg om hvordan vi skal finansiere velferden fremover, er litt forbauset over at representanten fra Arbeiderpartiet ikke har lyttet mer – at hun kan komme her og holde en replikk og si at jeg ikke snakker om hvordan vi skal finansiere fremtidens velferd, når det er hovedpoenget i innlegget. Når det gjelder omsorgstjenesten i Bergen kommune, har de organisert brukervalg i hjemmetjenestene. hjemmetjenestene. Det fungerer veldig bra. Men de har ikke fått gjort det i hjemmesykepleien ennå. Det er det bare én kommune i landet som har klart å gjøre nå, og det er Oslo. Det er mer komplisert, men det vil også komme. Jeg er veldig fornøyd med mye av den omsorgen som gis i Bergen, men det er faktisk sånn at de heller ikke er i mål med alt. De har gjort gode forbedringer med det de har gjort, men de kommer til å gjøre flere forbedringer, og litt avhengig av hvordan sammensetningen i byrådet vil se ut, kommer de til å ha et godt mandat for å gjøre det fremover. Ein av dei tinga representanten Solberg ikkje snakka om i innlegget sitt, var miljø- og klimapolitikk. Men i løpet av dei siste to og eit halvt åra har Høgre i ei rekkje enkeltsaker gått inn for standpunkt her i Stortinget og i andre samanhengar som vil auke norske klimagassutslepp. Den 9. juni 2010 stemde dei for eit forslag om å endre kravet om umiddelbar reinsing av gasskraftverk for å opne for nye gasskraftverk utan CO2-utslepp. Så la dei fram si eiga petroleumsmelding i vår. Der skriv dei at delelektrifisering av eksisterande installasjonar på kontinentalsokkelen viser at dette «er et så kostbart tiltak at ressursene heller bør settes inn på andre områder i klimapolitikken». Så har dei også opna for ei nytolking av klimaforlikets krav om nasjonale kutt – det vil seie enkelte representantar frå Høgre har gjort det. Så veit eg at Høgre står på klimaforliket. Men mitt spørsmål er: Korleis vil de gjennomføre klimaforlikets ambisiøse mål viss ein skal auke utsleppa så dramatisk … Jeg skulle veldig gjerne stått her i dag og sagt ambisiøst hvordan Høyre skal gjennomføre klimakuttene i årene fremover, for der burde vi vært i dagens politikk. Stortinget burde i dag for lengst ha behandlet oppfølgingen av klimaforliket. Men der er vi jo ikke, for regjeringen har ikke klart å bli enig om hvor klimakuttene skal komme. De har ikke klart å levere dokumentasjon til Stortinget om hvordan det felles forliket vi har, skal gjennomføres. Da kan godt Bård Vegar Solhjell utfordre meg på enkeltdeler av dette og si at jeg nå burde ha en lang liste om hvordan jeg skal gjøre det. Sannheten er at det er ditt parti som skulle levert det grunnlaget, sånn at Stortinget kunne fatte beslutninger og lage rammebetingelser som var mulige. Egentlig mener jeg at SV burde ha holdt munn om klimautslipp og klimapolitikk frem til de leverer dette, for de har ingen mulighet til å kritisere noen andre når de selv ikke klarer å legge frem et dokument for Stortinget som et beslutningsgrunnlag for den norske nasjonalforsamlingen. Det var voldsomt til språkbruk fra en som ønsker å bli statsminister. Det forundrer meg at representanten Solberg, som er svoren EU-tilhenger og euroentusiast ikke bruker noe tid i det hele tatt på den grunnleggende krisen vi ser

når vi ser Høyres historie. Jan Tore Sanner sa i midten av forrige periode at fordelene er klart større enn ulempene ved å innføre euroen i Norge. Og representanten Solberg sa høsten 2008 at det er «viktigere å få Norge inn i EU enn å sitte i regjering». Mitt spørsmål til representanten Solberg er: Er det fortsatt viktigere for Høyre å innføre euroen og få Norge inn i EU enn å sitte i regjering? Der gjorde representanten et lite forsøk på fusk i sitatet. Ja, det er riktig at jeg på lang sikt fra Høyre har et overordnet ønske om å bli medlem av EU. Jeg har ikke sagt at det er et overordnet ønske for oss å innføre euro i Norge. Men det er et overordnet ønske for oss å delta i det solidariske løftet det er å sørge for at fredsprosjektet EU går videre, videre, sørge for at vi deltar i beslutninger som har stor påvirkning på oss. Derfor er det sånn at hvis valget på et tidspunkt skulle stå mellom det å bidra til at Norge faktisk blir medlem av EU og det å sitte i regjering på det tidspunktet, så har Høyre sagt veldig klart hva det valget er. For øyeblikket er ikke det et valg, for øyeblikket er det i Norge ikke noe spørsmål å få denne saken raskt opp på men som nasjonalpolitikere i Norge tror jeg det viktigste vi gjør, er å gi svar på hvordan vi skal svare på det som skjer av kriser rundt oss. Og det svaret har jeg gitt: Det dreier seg om å skape trygghet gjennom å investere i kunnskap Da er neste replikant representanten Bård Vegar Solhjell. Det er én ledig replikk, og mye tyder på at den vil gå til representanten Slagsvold Vedum, dersom ingen av de øvrige partiene ber om den. Eg fekk den følelsen no at representanten Solberg var i ferd med også å verte litt kjepphøg over eit godt valresultat. Eg føler kanskje at sidan eg ikkje er heilt i den situasjonen sjølv, kan eg kjenne det Eg trur ikkje ho meiner at eg eller SV eller regjeringa skal halde munn om klimapolitikk fram til ei utsett klimamelding er lagd fram – og eg trur ho kjenner grunngjevinga for at meldinga er utsett. Men eg vil då gjenta mitt spørsmål: Meiner representanten Solberg at det rett og slett er sånn at ho ikkje treng å svare på kva Høgres klimapolitikk er i Stortinget og elles? Meiner representanten Solberg at ho ikkje treng å svare på om det er rett å gå inn for nye gasskraftverk utan CO2-reinsing, om det er viktig å gå inn for ei anna tolking av klimaforliket, og om elektrifisering er eit uaktuelt tiltak? Det trur eg er ei veldig uklok tilnærming til den politiske debatten, og eg vil be ho ta det opp att. Korleis skal klimaforliket gjennomførast dersom ein skal auke klimautsleppa på alle dei områda? Hvis jeg får lov å begynne med elektrifisering, så jeg får lov å begynne med elektrifisering, så har vi gjort en vurdering av at det å gjennomføre elektrifisering på en del av de dyreste tiltakene som vil gi en lettelse i mål i 2020, men ingen lettelse i 2030, er feil bruk av pengene, for en del av de installasjonene vil ha stoppet å produsere i 2030. Derfor har du på en måte en feilinvestering, hvis vi går inn på det. Det er en del av det kunnskapstilfanget som vi tar inn over oss. Ja, vi må være litt fornuftige. Hvis vi skal bruke milliarder, så la dem bli brukt på de viktigste områdene som gir langsiktig effekt. 2020 kan ikke være et mål som vi setter opp for oss helt uten å se på om det har noen effekt i 2030. Det er jo det langsiktige målet som må være viktig. Det er en av grunnene til at vi har gjort det, og det er det eneste området hvor vi fra partiet Høyres side har gjort et avvik i forhold til klimaforliket. Det tror jeg at alle andre som vi skal diskutere videre med i oppfølgingen, kommer til å se var et rasjonelt og godt avvik. Velkommen skal dere være til å være enige med oss da. Da blir siste replikant representanten Trygve Slagsvold Vedum.

fra Erna Solberg, selv om jeg skjønte at det var plagsomt i stad: At Norge vil inngå i eurosamarbeidet ved et EU-medlemskap, framstår etter hvert som et viktigere og viktigere argument. Men da jeg hørte svaret ditt i stad, følte jeg nesten at representanten Solberg ønsket å distansere seg fra eurosamarbeidet og skille EU-medlemskap og eurosamarbeidet. Så spørsmålet mitt er: Mener representanten Solberg fortsatt at eurosamarbeidet er et viktigere og viktigere argument for norsk EU-medlemskap? I 1994, da vi gjennomførte alle evalueringene og analysene før EU-medlemskapet, ble eurosamarbeidet trukket frem som et av de områdene hvor man kanskje mente at det i økonomisk politikk ville ha en negativ virkning, fordi de var motsyklisk i norsk økonomi i forhold den europeiske økonomien. I 2006 fikk vi laget en uavhengig utredning om hvordan norsk økonomi hadde endret seg, og hvordan det avspeilte seg i forhold til euro på det tidspunktet. På det tidspunktet var det sånn at på grunn av oljefondet og på grunn av endringene i norsk økonomi var norsk økonomi mindre motsyklisk. Og det argumentet som i 1994 kunne telle litt for nei til euro eller for nøytralt, hadde faktisk beveget seg til at vi kunne ha en mer positiv effekt på norsk økonomi av et euromedlemskap. Det var det den utredningen sa, og det er det sitatet er fra. Jeg legger ikke skjul på at jeg er tilhenger av et Jeg legger ikke skjul på at jeg er tilhenger av et EU-medlemskap. Jeg vil gjerne bruke lang tid på å analysere hva som er utfordringene i EU. Men la meg peke på to land som du bør studere litt nærmere, nemlig Nederland og Østerrike. De er medlemmer av EU, medlemmer av eurosamarbeidet og minner mistenkelig om Norge når det gjelder ledighet og vekst. Replikkordskiftet er omme. Statsministeren åpnet naturlig nok med noen refleksjoner rundt 22. juli. Det er i dagene og

at ord har vist seg å ha stor kraft. La meg derfor benytte denne anledningen til å takke både statsminister og konge for hvordan man ledet landet i en krisetid og satte ord på folks følelser i stor grad – ord som ga mening til den enkelte, og som betydde mye og satte en standard for den debatt og de refleksjoner som vi har hatt etter 22. juli. Det har vært av stor verdi, og det fortjener statsministeren ros for. Jeg vil også si at jeg, som representerer Kristelig Folkeparti, synes det også er naturlig å se hen til at etter

Men det er grunn til også på en dag som denne å legge merke til dette. Så var statsministeren over på det mer operative i situasjonen, slik vi nå ser den litt i etterkant av begivenhetene. Vi forventer endringer i budsjettet som fremlegges om to dager når det gjelder politi, PST,

vidsynet. Jeg siterer fra dette intervjuet: «Vi må ikke foreta et juridisk paradigmeskifte. Det gror dårlig justispolitikk ut av hastevedtak i en ekstremsituasjon.» Det er jeg helt enig i. Samtidig må jeg like fullt si at justisministeren har forundret meg ved å gi intervju etter at han har vært på Ila landsfengsel,

Kristelig Folkeparti er frivilligheten et av de viktigste samfunnsområder, og vi fremmet like før sommeren her i denne sal et vidtgående forslag om å styrke frivilligheten. Statsministeren sa at det beste svaret på terror vil være at folk engasjerer seg i politikk og frivillige lag og organisasjoner. Det tror jeg han har helt rett i. Vi trenger derfor en nasjonal dugnad for demokrati og frivillighet. Det inviterer Kristelig Folkeparti til. Det er også bakgrunnen for at vi også fremmer et kjent forslag i dagens debatt, nemlig oppfølging av rammevilkår for de frivillige organisasjoner. Det er nå ett år siden vi fremmet det samme forslag i denne sal. Da var mottakelsen slik fra regjeringssiden at man ønsket å få et slikt forslag oversendt. Det gjelder altså de frivillige institusjoner og deres livsvilkår. Nå er det gått ett år. Stortinget har foreløpig ikke fått seg forelagt noe som helst fra regjeringen om de frivillige organisasjonenes stilling innenfor vår helse- og sosialpolitikk. Vi tar det dermed opp igjen i dag, slik at det ikke skal sies at noen har glemt det. Jeg merket meg også at dette ikke var nevnt i trontalen fra i går. Det sier vel kanskje noe om hvor mye vilje det er til stede i regjeringen akkurat på dette punkt når det gjelder å sikre langsiktige og gode rammevilkår for frivillig sektor. Menneskeverdet har på mange måter fått en ny betydning for mange etter 22. juli. juli. Her er det mange debatter som Stortinget skal ta det kommende året. Også oppsiktsvekkende nok ble ikke dette nevnt i trontalen. La meg ta to eksempler. Ett er diskusjonen om tidlig fosterdiagnostikk, som mange ønsker for å kunne påvise Downs syndrom. Situasjonen er nå at ni av ti foreldre velger abort når de får påvist at barnet de bærer, har Dette blir fort et sorteringssamfunn, der menneskeverdet rangeres. I en meget velskrevet artikkel på lørdag skrev jurist Trude Trønnes-Christensen følgende: «Jeg har en bror, Stian, som har Downs syndrom. Stians liv er rangert som uønsket.» Videre sier hun til dem som ønsker en slik utvikling velkommen, at de må komme med noe mer, noe mer, noe som forteller hvor de vil, hvilken retning de ønsker at samfunnet skal bevege seg i. Dette er en debatt Kristelig Folkeparti ser fram til å ha i denne sal, at vi diskuterer viktige etiske perspektiver som betyr mye mer enn kroner og øre. Det samme gjelder spørsmål knyttet til surrogati og alle de etiske dilemmaene det representerer. Det er også varslet fra regjeringen, men var ikke nevnt i trontalen. Det betyr vel at heller ikke det var så viktig at det fortjente plass der. I fjorårets trontale var det invitert til ett forlik – det var rovdyrforliket. I motsetning til det året ble det ikke invitert til noen forlik på noe som helst punkt med opposisjonen i årets trontale. Det blir spennende å se om det er et signal om at regjeringen har nok med seg selv, å bli enig med seg selv og sine partigrupper, eller om man fortsatt er villig til og interessert i å se hen til andre for å få samarbeid og gode løsninger. Jeg nevner oppfølging av jeg nevner klimautfordringene. Det er mye å ta fatt i for et samlet storting. Og jeg nevner ikke minst fattigdomsutfordringene. Om dette fremmer vi også forslag senere i dag. Vi ønsker en felles plan, et felles arbeid, for bekjempelse av fattigdom i vårt land. Gode tradisjoner tradisjoner er verdt å holde i hevd. Vår vilje til solidaritet utover egne landegrenser er en av dem. Her har både sosialdemokratiet og kristendemokratiet stått i en langsiktig allianse, og jammen har vi fått til mye med Høyre i regjering også på dette punkt. Vi er et sentrumsparti. Vi forsvarer en godt utbygd velferdsstat. Men vi mener også at et velferdssamfunn er mye mer enn en velferdsstat. Ikke minst familiene, frivillig sektor og verdiskapende bedrifter er viktige hjørnesteiner i et velferdssamfunn. Vi vil jobbe for et varmere samfunn bygd på kristendemokratiske verdier, og det forplikter oss på tre bæresøyler for et godt samfunn: individuell frihet, ansvar for hverandre og respekt for menneskeverdet.

Jeg slutter meg veldig tydelig politisk til det som var et av Syversens hovedpunkter, nemlig understrekningen av viktigheten av frivillig og ideell sektor, og jeg vil påstå at regjeringens politikk på dette området faktisk dokumenterer det. Det er mange tiltak som regjeringen har gjennomført i sin regjeringstid, som understreker akkurat dette, og som har styrket frivillig og ideell sektor på mange Det som er den aktuelle problemstillingen i en trontaledebatt, er jo da å spørre Kristelig Folkepartis parlamentariske leder i denne sammenhengen om: Hvordan ser han på høyrepartienes iver for kommersialisering som en utfordring til ideell sektor? Jeg tror både Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti og flere andre partier i denne sal ser det som den største trussel, og jeg vil gjerne at han kommenterer det. Jeg registrerer at representanten Kolberg mener at denne regjeringen har gjort mye for de frivillige kreftene i samfunnet. Da blir det jo et paradoks når den organisasjonen som faktisk organiserer de fleste av de frivillige og ideelle institusjoner, sier at hvis den politikken som har vært ført under rød-grønt regime, skal fortsette, har vi ikke ideelle drivere om fem til ti år. Det sier meg noe om at det er et visst forbedringspotensial fra regjeringens side på akkurat dette punktet. Jeg opplever ikke at Høyre og Fremskrittspartiet stiller de frivillige organisasjonene og deres akkurat som om de var rene kommersielle aktører. Jeg oppfatter faktisk også at det der er en forståelse for at ideell sektor trenger langsiktige og forutsigbare rammevilkår, som betyr noe mer enn en kontrakt som løper over tre–fire år.

Jeg vil understreke det jeg sa i min første replikk om vårt sterke ønske om at de skal spille en rolle. Vi har latt dem spille en rolle. De har spilt en rolle i alle Arbeiderpartiets regjeringsperioder, både nå og i de tidligere. Det finnes to konkrete eksempler på denne regjeringens vilje når det gjelder dette som Syversen tar opp – nemlig at regjeringen nå innenfor barnevernet har lyst ut en egen konkurranse bare for de ideelle, og at man innenfor Helse Sør-Øst, på direktiv fra departementet, har tatt opp at de ideelle skal få langsiktige og gode kontrakter innenfor hele rusomsorgen i Helse Sør-Øst sitt område. Så påstanden om at det her ikke er forskjell på Arbeiderpartiets politikk og høyresidens konkurranseiver – som absolutt er det som utfordrer ideell sektor mest, ikke minst i Oslo – vil jeg igjen høre

anbudskonkurransene – anbudskonkurranser som var slik utformet at det totalt skviste ideelle aktører som hadde lang fartstid i samarbeid med det offentlige. Men hvis dette er et første signal om at man akter å se på dette på nytt, er jeg den første til å være glad for det, men Stortinget har foreløpig ikke sett noe til hvilken

og det er jo et verdifellesskap mellom Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, og mellom Kristelig Folkeparti og den rød-grønne regjeringen, i veldig mange saker. Vi blir ofte angrepet av Kristelig Folkeparti for å gjøre for lite rød-grønn politikk. Jeg skal ta noen eksempler på det. I bistandspolitikken: Vi har prioritert den svært høyt. Vi har økt bistandsbudsjettene, og vi inngikk også et samarbeid med Kristelig Folkeparti i fjorårets budsjett, men Kristelig Folkeparti ville enda litt mer. Men vi har økt. I innvandringspolitikken: Den som kritiserer oss hvis vi gjør innstramminger der, er De er ikke fornøyd med den liberaliseringen vi gjør. Det samme gjelder i integreringspolitikken. I alkoholpolitikken: De som kritiserer oss for at vi ikke strammer inn enda mer enn det vi gjør, er Kristelig Folkeparti. I dag så jeg at deres leder var opptatt av sexkjøpsloven. Det var også i samarbeid med regjeringspartiene at den ble innført. I fattigdomspolitikken er det det samme, i distriktspolitikken er det det samme, i landbrukspolitikken er det det samme. På område etter område kritiserer de oss for å gjøre for lite rød-grønt. Men så sier dere at dere vil samarbeide med Høyre, og det forstår jeg ikke at Kristelig Folkeparti kan stå inne for, for det er jo politikken det handler om. Takk for gode lykkønskninger. Jeg tror representanten Slagsvold Vedum har lyttet altfor mye på kritikk, for det er ikke riktig at jeg har kritisert de rød-grønne, f.eks. når det gjelder bistand. Er det én person i denne sal som tvert imot har rost regjeringen, når budsjettet er blitt fremlagt, tvert imot har rost regjeringen, når budsjettet er blitt fremlagt, for å ha vist vilje til å se hen til at det er noen som trenger hjelp i et velferdssamfunn – ikke i det norske, men i andre land – så er det jo undertegnede. Jeg har rost regjeringen når man virkelig har satset på bistand. Når det gjelder alkoholloven og mulige innstramminger i skjenketid, er det bare det å si at når regjeringen først

og det andre dreier seg om å se på ulike varianter for å ta ut såkalt arbeidende kapital fra formueskatten. Så er det en sammenheng mellom forskjellene i samfunnet og antallet og andelen fattige. Hvis man legger opp til et regime – som man gjør, hvis man går inn for et sånt skatteforslag – som gir målrettede skattelettelser i milliardklassen til dem som allerede har aller mest fra før, vil man også få en utvikling i samfunnet der man på sikt vil få flere fattige. Det er en sammenheng mellom fordelinga av rikdom i samfunnet og antall fattige. Er Kristelig Folkeparti enig i det? Det ville overraske meg veldig mye om Roar Flåthen har lagt fram et forslag som etter hans mening skaper mer fattigdom i dette landet. Det er jo det representanten Thorkildsen nå sier. Jeg har faktisk tro på at enkelte skattelettelser vil tjene hele samfunnet, hvis disse skattelettene er innrettet slik at man sørger for at vi har et næringsliv som skaper arbeidsplasser, arbeidsplasser som gir skatteinntekter, som gir arbeid, og som også gjør at vi kan gjøre mer for dem som faller utenfor og trenger samfunnets hjelp. Så her er nok representanten Thorkildsen og jeg litt uenig i premissene, kort sagt.

at en sånn endring ville gi ca. 3,5 mrd. kr rett i lomma på de 800 personene i Norge som har over 3 mill. kr i inntekt. Det vil igjen føre til at vi får en utvikling hvor de rikeste i Norge vil slutte mindre opp om velferdsstaten, som er det viktigste omfordelende virkemidlet vi har. Formuesskatten vil raskt stå for fall hvis det vil være sånn at de aller rikeste – de som har aksjeeiendeler ikke lenger betaler formuesskatt, men at det bare skal være vanlige pensjonister som skal betale den. Formuesskatten og kombinasjonen av den og utbytteskatten er grunnen til at vi har klart å få til en progressiv betaling av skatt i vårt samfunn igjen – som man ikke hadde under den regjeringa som Kristelig Folkeparti deltok i. Jeg må vel tilstå at det er en stund siden jeg så Roar Flåthen i skjørt, men ikke noe behov for å gjemme oss bak hans eller noen andres skjørt. Men vår politikk er en veldig god politikk fordi det handler om en skattepolitikk som sørger for at vi har et godt næringsliv, som skaper arbeidsplasser, og som sørger for at vi også kan gjøre mer for de fattige. Men av og til får jeg den følelsen at det er viktigere for SV og enkelte andre å bekjempe de rike enn å gjøre noe for de fattige.

eit parti som seinast i dag gjentok at dei ikkje har bestemt seg for om det eksisterer menneskeskapte klimaendringar. Kva tankar gjer representanten Syversen seg om moglegheita for å få gjennomslag for ein offensiv klimapolitikk i eit system der Framstegspartiet har større innverknad i norsk politikk? Når representanten Sande snakker om prøvestein, har et inntrykk av at den kommende klimameldingen er en viktig prøvestein for samarbeidet mellom de tre regjeringspartiene. Vi ser fram til å diskutere den i Stortinget, selv om det faktisk ikke lå noen invitasjon i trontalen til et forlik i forhold til den kommende klimameldingen. Det overrasker meg noe. Men jeg kan forsikre Sande om at de avtaler vi inngår – og det var jo slik at i det klimaforliket vi faktisk har, var det Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som flyttet de rød-grønne i en mer offensiv miljøpolitisk retning – og det engasjementet vi har for klima, kommer til å stå fast

Jeg vil også begynne denne debatten med å takke statsministeren, takke regjeringa, presidenten og faktisk hele Stortinget for den måten man taklet den terrorhandlinga vi ble utsatt for, på. Jeg vil også benytte anledninga til å takke folk for deres engasjement – takke både alle de som gikk til gatene på mandagen, og alle de som viste sin omsorg

noen som hadde som ansvar å tenke på det utenkelige, som ikke gjorde det de skulle ha gjort. Men det betyr ikke at vi skal starte en jakt på de enkeltindividene som kanskje valgte ut fra andre forutsetninger enn det vi ga dem. Vi må sjekke om systemene våre er gode nok til å kunne gjøre den jobben hvis vi en dag blir utsatt for en trussel trussel som likner dette. Det som fungerte bra, og som jeg vil skryte av, er helsevesenet vårt. Det var faktisk slik at av alle dem som ble trillet inn på sykehus den dagen, er det bare én vi mistet. Alle de som møtte opp på Legevakten her i Oslo, opplevde en superprofesjonell organisasjon som tok imot dem og tok vare på dem. Det andre som fungerte i samfunnet vårt, var frivilligheten. Det går ikke an å sitte i et justisdepartement og vedta at folk skal sette seg i båten og ro. Det er bare noe folk gjør som aktive borgere i et samfunn, aktive borgere som bryr seg om sine medmennesker, aktive borgere som har et medansvar for fellesskapet. Det viste frivilligheten og engasjerte borgere Så det var også mye som fungerte, og som vi skal være glade for. Vi må også tenke på at det etter annen verdenskrig ikke er utøvd politisk vold i Norge fra andre enn høyreekstreme miljøer. Alt av politisk vold utøvd i Norge etter annen verdenskrig er utøvd av høyreekstreme miljøer. Det er også noe som vi må ta ansvar for i denne salen hvordan vi takler de miljøene, har vi tatt de miljøene på alvor, har vi møtt dem med debatt, men også om vi har tatt trusselen fra dem på alvor. Som liberaler er jeg opptatt av at det ikke finnes snarveier for å finne de gode løsningene når det gjelder lovverk, overvåkning, politimetoder, som man bør finne i dagene etter at slike ting skjer. Det skal man ta seg tid til, det er en debatt man skal gjøre på ordentlig vis. Man skal også diskutere hva som ligger i innholdet. Jeg gleder meg til diskusjonene her i salen med statsministeren om statsministerens flotte ord om at vi skal møte dette med mer demokrati og mer åpenhet. Så til de store utfordringene som vi ser verden står overfor i dag. Vi er i en global Vi ser at vi står overfor store trusler som virkelig kan rokke ved de viktige tingene i samfunnet vårt, og spørsmålet er hvordan vi i Norge skal forholde oss til det. Hvordan skal vi i Norge møte de store utfordringene? Hvordan skal vi faktisk bruke det at vi har hatt politikere med langsiktige tanker, som har klart å gjøre store grep for framtida, i denne sal? Hvordan skal vi bruke det handlingsrommet på en best mulig måte? måte? Det var klart da velgerne gikk til valg, at de skjønte at det å ha politikere som faktisk vet hva handlingsregel er, er noe man setter pris på. Det å ha politikere som tenker langsiktighet økonomisk, er noe man setter pris på. Men spørsmålet er: Bruker vi det handlingsrommet – bruker vi de mulighetene vi har i Norge, på riktig måte, når vi har sett en regjering som i gode tider ikke klarer å prioritere det å gjøre grep i forhold til

hvordan tror vi at vi skal klare det i dårlige tider? I dårlige tider er det enda vanskeligere å ta de virkelig tøffe takene for å omstille næringsliv. I dårlige tider er det virkelig enda vanskeligere å gjøre de store grepene med å legge om et skattesystem på en mer miljøvennlig måte. Den andre store utfordringen vi har, er hvordan vi skal bygge kunnskapssamfunnet vårt framover, hvordan vi skal skape det næringslivet som vi skal leve av framover, hvordan vi skal klare å stimulere til de arbeidsplassene som er framtidsrettet, som faktisk kan klare å holde i hevd de arbeidsplassene i internasjonal konkurranse også i de nye Her hadde vi en unik sjanse i Norge. Her hadde vi mange muligheter fordi vi har vært langsiktige fram til nå – vi har klart å ta de grepene. Men vi ser at vi har en regjering som ikke klarer å prioritere kunnskap, som ikke klarer å prioritere forskning, som ikke klarer å se at vi må gjøre noe med lærerutdanninga – at vi må gjøre noe med etter- og videreutdanninga av lærere, at vi må gi kunnskap status igjen hvis vi skal klare å bygge det samfunnet videre. Analysen er vi ofte enige om, men virkemidlene innenfor hele kunnskapsfeltet har vært feil. Denne regjeringa begynte med et hvileskjær på forskning, og i fjor så vi det dårligste forskningsbudsjettet på tiår. Vi hadde muligheten til å prioritere det i gode tider – mitt spørsmål er: Klarer denne regjeringa da å prioritere det i dårlige I de første trontaledebattene fra denne regjeringa inneholdt all flyktningpolitikk ordet «human». Nå forsvinner «human». Når vi tar bort begrepet «human» i gode tider, klarer vi da å prioritere humaniteten i dette i dårligere Når vi tar bort begrepet «human» i gode tider, klarer vi da å prioritere humaniteten i dette i dårligere tider? Vi ser at familier ikke lenger får leve sammen fordi man er så opptatt av å være streng at man nå har en kø av saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen om hvordan vi forvalter vår asylpolitikk, der vi er beinharde overfor alle som er

når vi ikke ser at de har klart å gjøre det i de tidene da de hadde veldig gode dager. Med det vil jeg ta opp forslagene vi har. Dermed har representanten Skei Grande tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Som representanten vet, gikk det veldig bra med Venstres søsterparti i Danmark, Radikale Venstre, under folketingsvalget i høst. Nå er partiet en del av den sosialdemokratisk ledede regjeringen. Representanten

Det er to helt ulike verdivalg. Jeg lurer likevel på hva representanten vil lære av den regjeringsplattformen som hennes danske søsterparti har vært med på å forhandle fram. For eksempel står det der at de vil styrke kommunenes tilskyndelse til å opprette helhetsskoler hvor læring, fysisk utfoldelse og sosiale aktiviteter kan integreres i et helstøpt forløp over hele dagen. Hva er forklaringen på at søsterpartiet til Venstre i et sammenlignbart nordisk land er sterkt for noe som norske Venstre er

dem og sender dem ut, når det er familiefedre som skulle vært sammen med sine barn og sin kone. Det er forskjellen. Det er en stor forskjell mellom det man ser at dagens regjering står for, og det vi har fått til i Danmark. Jeg skjønner det slik at Hadia Tajik ønsker en replikk til. Vær så god! Takk for svaret. Min utfordring til representanten var hva representanten vil lære av det som står i regjeringsplattformen til den danske regjeringen. Jeg skulle gjerne hatt et enda tydeligere svar på hvordan deres søsterparti gir sin tilslutning til et helt annet verdivalg enn det man ser at norske Venstre gir uttrykk for gang på gang ved mange veiskiller, der man støtter opp om Høyre og Fremskrittspartiet, sånn som man har gjort i Oslo, sånn som man gjør i Tromsø, og sånn som man gjør veldig mange andre steder. Det er to prinsipielt ulike veivalg, og det er det jeg gjerne skulle hatt klarhet i. Representanten Tajik må få med seg at politikk handler om hva man kan få gjennomslag for på ulike politiske områder. Radikale Venstre har fått massivt gjennomslag på miljø, massivt gjennomslag på gjennomslag på asyl- og flyktningpolitikk, som jeg ga eksempler på. De har nå fått skoleministeren. Det kommer til å påvirke dansk skolepolitikk at vårt søsterparti nå sitter med skoleministeren. Nå sitter vi med skoleministeren i Sverige, nå sitter vi med skoleministeren i Danmark, nå er det sannelig på tide at vi får en liberaler i skoleministerposten også i Norge. En ministerpost som Venstre uansett ikke får, er

En fjerning av formuesskatten vil føre til at vi deler ut 13 mrd.–14 mrd. kr til private, til noen av landets rikeste mennesker. Hvis vi tar det bare fra såkalt arbeidende kapital, går halvparten, 7 mrd. kr, rett til de menneskene i Norge – i hovedsak menn, for øvrig – som har over 3 mill. kr i inntekt. Venstre er også nødt til å ta inn over seg at det er en sammenheng mellom forskjellene i samfunnet, samfunnet, hvor store sosiale problemer man har i samfunnet, og hvor stor andel fattige vi får. Da lurer jeg på om Venstre også har tenkt å gå i seg sjøl og se på om man kanskje heller burde støtte opp under en omfordelende skattepolitikk og en progressiv skattepolitikk også for de rikeste. Jeg syns kanskje SV kunne gå i seg sjøl og begynne se på at dette ikke handler om å bekjempe fattigdom. Dette handler om å skape arbeidsplasser. Dette handler om å bruke skattesystemet slik at man faktisk skaper arbeidsplasser. arbeidsplasser. Det er ikke sånn at det fører til at man får mer luksusliv for noen få mennesker, men det fører til at bedrifter får penger tilbake som de kan investere i nye arbeidsplasser og nye bedrifter. Jeg skjønner at det ikke passer inn i SVs studiesirkler, men det er faktisk sånn virkeligheten er. Det er faktisk der arbeidsplasser skapes, det er i de selskapene arbeidsplasser skapes. Det er de menneskene som er med og skaper de arbeidsplassene, og det å Men det er helt riktig som Syversen sier, at det er viktigere å bekjempe fattigdom enn å bekjempe rikdom. For av og til er det sånn at folk som har ekstra penger, er med på å skape noe som gir masse muligheter til folk som de ellers ikke ville hatt. Disse såkalte studiesirklene som SV tydeligvis bedriver, deler vi i så fall med millioner av mennesker verden over, som nettopp er bekymra over en utvikling der det blir større forskjeller mellom fattige og rike, og at det har en klar påvirkning også på hvor mange som er fattige. Vi har fått en veldig interessant bok, som er fagfellevurdert forskning, som nettopp har gått inn og sett på sammenhengen mellom ulikhet i et samfunn og fattigdom, men ikke minst også sammenhengen mellom ulikhet og hvor godt samfunnet er å leve i for hele befolkninga. befolkninga. Vi slutter oss til den forskninga. Vi er enig i at det er bra å ha samfunn med små forskjeller, fordi det gir mindre helseproblemer, og det gir mindre kriminalitet. Det gir også større produktivitet fordi folk blir mer omstillingsvennlige. Så det er også bra for næringslivet å ha små forskjeller. Men det lar seg ikke samsvare med en skattepolitikk der de rikeste får stadig mer og drar ifra.

og det har ikke noe med kampen for å få til minst mulig forskjeller i et samfunn å gjøre, det er jeg er helt enig med Thorkildsen i, men det er ikke kampen mot at noen er med på å skape arbeidsplasser som faktisk bidrar her. Venstre vil gjennom sterk satsing på fornybar energi sikre at Norge opprettholder sin posisjon som energinasjon. Men i her. Venstre vil gjennom sterk satsing på fornybar energi sikre at Norge opprettholder sin posisjon som energinasjon. Men i praksis stemmer de imot småkraftverkplaner, vindmølleprosjekter, bygging av og andre ulike tilrettelegginger for økt bruk at fornybar energi. Mitt spørsmål er derfor: Hvordan vil Venstre i praksis øke bruken av fornybar energi uten å legge til rette for dette ved f.eks. å bygge skogsbilveier for uttak av skogsvirke og framføring av småkraftverk? Klimakampen er en kamp for å holde verdiene ved naturen vår ved like. Da er kampen for å få til mer fornybar energi viktig. Men det betyr ikke at vi skal rasere naturen på vår vei for å nå dit, for raserer vi all norsk natur for å vinne klimakampen, så er ikke klimakampen verdt å vinne. Derfor er det viktig å ta de avveiningene, avveininger som handler om at vi tar vare på noen områder. Vi må gjerne bygge ut vindmøller, men det betyr ikke at vi skal ha vindmøller overalt. Vi må gjerne bygge ut småkraftverk, men det betyr ikke at vi skal ha småkraftverk overalt. Det betyr at vi faktisk også skal utvinne olje i Norge, men ikke at vi skal utvinne olje overalt. Det betyr at vi skal bygge høyspentledninger, men kanskje ikke i de mest sårbare naturområdene vi har. Hvis vi ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig, så har klimakampen ingen verdi. Det er ikke noe vits i å kjempe for noe man allerede har ødelagt på veien.

sikt. For oss i Senterpartiet har det vært viktig å ha en målrettet, konkret energipolitikk der man kan bygge ut og bruke landets ressurser på en forsvarlig og langsiktig måte. Tilfeldige utbygginger med store naturinngrep er det ingen av oss som ønsker. Det er kortsiktig tenkning, for da klarer vi ikke å skape entusiasme rundt videre utbygging av fornybar energi. Jeg håper også Venstre ser at vi må være villige til å gjøre små inngrep for å klare å løse klimakampen. Men jeg har et spørsmål til Venstre om en annen sak, har et spørsmål til Venstre om en annen sak, og det gjelder at Venstre, som oss, har sine røtter i motkulturene. Senterpartiet har sine røtter i motkulturene. Da forundrer det meg stort at en av Venstres representanter, Ola Elvestuen, i forrige uke flåsete sa at det er å innføre leggetid når vi i Norge har et ønske om å føre en litt strammere alkoholpolitikk – når vi kjenner Venstres historie og Venstres røtter. Er representanten Trine Skei Grande enig i at det å føre en restriktig alkoholpolitikk er å innføre Da tror jeg nok at jeg og Slagsvold Vedum har litt ulik oppfatning av hva motkultur er. Motkultur handler jo om det å ha troen på lokaldemokratiet, troen på at man kan fatte kloke beslutninger også ute i det enkelte lokalsamfunn, og ikke tro at sentralmakten og all genialitet faktisk utgår fra denne sal. Venstres standpunkt til dette er at vi ønsker at kommunene skal få bestemme. Vi ønsker ikke at staten skal bestemme når folk skal gå hjem. Vi ønsker ikke at staten skal bestemme når folk skal gå hjem. Vi ønsker ikke at det er Stortinget som skal bestemme når utesteder skal stenge. Det mener vi at kommunestyrer kan bestemme. Det mener vi at hvert enkelt lokaldemokrati kan ha gode prosesser på å bestemme. Jeg tror faktisk at det er nærmere de motkulturene som Slagsvold Vedum snakket om – de felles sentrumsverdiene – enn det at staten skal bestemme når folk skal legge seg. Replikkordskiftet er dermed omme.

økonomisk vanskelige tider rundt oss, og ikke minst da vårt demokrati ble angrepet på den mest grusomme måten gjennom terroren i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli. I en slik tid gir det mening å slå fast at det er mer som forener oss, enn det som skiller oss som nasjon, samfunn og mennesker. Samtidig videreføres demokratiet ved at vi engasjerer oss. Det har tusener på tusener av mennesker vist ved lokalvalget nå, selv om valgdeltakelsen ikke ble like høy som det vi håpet på forhånd. Som parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet vil jeg også berømme alle partiene for deres innsats i en vanskelig tid og i en valgkamp som ble kortere og annerledes enn før. Vi har fortsatt store utfordringer i Norge, men likevel tror jeg de aller fleste kan si seg enig i at vi stort sett har det godt her i landet. Vi løser de store oppgavene i felleskap, vi tar vare på hverandre, vi bidrar til verdiskaping og fellesskap. Da FN i fjor nok en gang skulle kåre verdens beste land å bo i – og det ble Norge

Man bekjemper fattigdom ved å fordele rikdom. Det er også i dag verdt å minne om at det ikke er så lenge siden den norske modellen ble ansett som utgått på dato, men virkeligheten har vist oss det motsatte. Forholdsvis små inntektsforskjeller, ansvarlige et skattenivå som gjør oss i stand til å finansiere velferdstilbud som er tilgjengelig for alle – alle disse tingene har bidratt til å skape et samfunn med høy omstillingsevne, høy produktivitet og lav arbeidsledighet. Vi har en samfunnsmodell som danner grunnlaget for å møte framtiden med optimisme. Det er ingen grunn til å eksperimentere med denne vinneroppskriften, men vi skal ta vare på, forbedre og fornye den men vi skal ta vare på, forbedre og fornye den norske modellen. Politikk er viktig. Hvilken politikk som føres, betyr åpenbart og selvsagt mye for framtiden til landet og for hverdagen til folk. Politikk handler først og fremst om valg. Det handler om hvorvidt vi skal gi flere titalls milliarder kr i skattekutt, eller om vi skal trygge og bygge framtidens velferdssamfunn. Det handler om hvorvidt vi skal styrke fellesskolen med økt fokus på kunnskap, kvalitet og mestring, eller om vi skal åpne for en massiv privatisering av våre skoler. Det handler om hvorvidt vi skal bygge videre på fellesskapsløsningene, eller satse mer på et samfunn der den enkelte i større grad må være sin egen lykkes smed. Velferdssamfunnets framtid blir én av de debattene der vi i denne salen kommer til å skille lag ideologisk og politisk fram mot 2013. En sterk velferdsstat er bærebjelken i et trygt samfunn. Velferdsdebatten må handle om hvordan vi skal sikre gode og trygge helse- og omsorgstjenester for alle. Den må handle om hvordan vi kan finne løsninger som sikrer at alle mennesker i Norge får god behandling når de trenger det. Så skal vi ikke i disse debattene glemme at utgangspunktet er at vi har et av verdens beste velferdssystemer, men vi skal være kritiske og pragmatiske. Vi skal være villige til å fornye og endre. Vi skal ikke bare forandre for å bevare, vi skal forandre for å forbedre. Så er det, som flere i salen har vært inne på, ikke mer enn tre år siden den internasjonale

Stater sliter med økonomien. I mange land opplever man at folk får redusert sine lønninger og pensjoner. Den økonomiske usikkerheten sprer seg. Vi ser at finanskrisen har utviklet seg til en økonomisk krise, som igjen skaper grobunn for sosial krise og videre til en politisk krise. Det er veldig alvorlige tider i Europa. Våre samarbeidsland og handelspartnere er For tre år siden handlet det om å redde bankene. Nå handler det om å redde folks levebrød, men også om å redde land. Situasjonen der ute kan få følger Derfor er det så viktig at vi nå fører en ansvarlig økonomisk politikk for å trygge norske arbeidsplasser. Den rød-grønne regjeringen førte landet trygt gjennom finanskrisen. Man hadde en god forståelse av situasjonen, man hadde et veldig godt samarbeid med både arbeidstakere og arbeidsgivere, og man satte inn de rette tiltakene på det rette Det reddet mange bedrifter og arbeidsplasser over hele landet. Dessuten beskyttet man grunnlaget for vårt velferdssamfunn, som er høy sysselsetting. Arbeid har bestandig vært Arbeiderpartiets viktigste politiske sak. Det er det også i dag. Det vil det være til neste år. Men vi har også en oppgave i å forsvare velferdssamfunnet og ikke minst finansieringen av finansieringen av velferdssamfunnet. Alle partier har store ambisjoner på vegne av vårt velferdssamfunn, men ikke alle partier er med på å ta ansvar for å finansiere det, slik at folk får den helsehjelpen de trenger, at de eldre får en verdig omsorg, og at våre barn skal få en skole med høy kvalitet og kunnskap. Når Fremskrittspartiet vil bruke opp mot 100 mrd. kr i skattekutt, betyr det at felleskassen vår får 100 mrd. kr mindre. Det vil ramme vår evne til å finansiere helse, omsorg og skoler. Det er mange som har snakket om Roar Flåthen i dag, og derfor vil jeg også gjøre det. Han har sagt ja til en gjennomgang av formuesskatten, men han har også presisert at LO ikke har gått inn for å fjerne den. Roar Flåthen sier også videre at: «Vi må se på både problematiske og positive sider. Skatten sikrer sosial utjevning ved at om lag 2,5 prosent av landets rikeste betaler halvparten av den. Skatten gir rundt 13 milliarder kroner til velferd.» velferd.» For de partiene som her har varslet at de vil fremme Roar Flåthens forslag helt ordrett, gjør jeg også oppmerksom på at han sier at «skal det gjøres endringer må ikke det svekke statens inntekter eller føre til at de rikeste i samfunnet får en mindre skattebyrde.» Han sier også: «Det som kjennetegner land som ikke har formuesskatt, er at de ofte i stedet har langt høyere eiendomsskatt. Dersom en ser på formuesskatt og eiendomsskatt i sammenheng, ligger Norge under gjennomsnittet i Europa, og lavere enn i våre naboland. En gjennomgang kan se på balansepunktet mellom formues- og eiendomsskatt.» Jeg ser fram til å se Fremskrittspartiets forslag og hvorvidt de reflekterer helheten i det Det er mange som sier at ting var bedre før, men det er ikke helt sant. Det er i hvert fall verdt å merke seg de undersøkelsene som viser at folk stoler mer på hverandre i dag enn det de gjorde for eksempel i 1981. Det er et av de flotteste resultatene i et samfunn der vi stiller opp for hverandre: tillit. I en usikker verden trenger vi å stole på hverandre. Tillit og trygghet gir også frihet. I hjertet av sosialdemokratiet ligger ideen om frihet for det enkelte mennesket – frihet til å følge sine drømmer i et samfunn som sørger for et sikkerhetsnett for deg og dine, frihet til å jobbe for det du tror på, frihet til å si din mening og ha innflytelse over det samfunnet du er en del del av. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet, sammen med våre gode samarbeidspartnere i SV og Senterpartiet, fortsette å jobbe for et samfunn med sterke fellesskap. Det er et samfunn som gir mer frihet til oss alle. Det blir replikkordskifte.

melding jeg ønsker velkommen. Jeg vil gjerne be Helga Pedersen om å reflektere litt rundt det, fordi mange kommuner opplever nå det de kaller statlig overstyring. De opplever et sterkt hemmende statlig regelverk som gjør det vanskelig for dem å utnytte sine egne arealer. Det er en sterk provokasjon mange steder når det gjelder fylkesmannen som kommer med inngrep overfor kommunene, som de oppfatter som det er mindre og mindre lokal handlefrihet. Hva mener Helga Pedersen om en slik utvikling? For det første vil jeg understreke at Arbeiderpartiet fortsatt står bak det rød-grønne regjeringsalternativet – det skulle bare mangle, med de resultatene vi har fått til i løpet av disse årene. Vårt siktemål er å gå til valg sammen med SV og Senterpartiet i 2013 og vinne det valget sammen med dem. Vår regjering skal tåles og måles på resultater, men jeg synes velgerne har rett til å få vite hvilke alternativer de har, og at det rød-grønne alternativet også bør blir målt opp mot det som måtte være av alternativer på borgerlig side – hvis det kommer på plass før 2013. Vi i Arbeiderpartiet er opptatt av lokaldemokratiet en reell mulighet for våre lokalpolitikere til å bestemme. Det viktigste vi da kan gjøre, er å sikre at våre lokalpolitikere har en økonomi som gjør at de kan gjøre reelle prioriteringer og valg. Så er det ofte et dilemma i hvor stor grad man skal legge statlige føringer, og i hvor stor grad saker skal avgjøres lokalt. Men det er veldig underlig å få det spørsmålet fra Fremskrittspartiet, av alle, som så til de grader har tatt til orde for økt statlig styring, stykkprisfinansiering osv. Fremskrittspartiet har tatt til orde for en likebehandling av borgerne, uavhengig av om de bor i en rik eller i en fattig kommune, men den debatten kan vi komme tilbake til. Jeg mener det er en økende utfordring for mange kommuner at de har mindre og mindre rådighet over egne arealer. La oss ta Nittedal kommune utenfor Oslo. Én prosent av Nittedals areal står til lokalpolitikernes frie disposisjon. De øvrige arealene er båndlagt av staten av ulike årsaker. Det gir liten handlefrihet til en kommune i vekst som trenger å frigjøre areal bl.a. til boligbygging. Da handler det om å gi lokalpolitikerne handlefrihet der hvor de helt åpenbart har ansvar – i som betyr så uendelig mye for kommunenes mulighet til å legge forholdene til rette for økt tilflytting og velvære for beboerne. Når man da ser den motsatte utviklingen, med stadig flere statlige inngrep og reguleringer, er det ikke da på tide å begynne å reversere dette?

føringer for å være sikre på at det vi vedtar her i salen, skal bli gjennomført. Når representanten Siv Jensen nevner miljø og areal, er nettopp det et område der vi i større grad har sluppet opp den siste tiden med hensyn til strandsonepolitikken på Vestlandet. Men hvis vi skal diskutere lokalpolitikkens vilkår, må vi ta med hele perspektivet. Da må vi også ta med vår vilje til å finansiere lokaldemokratiet, slik at lokalpolitikere, enten de kommer fra Arbeiderpartiet eller politiske valg. Så må vi også diskutere Fremskrittspartiets hang til stykkprisfinansiering, til en mye sterkere detaljstyring av helse- og omsorgssektoren og at man på mange områder ønsker nettopp å ta handlefriheten fra våre lokalpolitikere og overføre den til et statlig byråkrati.

Det er jo ikke slik at de 200 000–300 000 arbeidsplassene som er blitt skapt, er blitt vedtatt av regjeringen. De kom fordi det er folk som gjør som Bjarne Håkon Hanssen sa: De står opp om morran og går på jobb. Og så er det folk som eier bedrifter og skaper bedrifter. Da tenker jeg som så at det ville vært naturlig, når det er mange i Norge som er flinke til å skape bedrifter og skape arbeidsplasser, å spørre dem om råd om hva slags politikk man skulle føre – på samme måte som når Norge gjør det godt i VM. Da er det hyggelig at det skjer under rød-grønt styre, men det mest naturlige ville jo være å spørre idrettsutøverne og trenerne hvordan de kan gjøre det enda bedre ved neste mesterskap. Næringslivet etterspør jo bl.a. mer forskning, bedre skole, mer samferdsselssatsing. De etterspør også lettelser i formuesskatten og mindre byråkrati.

En av de tingene NHO har vært veldig opptatt av å si til vår regjering, er at det må forenkles mer i næringslivet. Ja, det har vår regjering tatt til følge. Man har fjernet revisjonsplikten for de små bedriftene. Man har senket kravet til aksjekapital. Det er forslag som næringslivet har Så er jeg helt enig med Høyres representant her i at vi skal satse på skole, vi skal satse på samferdsel, og vi skal satse på forskning. Derfor har vi satset på alle disse områdene, og barn lærer mer på skolen i dag enn de gjorde under Bondevik II-regjeringen. Jeg lytter veldig godt når Arbeiderpartiets parlamentariske leder snakker. Jeg får høre at representanten gjentar «å skape og dele», men jeg er litt mer usikker på om hun egentlig tar konsekvensen av det. jeg er litt mer usikker på om hun egentlig tar konsekvensen av det. La meg bare ta et enkelt eksempel: Hvis det er slik at jo flere midler bedriftene har – flere midler kan vi vel være enige om – for å skape nye arbeidsplasser, jo tryggere blir også arbeidsplassene. Hvorfor er det da ikke en fornuftig idé å la bedriftene beholde flere midler, slik at de kan skape flere arbeidsplasser og trygge flere arbeidsplasser? Det er jo ikke slik at man trygger Norges velferd i fremtiden gjennom å skatte mer hvis man skaper mindre.

II-regjeringen. Hvis det er slik at skattelette i seg selv skulle gjøre at nye arbeidsplasser poppet opp, vil jeg gjerne høre hvor Torbjørn Røe Isaksen henter sine gode eksempler fra. Hadde hans logikk hengt sammen, så hadde Hellas vært et paradis i dag fordi man der nettopp har kuttet skatter. Men det endte ikke i mer verdiskaping og i flere inntekter for staten der – tvert imot, det gikk veldig dårlig.

leting etter det ideologiske ståstedet for Arbeiderpartiets parlamentariske leder. Hun snakket om «fellesskapsløsningene», «fellesskolen» – en rekke viktige tjenester for befolkningen. Mener hun at det er samsvar mellom velferdsstat og velferdssamfunn, eller mener hun at det faktisk er en tredje påle i det norske samfunnet: det sivile samfunn? Hvilken rolle mener hun i tilfelle at det skal spille? Når det gjelder Hellas: Ja, det er helt sikkert flere elementer der. men representantene for de partiene som står for en skattelettepolitikk, må gjerne komme med andre eksempler fra Europa der man har kuttet kraftig i skatter, der det blomstrer i næringslivet, og der man har bygd opp under velferdssamfunnet. Når det gjelder spørsmålet fra representanten Syversen, så er det viktig at vi har en stat som omfordeler. Men det er klart at i et moderne velferdssamfunn har de frivillige aktørene og det sivile samfunnet en svært viktig rolle. Det har vi ikke minst sett i sommer etter Utøya, da Røde Kors, Norsk Folkehjelp og mange, mange andre frivillige stilte opp, hjalp til og gjorde situasjonen mye enklere å bære for dem som

barnehageplasser og på Samhandlingsreformen som nå skal på plass. En arbeiderpartiordfører i Skedsmo har vært veldig tydelig på at dette er viktig, og sagt at hvis ikke debatten kommer nå, må det skje ved tvang. Er representanten Pedersen enig i at hvis ikke debatten starter nå, må det skje ved tvang etter hvert?

kommunestruktur i landet, og at en ny struktur bør skje basert på frivillighet. Så får vi i neste omgang diskutere om man – hvis frivillighet ikke fører fram – skal åpne for en styrt sammenslåing. Jeg er blant dem som har tatt til orde for det, men frivillighet er det man først bør basere seg på. Replikkordskiftet er omme.

ei bombe under samfunnssolidariteten, ikkje berre ei sosial bombe for den enkelte. For det andre er det ein tett samanheng mellom tillit til offentlege institusjonar og sosial tillit mellom velferdsstaten, institusjonar og det sivile samfunnet. «A small state will not produce a big society», som Labour-leiar Ed Miliband har formulert det. For det tredje er tilliten høgare i samfunn med Å redusere sosiale forskjellar er altså viktig òg i eit tillitsperspektiv. Mange av dei målsetjingane eg har gått igjennom no, er heldigvis overordna mål for mange. Men det er òg sånn at politikken og verkemidla går i ulik retning. På fredag la regjeringa fram fordelingsmeldinga, som viser at forskjellane i Noreg dei

Høgre foreslo skattekutt på i snitt 60 000 kr for dei med inntekt over 3 mill. kr i siste alternative statsbudsjett og Framstegspartiet langt meir. Partia er einige i sine program om å opne for meir lokal lønsdanning og for noko auka lønsforskjellar i Noreg. Vi vil òg trenge all den samfunnssolidariteten som vi kan få til å løyse vår generasjons aller største utfordring i tiåra som kjem: dei globale klimaproblema. Min generasjon står overfor eit val. Vi kan velje kva forteljing vi vil gi til våre framtidige barnebarn. Eg vil gjerne seie at min generasjon fryktar farlege klimaendringar for den generasjonen som kjem etter oss, vil derfor leggje grunnlaget for at dei ikkje skal få så dramatiske konsekvensar som dei kan få. Dette er eit val vi ikkje kjem til å få mange gonger i livet. Derfor er klimapolitikken den viktigaste saka, det viktigaste overordna spørsmålet, i det året vi går inn i. Vi må kome på sporet igjen av ein internasjonal avtale med tak på og ein global pris på karbon. Samtidig veit vi at utfordringa med å få oppslutning om det er svært vanskeleg og kan ta tid. Derfor må vi òg leggje fram ei klimamelding som tek tak i tunge sektorar som industri, petroleum, transport og bygg, og vise til korleis vi kan få ned klimautsleppa i Noreg – også i samarbeid med andre land og Vi må rett og slett begynne på den samfunnsmessige omstillinga til eit grønare og meir klimavennleg samfunn. Det er billegare å gjere det raskt, det er smartare å gjere det raskt, og det er det som er nødvendig for å nå målet om at oppvarminga ikkje skal gå utover om lag 2 grader, og at vi skal sleppe dei mest dramatiske konsekvensane av klimaendringane. Derfor må vi starte omstillinga

Det gjør man når det gjelder de regionale helseforetakene, hvor hensynet til Arbeiderpartiet er viktigere enn hensynet til egen politikk når man vil legge ned de regionale helseforetakene. Det gjør man overfor landets eldre når de står i kø for å få sykehjemsplass, det gjør man overfor rusmisbrukerne; det er over 5 000 som venter på behandlingsplass, og det gjør man overfor de foreldrene som er så uheldige å få barn for sent på høsten, slik at de ikke får barnehageplass. Kan representanten Solhjell være snill og nevne noen tilfeller hvor SV faktisk har sagt enkeltmennesket, pasienten, borgeren foran systemet? Eg trur kanskje at dersom representanten Olsen kjende den interne kulturen i SV ganske godt, ville han ikkje omtale han som typisk kollektivistisk. Det får seg av og til uttrykk som ein kan sjå utanfor SV óg. Når det er sagt, er mitt syn at nettopp det å setje enkeltmennesket sine rettar og sin fridom i sentrum, er kjernen i venstresidas tradisjon òg i velferdspolitikken. Når vi har sørgt for at alle barn i Noreg har rett til ein barnehageplass og vi har bygd ut nok barnehageplassar til det, er det nettopp for at den enkelte, foreldre og barn, skal skal ha fridomen til å kunne velje ein barnehageplass. Og skal ein kunne velje det, må ein faktisk ha nok plassar til å kunne få til det. Den same tenkinga ligg òg til grunn for vår politikk på skuleområdet og på helseområdet. Det å velje når du vil stå opp, kva tilbod du skal ha, at skular skal kunne gi ulike tilbod til elevar, er kjernen i ein god velferdspolitikk. Den viktigste veien ut av fattigdom er

Solhjell snakket også om tillit og betydningen av tillit. Vi kan vel konstatere at tilliten til SV i forskningsmiljøene har sunket i takt med innsatsen på forskning i løpet av disse årene. Hvis man nå ser i et litt lengre perspektiv, mener SV at den forskningspolitikken som er ført, har vært tilfredsstillende for våre langsiktige behov? Mener Solhjell at dette er et godt utgangspunkt for en videre utvikling av arbeidsplasser i vårt land? Eg meiner at regjeringa har ført ein svært god forskingspolitikk, ikkje minst viss vi ser på løyvingane til forsking, har dei vore gjennom ein kraftig vekst i den perioden regjeringa har sete. Eg hugsar at eg i valkampen 2009 sa i ein debatt at vi har hatt ein langt sterkare auke i løyvingane til forsking i den fireårsperioden enn i den førre fireårsperioden under Så vart det meldt inn til Bergens Tidendes faktasjekk, og påstanden vart bedømd som heilt sann. Det har vore ein kraftig vekst i forskingsløyvingane. Så har det òg vore gjort viktige grep på innhaldssida, og det er lagt fram ei forskingsmelding som peikar ut ei retning. Men for all del, heldigvis er det sånn at det er nye utfordringar, viktige ting, å ta tak i framover. Og viss eg skal nemne ein ting, er det

da han snakket om fordelingsmeldingen, at det lever 74 000 barn i det som betegnes som langvarig fattigdom, under en regjering som skulle avskaffe fattigdom. Nå er det allment akseptert at arbeid til flere vil utjevne forskjeller, og det vil kunne redusere fattigdommen.

men viss det ikkje hadde vore vekst i talet på arbeidsplassar, er eg rimeleg sikker på at representanten Flåtten og andre frå opposisjonen hadde gitt regjeringa skulda for det. Eg meiner at det òg heng saman med viktige delar av politikken. For det første: Ein god skule, barnehage, høgare utdanning, yrkesopplæring – altså det at ein legg eit godt kunnskapsgrunnlag gjennom heile livet. Veksten i forskingsløyvingar er viktig for framtidig verdiskaping og næringsutvikling, og på begge dei områda har vi enda meir som gjenstår for å leggje grunnlaget for eit vekstkraftig næringsliv framover. Så vil eg òg trekkje fram behovet for innovasjon for t.d. å gjere staten enda smartare, gi moglegheiter for ny vekst innafor bransjar som telemedisin, som omsorgsteknologi, der det er eit stort utviklingspotensial for Noreg. Når presidenten forsøker å bruke klubben, har det sammenheng med at det står fire nuller på klokken foran der. Tre nullar. Så det er greit å holde et lite blikk på den. Europa er i en kritisk økonomisk situasjon, og statsministeren understreket veldig tydelig i sitt innlegg at da er det særs viktig at også Norge bruker sine offentlige penger på ting som er riktige og viktige. Og da tenker jeg at i så henseende må jo milliardinvesteringen i norsk skole, som SV har vært en pådriver til, nemlig å øke timeantallet i skolen, være tilnærmet en skandale. Fram til nå er det brukt 2,5 mrd. kr på denne timetallsøkningen, og når vi er kommet til valget i 2013, vil dette beløpet være på 4,5 mrd. kr. Forskerne kaller man kunne ha fått etter- og videreutdanning til 4 000 lærere tilsvarende 30 studiepoeng, eller representanten kunne ha fått halvveis oppfylt løftet sitt til studentene om 11 måneders studiefinansiering for de samme pengene. Har representanten fortalt finansministeren at dette er penger man ikke kan dokumentere effekt

Det burde han ha gjort. Men jeg skal likevel spørre om noe annet. Noen av oss som er opptatt av en mer human asylpolitikk, og som har sett at denne regjeringa er blitt dømt, og at det nå også er brakt inn mange andre saker for EMK, ble veldig oppløftet av at en av lederkandidatene i SV, nemlig Heikki Holmås, ville ta et asyloppgjør i regjeringa. Det gikk han hardt ut med den 20. september, og da tenkte vi at nå kan vi kanskje bruke anledninga – etter dommene i EMK – til å få en ny asylpolitikk. Det varte i helt nøyaktig to timer før Pål Lønseth ved Justisdepartementet sa at det var det ikke snakk om – man skulle ikke endre politikken. Dette gjaldt bare en enkelt sak. Er det så kort engasjementet til SV egentlig varer? Engasjementet til SV for ein liberal integrerings-, flyktning- og asylpolitikk varer veldig lenge, og på nokre viktige felt, som t.d. gjeld barn, har vi gjort viktige endringar på det området som har betyding for menneske i Noreg. dei partia som står for den politikken i Noreg – SV, Venstre, og eg vil leggje til Kristeleg Folkeparti – ikkje gjorde noko brakval akkurat i 2009. Summen av det er at parti som står for ein annan politikk enn dei vi samarbeider med, har eit klart fleirtal her i Stortinget og hadde det same då vi sat og forhandla regjeringsgrunnlaget. Så eg trur at akkurat når det gjeld det konkrete området, får vi kome tilbake til i vidare diskusjonar framover og sjå om det er behov for endringar, og om det er mogleg å skape fleirtal for det. La meg takke for det første svaret og bekrefte overfor representanten Solhjell at jeg ikke kjenner for godt til de interne forholdene i SV. Det er sannsynligvis en fordel for både Solhjell og undertegnede.

hvorfor er da representanten Solhjell og SV motstander av rettighetsfesting når det gjelder BPA-ordning, sykehjemsplass, osv.? I tillegg: Vil Solhjell bekrefte her og nå at han ønsker å gjøre noe, med f.eks. et rullerende opptak, slik at foreldre som får barn sent på høsten, også har den samme retten til barnehageplass? Til det siste først: Når vi har kome dit at vi har kapasitet, er det naturleg å sjå vidare på det, som det står i SVs program. Ganske mange kommunar ligg jo allereie over det som er lovens krav i dag. Så til spørsmålet om rettsfesting av sjukeheimsplass i forhold til barnehageplass. Eg meiner at det faktisk er to ganske forskjellige ting. For det første er det sånn at ein veit godt når barnet er fødd, og kor lenge det er til Men når det gjeld sjukeheimsplass, er det i stor grad eit medisinsk spørsmål som ein har behov for å vurdere på ein heilt annan måte. I barnehage- og skulepolitikken er det eit mål at flest mogleg barn skal ha moglegheit til å gå i barnehage og skule uansett. Målet i eldrepolitikken er jo ikkje at flest mogleg eldre skal vere på men at flest mogleg eldre skal vere i ein situasjon der dei kan unngå sjukeheim så lenge som mogleg, leve gode liv heime og få sjukeheimsplass når dei har behov for det. Det er rett og slett ein heilt ulik situasjon, noko eg er overraska over at Framstegspartiet ikkje ser sjølv. Replikkordskiftet er omme. Det går en linje fra eidsvollsmennene på bildet bak meg til oss. På bildet snur Christie seg og ser ned på oss som sitter i dagens storting. Symbolikken i bildet er: Nå har vi omme. Det går en linje fra eidsvollsmennene på bildet bak meg til oss. På bildet snur Christie seg og ser ned på oss som sitter i dagens storting. Symbolikken i bildet er: Nå har vi lagt grunnlaget, Nå har vi lagt grunnlaget, oppgaven deres er å forvalte arven videre. Vi som er folkevalgte i det 156. storting, er en del av en rekke, av noe større enn bare samtid. Vi forvalter en arv som binder oss sammen som ett folk. Å forvalte er ikke det samme som å konservere. Det er å bygge videre på de sidene av samfunnet som er av det gode, som våre forfedre har bygd opp. I etterkant av de grusomme terrorhandlingene som rammet oss i sommer, er det viktig at de valgene vi gjør, bygger videre på den tradisjonen vi står i, og som ble løftet fram ikke minst av statsministeren i dagene etter 22. juli. Vi skal verne om det samfunnet vi kjenner, det demokratiet som vi i generasjoner møysommelig har bygd opp, og vår frihet som norske borgere. De siste ukers debatt dreier mer og mer mot mer sikkerhet og mer kontroll. Det er forståelig og ikke Men vi må vokte oss for mindre prinsipiell tenkning rundt straff, kontroll og overvåkning. Vi må ikke i vårt ønske om å verne fellesskapet berøve enkeltmennesket dets rettssikkerhet eller frihet. Vi kan – og vi skal – lære hvordan vi bedre kan sikre oss mot den ensommes skadeverk. Men vi kan aldri eliminere all risiko, uansett tiltak, for det å leve i et samfunn innebærer tillit til medmennesker, både kjente og fremmede. Et demokratisk samfunn kan aldri bygges på overvåkning, kontroll og frykt. Mens vår sommer her hjemme har vært preget av terrorangrep, har verden rundt oss vært preget av en helt annen type krise. Det er mørke skyer over EU, og det er mørke skyer over verdensøkonomien. Evnen til å ta nødvendige politiske grep raskt nok er svak. Når vi diskuterer økonomi, er det børs, renter og valutakurser som dominerer overskriftene. Men konsekvensen av en krise handler om noe mye viktigere. Den handler om folk, for krisen rammer folk, og krisen rammer alltid den som har minst fra før. Den krisen vi nå står overfor, kommer på et tidspunkt da ungdomsledigheten i et land som Spania allerede er på 45 pst. Et av EUs største problemer

Samtidig har viljen til å la seg integrere knapt noen gang vært mindre hos befolkningen i EU-landene. I EU har man skapt et system som er selvforsterket, i den forstand at det krever stadig mer sentralisering av makt for å kunne bli opprettholdt. I EU utgår ikke lenger makten fra folket, men fra et selvforsterkende system av maktsentralisering. Millioner av europeere står utenfor arbeidsmarkedet. Mange av dem har jobbet hele livet. De opplever store kutt i lønninger, velferdsgoder og pensjoner. Det er dramatisk det som skjer hos våre nærmeste venner. Hva som vil skje framover, er umulig å si. Bare det at det er en reell debatt om euroens framtid, viser hvilken grunnleggende krise EU er i. Vi som sitter i denne salen, skylder det norske folk en stor takk for at man to ganger har stått imot presset fra eliten og flertallet i denne sal og sagt nei til unionen og dermed nei til euroen. Nå – mer enn noen gang – viser nasjonalstaten å stå seg som en vellykket politisk enhet. Følelse av fellesskap er en forutsetning for et levende demokrati og vilje til omfordeling. Fellesskapet gir en nødvendig legitimitet til tydelige politiske grep i krisetid.

Ikke bare har det rød-grønne flertallet slått Børge Brendes rekord i antall vernede kvadratkilometer, man har også fått en ny plan- og bygningslov som har overført makt til statlig byråkrati. Når det gjelder skogsbilvegbygging, motorferdsel i utmark og etablering av hyttefelt i utmark, har man overlatt mer beslutningsmakt til statlig byråkrati, og man har svekket lokaldemokratiet. Setervoller som har vært brukt i århundrer – og som har overlevd både napoleonskriger og står i fare på grunn av statlig byråkrati. Da lurer jeg på: Hvilke grep vil Senterpartiet gjøre i denne perioden for ytterligere å svekke det lokale demokratiet? Det er tydelig at representanten Lien har vært i valgkamp. Det er bra, for da blir vi ivrige og flinke til å formulere oss skarpt og tydelig. Vi kommer ikke til å gjøre noen grep som skal svekke lokaldemokratiet. Vi skal legge fram en melding som klargjør forholdet mellom kommune og stat. stat. Lokaldemokratiet er en helt avgjørende premiss for hvordan vi styrer Norge. Det forundrer meg litt at Fremskrittspartiet har blitt så veldig opptatt av lokaldemokratiet i dagens debatt. Deres nestleder, Per Sandberg, har vært den som tydeligst har tatt til orde for tvangssammenslåing, at de der ute ikke forstår hva som er best for dem selv, de der ute må vi tvinge sammen så det blir større enheter, for vi i ledelsen i Fremskrittspartiet ser bedre hva som er best måte å organisere f.eks. mitt fylke, Hedmark, på, enn det man gjør så det blir større enheter, for vi i ledelsen i Fremskrittspartiet ser bedre hva som er best måte å organisere f.eks. mitt fylke, Hedmark, på, enn det man gjør selv. Fremskrittspartiet er jo et sentralistisk parti. Per Sandberg løftet fram – senest i valgkampen – at målet deres er å slå sammen kommuner med tvang, på tvers av folks lokale vilje. La meg være krystallklar på at det ikke er sånn at kommuner av minst mulig størrelse skaper best mulig lokaldemokrati.

ønsket. Kunne ikke leksehjelpordningen være et godt eksempel som Senterpartiet kunne bruke til nettopp å styrke lokaldemokratiet, ved å si at pengene skal kommunene få beholde for å styrke skolen, men hvordan man organiserer det, skal kommunene få lov til å bestemme Representanten Lien har sikkert, som jeg, reist mye rundt under lokalvalgkampen og sett at det er stor lokal frihet i hvordan man organiserer skolehverdagen. Jeg var bl.a. på en skole i Tolga kommune der nesten all undervisning foregikk ute, og de klarte å nå de nasjonale læringsmålene, selv om den gjorde det. Senterpartiet – og jeg – mener at det er helt rett at vi har noen tydelige nasjonale mål for fellesskapsskolen, og at vi her i Stortinget setter noen nasjonale standarder for hvilken skole vi ønsker å ha. Så får det være opp til den enkelte pedagogiske leder og det enkelte kommunestyre å diskutere hvordan man når målet. Men at vi har en tydelig styring på skolen, er viktig. For vi ønsker at uansett hvor du bor – i Kirkenes, på Ilseng eller i Oslo – skal du ha en god skole. Da trengs det statlige midler og en statlig styring. Høyre er opptatt av at vi skal ha verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. landet. Ofte er det jo nettopp distriktene som sitter på de store ressursene vi trenger for å utvikle fremtidens velferd. Det kan dreie seg om energi, det kan dreie seg om landbruk, havbruk, reiseliv, mineraler osv. Nå er det sånn at vi nylig har hatt et lokal- og fylkestingsvalg. Vi har en rekke nye, veldig engasjerte lokalpolitikere som ivrer etter å ta fatt på jobben, også den jobben som handler om å tilrettelegge for fremtidig verdiskaping. Spørsmålet mitt er:

mill. kr. Dette er den tyngste industrien rundt omkring i hele Norge og en forutsetning for at vi skal klare å bruke de råvarene og de ressursene vi har i landet vårt. Så vi er veldig fornøyd med det budsjettet som blir lagt fram på torsdag, ikke minst når det gjelder næringsmiddelindustrien, som er en stor og betydningsfull næring for

finnes kvist. Jeg skal prøve å være litt mer konkret. For Høyre er lokaldemokratiet en av de viktigste musklene vi har for å ha bosetting i hele landet, at mennesker kan snu seg rundt i eget lokalsamfunn, se hvordan tilstanden er, kanskje komme på noen gode ideer om hvordan man kan endre ting, og så ha mulighet til å gjøre grep, bli enige om at man gjerne vil gjøre det slik her – uten at man skal føle seg overkjørt av sentrale myndigheter for ofte. Det er veldig viktig. Det er veldig viktig. Statssekretær Heidi Sørensen reiser rundt med et lobbykurs der hun lærer miljøvernorganisasjoner og andre særinteresser hvordan de på en best mulig måte skal stikke kjepper i hjulene for kommuner som vil tenke for mye selv. Mitt spørsmål til representanten blir: Har Senterpartiet noen medisin mot dette, siden man i utgangspunktet mener at det bør være fred og fordragelighet og muskler nok ute?

Og hvorfor kan ikke familiene få valgfrihet til å legge opp sin egen hverdag sånn som den fortoner seg rundt omkring i deres egne lokalsamfunn? Dette var en replikk jeg er veldig glad for – jeg fikk ikke tid til å snakke om kontantstøtte i innlegget. Vi er veldig stolte over og glad for den målrettingen vi nå gjør av kontantstøtten. Det vi gjør nå, er å styrke kontantstøtten for de minste barna. Vi øker den fra 3 300 kr til kr. Vi vet av erfaring og ser av tallene at det er når barnet er minst, at flest ønsker å bruke kontantstøtten. Når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV nå i fellesskap har klart å gjøre en sånn målretting, er jo det en sikring av ordningen. Så Kristelig Folkeparti bør også juble når de lukker døra, for gjennom at vi har gjort dette grepet, vil vi få en bærekraftig og god kontantstøtteordning framover. Nå har vi gjort tre store grep i familiepolitikken: Vi har gjennomført barnehageløftet, vi har forbedret foreldrepermisjonen med fire uker og i tillegg innført selvstendig opptjeningsrett for personer som er selvstendig næringsdrivende, og nå styrker vi kontantstøtten for de minste barna. Det er en kjempegod familiepolitikk som kommer til å stå seg over tid, og som Kristelig Folkeparti hører godt hjemme i. Representanten skal også få mulighet til å snakke om næringspolitikk. Næringspolitikk, gründerpolitikk og verdiskaping er

selskaper, og det varsles redusert krav til aksjekapital. Det er bra, og noe Venstre har jobbet for lenge. Det gjenstår derimot to andre viktige ting, og det er forenkling og bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Forenklingen har gått feil vei. Ifølge Dagens Næringsliv 30. september

Jeg vil ta utgangspunkt i den livsfasen jeg selv er i – jeg er i småbarnsfasen. Den reformen vi gjennomførte av fødselspermisjonen i forrige periode, som gir selvstendig næringsdrivende like god opptjeningsrett som arbeidstakere, var en stor reform som sikret nettopp det representanten her tok til orde for, bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Det er nyttig, og det gjør at unge folk har mer fleksibilitet i forhold til hvilke yrkesvalg de ønsker å ta, og vi er veldig stolt av den endringen. Så må jeg bare få gjenta at den forenklingen som vi nå gjør ved å fjerne revisjonsplikten for små AS, er en stor reform, med massiv motstand hos mange. Men på grunn av at regjeringen har veid hensyn opp mot hverandre og tør å stole på de private, gjennomfører man nå en sånn forenkling. Dette er to viktige grep, og så må vi se videre på hvilke andre typer grep vi skal gjøre. Men noe av det viktigste – og det vet jeg selv også som selvstendig næringsdrivende – er at vi har en forutsigbar skattepolitikk. skattepolitikk. Det som var poenget i forrige periode da dere hadde makten, var at det var så mange endringer at det var nesten umulig å tilpasse seg og planlegge som selvstendig næringsdrivende. Replikkordskiftet er omme. Den 22. juli 2011 vil prege Norge som nasjon i lang, lang tid. Mange mistet livet i regjeringskvartalet og på Utøya. Mange mennesker ble skadd, og

Jeg vil understreke at det er legitimt å stille spørsmål rundt hvordan politiets aksjon og redningsarbeidet ble gjennomført. Samtidig er det betimelig også fra denne talerstol å gi honnør til dem som var i aksjon, både fra de profesjonelle nødetatene og andre offentlig ansatte, og ikke minst til frivillige som gjorde en formidabel innsats under svært vanskelige forhold.

Jeg legger til grunn at ytterligere informasjon også kan gis i forbindelse med Stortingets behandling av regjeringas forslag til statsbudsjett for 2012 og i budsjettdebatten. Innledningsvis ønsker jeg å minne om at regjeringa i samråd med de politiske partiene på Stortinget jo har oppnevnt en kommisjon for å gjennomgå angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Hensikten med kommisjonens arbeid er å foreta en gjennomgang og evaluering med sikte på at det norske samfunnet skal stå best mulig rustet til å avverge og å møte eventuelle framtidige angrep, samtidig som en tar vare på sentrale verdier i Norge. Jeg er opptatt av at vi får fram fakta og drar lærdom av de erfaringene som er gjort. Vi må tåle at kritiske spørsmål stilles. Dette bidrar til at vi kan forebygge bedre, forsterke beredskapen mot terror og forberede et bredt og nært samfunnssikkerhetsarbeid. Jeg er også fornøyd med at politidirektøren har besluttet å gjennomføre en omfattende evaluering av politiets håndtering av angrepene, samtidig som sjef PST har besluttet å gjennomføre evalueringen av PSTs arbeid både før og etter 22. juli 2011, og Dette er materiale som blir gjort tilgjengelig både for kommisjonen og for EOS-utvalget. Regjeringa har som en av sine viktigste oppgaver å bekjempe alle trusler mot vårt demokrati og sikre befolkningens trygghet. PST og det øvrige politiet er sentrale aktører for å sikre nasjonens og befolkningens sikkerhet. Mye har vært gjort både av denne regjeringa og av tidligere regjeringer for å styrke beredskapsarbeidet også forut for 22. juli. Regjeringa er opptatt av å ha en sikkerhetstjeneste og et politi som jobber målrettet med å forebygge og avverge slike grufulle handlinger. Kampen mot terror er en kontinuerlig prosess. Trusselbildene er i endring. Jeg vil allerede nå varsle om at det er tatt grep for å styrke beredskapen. Vi venter ikke på kommisjonens og igangsatt arbeid vil bli fulgt opp av regjeringa før kommisjonens arbeid er sluttført og evalueringene til politiet og PST foreligger. Det er de senere årene gjennomført flere organisatoriske endringer for å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet, bl.a. gjennom etableringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i 2003 og ved å gi Nasjonal sikkerhetsmyndighet en faglig rapporteringslinje til Justisdepartementet. Regjeringa etablerte videre Direktoratet for nødkommunikasjon i 2007. Skiftende regjeringer regjeringer har styrket PST både økonomisk og bemanningsmessig for å kunne håndtere mer komplekse saksforhold bl.a. knyttet til terror. Bevilgningen til PST er siden regjeringa Stoltenberg tiltrådte i 2005, nominelt økt med 61 pst., fra 240 mill. kr i 2005 til 386 mill. kr i 2011. I revidert nasjonalbudsjett for 2011 ble PST styrket med ytterligere 5,3 bl.a. til etterforsknings- og spaningskapasitet samt til nødvendige investeringer. I tillegg foreslår regjeringa å øke bevilgningene til PST med ytterligere 21,9 mill. kr i 2011, og bevilgningene vil også bli foreslått økt i forbindelse med statsbudsjettet for neste år. PST er helt avhengig av et nært og tillitsfullt samarbeid med andre aktører både nasjonalt og internasjonalt for å Jeg er enig med parlamentarisk leder i Høyre i at vi trenger all den åpenheten vi kan, knyttet til PSTs situasjon. Det er også bakgrunnen for at regjeringa har valgt å være åpen de siste årene, både med hensyn til budsjett og antall ansatte og også med hensyn til å gi åpne årlige trusselvurderinger. Regjeringa presenterte i desember 2010 handlingsplanen «Felles trygghet – felles ansvar» for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. De som hevder at det ikke fins planverk på dette, tar feil. Planen bygger på fire hovedinnsatsområder som også anses som svært relevante områder internasjonalt: økt kunnskap og informasjon, styrke myndighetenes samhandling, styrket dialog og økt involvering og støtte til sårbare og utsatte personer. Dette var altså i desember 2010. Forebygging er avgjørende for å forebygge først, før voldelige ekstreme holdninger blir til handlinger. Politiets og påtalemyndighetenes budsjetter er økt fra om lag 8,2 mrd. kr i saldert budsjett 2005 til om lag 12,2 mrd. kr i saldert budsjett 2011. Jeg hilser velkommen den invitten Høyres leder kom med i sitt hovedinnlegg, om at vi skal dreie debatten til bl.a. å se på: Hva er det faktiske ressursbehovet, hvordan anvender man bl.a. denne budsjettveksten som man har fått i løpet av de siste årene, på henimot 50 pst.? Det er en debatt jeg hilser velkommen. Justisdepartementet er tillagt en samordningsrolle for å sikre en helhetlig og koordinert beredskap. Den sentrale krisehåndteringen er styrket ved presisering og klargjøring av ansvaret for krisestyring i lederdepartementet, av krisekoordinering gjennom opprettelse av regjeringas kriseråd og etablering av en krisestøtteenhet. Justisdepartementet har videre igangsatt et arbeid med tilpasning og omstilling av Sivilforsvaret. Vi har i en egen proposisjon foreslått å øke bevilgningen til investeringer i sivilforsvarsmateriell med 30 mill. kr nå i år. Erfaringer fra Justisdepartementets tilsyn med departementene i sivil sektor viser at øvelser er et viktig element i vår krisehåndteringsevne. Vi ønsker framover også å gi sivile øvelser høy oppmerksomhet. Jeg minner også om i vurderingen av beredskapsarbeidet at vi nå har foreslått fra regjeringas side å gå til anskaffelse av inntil 16 nye moderne allværs søk- og redningshelikoptre. Det er en betydelig investering i redning og beredskap i Norge. Justisdepartementet har det overordnede ansvaret for etableringen av et nytt digitalt radiosamband til nød- og beredskapsetaten. Dette har også vært en diskusjon i kjølvannet av 22. juli. Utbyggingen av nødnett, som er en del av samfunnets kritiske infrastruktur i hele landet, er en betydelig satsing på økt samfunnssikkerhet. Derfor vedtok Stortinget 9. juni 2011 at nødnett skal bygges ut for hele Fastlands-Norge. Det er et godt eksempel på at beredskapsarbeidet er en kontinuerlig prosess. Dette nødnettet vil gi nød- og beredskapsetaten i Norge et nytt og moderne radiosamband både i deres daglige arbeid for publikum og ved større ulykker og kriser, og er en milliardsatsing for nettopp å styrke beredskapen vår. Jeg har sammen med forsvarsministeren og helse- og omsorgsministeren startet et arbeid med å gjennomgå retningslinjene som Hovedredningssentralen skal benytte når de vurderer politiets anmodning om bistand fra redningshelikoptrene. Jeg er også glad for å kunne meddele at det er etablert en militær helikopterberedskap med Bell 412-helikoptre på Rygge flystasjon, som etter anmodning kan yte administrativ transportbistand til politiet. Jeg er ydmyk overfor det arbeidet som er nedlagt i forbindelse med håndteringen av angrepene 22. juli. Samtidig er jeg åpen for at vi skal lære av de erfaringene vi har gjort oss. Angrepene vil sette sitt preg på arbeidet med å forebygge og bekjempe terror i særdeleshet, og styrke samfunnssikkerheten i sin alminnelighet, i tida framover. Jeg er opptatt av at arbeidet med krisehåndtering er bredt forankret på tvers av fagmiljøer, for på den måten best å kunne utnytte de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Vi er som folk blitt utsatt for dramatiske, grufulle og ekstreme handlinger i ytterkant av hva flere av oss kunne forestille oss. Mange har det vondt. Regjeringa vil bidra til en konstruktiv politisk debatt i kjølvannet av Alle partier i Stortinget har bidratt godt etter hendelsene for å sikre en oppfølging som gagner oss alle. Slik sørger vi for at de som er rammet, får den støtten de trenger. Slik sørger vi for at rettsstatens prinsipper fortsatt legges til grunn for straffesaksbehandlingen. Slik sørger vi for at vi fortsatt kan forbedre og forsterke beredskapen. la et godt grunnlag for et slikt arbeid i sommer, bl.a. da den uavhengige kommisjonen ble utnevnt. Terroristene skal ikke vinne over oss. Derfor skal debatten etter 22. juli bidra til mer demokrati, mer åpenhet og ikke naivitet. Det blir replikkordskifte. Vi har jo alle fulgt utviklingen fra dag til

områder den 22. juli. Hvorfor må det så skje en katastrofe før vi virkelig tar fatt i det? Hvorfor var vi ikke beredt? Den 22. juli var det nesten som om vi sendte soldater til Afghanistan med ertesprettert. Jeg vil si at tiden er kommet til å starte med blanke ark ny tillit. Jeg tror Norge også trenger en ny statsråd. Er statsråden enig i dette? Jeg har ikke tenkt å drøfte min videre yrkeskarriere i dette replikkordskiftet. Det er det opp til andre mennesker å avgjøre. Og jeg vil advare veldig sterkt mot en politisk debatt som bidrar til, i hvert fall når det gjelder politiske instrumenter og de politiske vedtak vi gjør, at vi skal starte på nytt. Det ville være veldig trist, for mye er gjort på beredskapssiden. Jeg nevnte i mitt innlegg at vi altså har valgt å styrke f.eks. PST med nærmere 60 pst. i løpet av den tida vi har sittet i regjering. Det er noe jeg nødig vil starte på nytt med. Det arbeidet som gjøres opp mot det å kunne kartlegge, det å bidra til en metodebruk, slik at man får kartlagt dem som nettopp har slike tanker som vi ble rammet av, det å nå begynne å reversere den prosessen som man etter mitt skjønn har gjort på en god måte, bl.a. når det gjelder å bygge ut et nødnett – nei. Beredskapsarbeidet er en kontinuerlig prosess, avhengig av bl.a. trusselbildet vi til enhver tid er underlagt. Det skal vi ikke starte på nytt, men vi skal utvikle og forbedre det. Politiet har fått økte bevilgninger i årene som har gått siden denne regjeringen ble til, og det skryter Storberget uhemmet av. Det vil da si at både PST og Kripos har fått sine økte bevilgninger. Men det er også slik at oppgavene til politiet har økt betraktelig, og det har blitt helt andre oppgaver, både for politiet og for PST. Nå, etter 22. juli, bevilger plutselig regjeringen ytterligere økonomiske midler til politiet, og spesielt da til PST og beredskapstroppen. På denne bakgrunn vil jeg spørre statsråden om han har eksempler på konkrete tiltak som skal til for at beredskapen skal bli bedre i Norge. Eller er det bare økte midler som er oppskriften til statsråden? Jeg er veldig glad for å få et sånt spørsmål, først og fremst fordi debatten om antall kroner kan synes rimelig abstrakt. Men det er nå på det rene at Stortinget har samlet seg om betydelig økte ressurser til politietaten i løpet av de siste årene. Det finnes imidlertid mange andre grep som må gjøres. Derfor vil jeg særlig peke på den forebyggingsplanen som ble presentert i fjor, og som inneholder nettopp mye av det som skal til for å kunne kartlegge og avverge tidlig. Et tredje element, som ikke handler om penger, i hvert fall ikke i så stor grad som antall stillinger og dess like innebærer, er å gi politiet tilstrekkelig metodikk for å kunne kartlegge bl.a. medspillere. Der er implementeringen av datalagringsdirektivet av helt avgjørende karakter. Jeg registrerer jo at når jeg blir utfordret av Fremskrittspartiet på å komme med andre ting enn penger, så er det kanskje på det feltet hvor Fremskrittspartiet stemte imot, nemlig det å gi politiet

reaksjon, beredskap og samordning i en krisesituasjon – og kanskje også om feil og mangler vi har hatt i forberedelsene på den. Men dette vil alltid være en kommisjon som tar utgangspunkt i en enkelthendelse og i enkeltsaker. Det betyr at det er nødvendig å se utover det. Det er derfor vi har utfordret regjeringen på to vesentlige grunnlagsdokumenter som burde være på justisområdet. lages en bred politistudie à la forsvarsstudiene, som tar opp den teknologiske utviklingen for politiet, og også har en klar og tydelig bemanningsplan. Det kommer vi til å fremme på nytt i Stortinget, og jeg ønsker å se at regjeringen nå gir en respons, og sier ja til det. Det andre er å få en gjennomgang av PSTs faktiske kapasiteter. Det har vært et tema flere ganger i Stortinget i den senere tiden, før 22. juli. Stortinget vet ikke hva PST har adgang til å gjøre. Som jeg sa i mitt hovedinnlegg, er jeg åpen for å diskutere nettopp disse spørsmålene, særlig fordi vi fra regjeringas side har varslet at vi neste år skal komme med en stortingsmelding om politiets situasjon, det vi har kalt en resultatreform. I det arbeidet ligger det også forarbeid og analyser som grenser opp mot det Høyres leder nå etterlyser. Det gjelder særlig driftsanalyse, men det gjelder også spørsmålet om bemanningssituasjonen. Det vil si en bemanningsrapport. Vi har laget en bemanningsplan, en bemanningsrapport, som vil være et sentralt virkemiddel i utviklingen av politiet framover. Det er på det rene at man har økt bevilgningene betydelig, man har økt opptaket til Politihøgskolen betydelig, og vi har nå heldigvis en 95 pst. sysselsetting av de nye studentene fra fjorårets kull. Men jeg er åpen på å diskutere hvordan vi særlig i meldingsarbeidet kan ivareta de hensyn som Høyre etterlyser, som nettopp går på å analysere både PSTs og det alminnelige politiets situasjon.
ydmykhet i gårsdagens Aftenposten var hensynsfullt overfor ofrene etter 22. juli. Det var riktig, og det var bra. Jeg har lyst til å benytte anledningen til å komme med gode ønsker og ønske lykke til for statsråden og hans departement, som har vært, og fortsatt er, kraftig berørt. Samtidig må vi fremover rette blikket på debatten om ansvaret, som statsråden var inne på i gårsdagens Aftenposten. Høyre har tenkt å bidra konstruktivt, men kritisk. Men forutsetningen er at Stortinget involveres mer. Vi må få mer oversikt over hva PST har og ikke har av oppgaver når det gjelder roller. Ikke minst må vi ha et presset politi som ikke salderer budsjettene Det er et felles ansvar for oss alle å sørge for at de svakhetene som er påpekt tidligere, ikke gjentar seg. I denne debatten er et sentralt spørsmål forholdet mellom forsvar og justis. Vil statsråden ta initiativ til en fornyet debatt om forholdet mellom forsvar og justis uten at – jeg holdt på å si – mentale sperrer ligger til grunn, slik at man kan få bedre samhandling enn det man har sett nå? Som også statsministeren var inne på i sitt hovedinnlegg i dag: Dette er en særs viktig problemstilling i beredskapsarbeidet i Norge. Forholdet mellom forsvar og politi, det sivile og det militære i denne type krisesituasjoner er en debatt vi aldri må bli ferdige med. Så har jeg lyst til å gi uttrykk for – og det mener jeg også er en arv fra den forrige regjeringa – at man faktisk bidro til å gjøre gode grep, slik at samhandlingen mellom forsvar og politi fungerer bedre enn det ville gjort tidligere. har vi liaisoner plassert ut hos hverandre i denne type situasjoner, og vi vet av erfaring, også fra 22. juli, at det var nyttig. Vi planlegger neste år å presentere for Stortinget en samfunnssikkerhetsmelding, og jeg vet at forsvarsministeren planlegger en langtidsplan. Det er helt naturlig når man ser disse to dokumentene hver for seg, men også sammenholdt, at man får den debatten som representanten etterlyser. Først vil jeg benytte anledningen fra denne talerstolen, på vegne av Kristelig Folkeparti, til å gi justisministeren ros. For da landet var i sjokk, i krise og i sorg, sto justisministeren fram på en god måte. Men angrepene 22. juli rammet hele folket. store ressurser, bl.a. i etterforskning av saken. Det er viktig at den blir etterforsket grundig og godt. Samtidig gir det store utfordringer for politiet ellers – særlig Oslo-politiet. En vet at hvis en skal klare å etterforske de andre sakene – hverdagskriminaliteten – så har ikke politiet nok ressurser i dag. Derfor forventer Kristelig Folkeparti at det budsjettet som blir lagt fram på torsdag, inneholder et stort løft for politiet. Men jeg ønsker å utfordre justisministeren på noe annet. Det er: Hvorfor kan han ikke komme med mer ressurser til politiet nå, sånn at en slipper å legge vekk relativt enkle saker som burde vært etterforsket og løst fra politiets side? Det er noen replikker vi er gladere for enn andre. Dette replikkordskiftet har en god utvikling, for når det gjelder spørsmålet om penger til politiet, er det faktisk det vi har gjort: Vi valgte så å si med en gang å signalisere bl.a. til Oslo politidistrikt at man hadde mulighet til å få 95 nye politiansatte – et betydelig løft for Oslo politidistrikt. Vi tar sikte på å videreføre den satsingen så lenge den enorme etterforskningen må pågå, slik at man får kompensert inn. Men jeg har lyst til å minne om at dette ikke bare handler om penger. Det handler om etterforskningsmessig kompetanse, som vi har begrensninger på. Men vi gjør hva vi kan, og opp mot ressurssituasjonen for Oslo er det slik at man har fått kompensert. Det er helt avgjørende at man klarer å avvikle denne saken, slik jeg mener påtalemyndigheten har lagt opp til, på en anstendig, avgrenset, god måte som bidrar til at vi også klarer – innenfor rettsstatens premisser – å behandle en så alvorlig straffesak. Jeg vil begynne med å understreke hvor glad jeg er for at justisministeren vil ha mest mulig åpenhet, og jeg håper han klarer å holde på det i hele prosessen. Det er også viktig at man ikke tar lovmessige grep før man har klarnet tankene etter hendelsen. Jeg er også veldig glad for at justisministeren understreker viktigheten av øvelser, som jeg tror er en nøkkel for å klare å forberede seg på også det utenkelige. Men i PSTs åpne trusselvurdering, som justisministeren viste til, står det svart på hvitt at man ikke forventer angrep fra høyreekstreme miljøer mot Norge i 2011. Det opplevde vi likevel. Spørsmålet mitt er: Har vi tatt de høyreekstreme miljøene nok på alvor, har vi hatt nok bevissthet rundt dem? Jeg har gått tilbake og lest debattene i Stortinget, og de har heller ikke handlet om den trusselen som fra de andre politiske ytterpunktene. Aller først: Jeg er veldig glad for at også Venstre registrerer at vi bidrar til åpenhet når det gjelder PST. Bare siden regjeringsskiftet i 2005 har vi valgt å offentliggjøre budsjettene – et viktig åpenhetsprinsipp – antall ansatte og disse trusselvurderingene som gjør det mulig å ha den kritiske diskusjonen etter en slik hendelse. Og jeg skal være den siste i denne sal som påstår at alle trusselvurderinger som kommer fra PST, vil dekke alle hendelser. Det er jo det som er utfordringen i dette arbeidet. Men jeg har lyst til å si at PST i sine trusselvurderinger har vært fokusert særlig på soloterrorisme, slik at man må sondre mellom det og de høyreekstreme miljøene som beskrives i trusselrapportene. Jeg mener at begge deler må tas på alvor. Norge har tatt høyreekstreme på alvor i stor grad på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet og har hatt god erfaring med det. Det må ikke glemmes. Replikkordskiftet er omme. La meg først få lov til å gjøre noe som jeg ikke alltid gjør, og å gjøre så ofte – i hvert fall ikke så lenge vi har denne regjeringen – nemlig å skryte litt av regjeringen. Det er i trontalen varslet en egen rusmelding, og det synes jeg og Fremskrittspartiet er både gledelig og ikke minst nødvendig. Fremskrittspartiet har i denne salen fremmet et helhetlig dokument med over 50 konkrete forslag til forbedringer i rusomsorgen i Norge. Så derfor har jeg lyst til allerede nå å varsle at vi selvfølgelig vil imøtekomme den varslede meldingen på en konstruktiv måte. Et bredt politisk flertall bør være målsettingen på dette området, og mitt signal er altså at et slikt ønske har Fremskrittspartiet allerede nå. Det er også sikkert forventet at jeg skal fremføre en klagesang over alt som ikke fungerer i norsk helsevesen, og jeg synes selvfølgelig også det er viktig å ikke skuffe når det er slike forventninger. Men la meg også understreke at norsk helsevesen faktisk er veldig, veldig bra, ja blant de beste i verden. Der jobber det hardt arbeidende og ikke minst dedikerte mennesker. Mennesker behandles, og – ikke minst – liv reddes hver eneste dag. Men det finnes også dem som ikke får hjelp, ansatte som jobber skjorta av seg uten å føle at de blir hørt eller satt pris på. Dette er også viktig å fokusere på og jobbe for å forbedre. Her har vi alle en jobb å gjøre. I den anledning vil jeg gjerne komme med noe som kanskje er en overraskelse – eller som ikke ville være noen overraskelse, hvis jeg ikke mente det var rom for store forbedringer knyttet til helsepolitikken i Norge. Etter min oppfatning er omstillingsprosessene ute av kontroll. Oppsigelser, nedleggelser av lokalsykehus, nedleggelser av fødeavdelinger, kutt i pasientbehandling og stadig større usikkerhet blant de mange ansatte i flere helseforetak gjør det nødvendig å varsle betydelig kamp i statsbudsjettet dersom regjeringen ikke foretar store og nødvendige grep. Jeg har et inntrykk av at en nødvendig omstilling, som alle er enige om, blir brukt som et mantra for oppsigelser og nedbygging i helsevesenet. Når Oslo universitetssykehus varsler mulige oppsigelser i størrelsesorden syv ansatte per dag – 700 totalt i løpet av kort tid – skyldes dette ikke bare at pasientene er flyttet over som korridorpasienter på Ahus. Det er faktisk mange av oss som ikke hører til kunder på Rikshospitalet, og som opplever at tilbudet blir redusert eller fjernet i den prosessen som nå foregår. Dersom den gode nyheten er at det kommer 300 mill. kr til omstillingen i Oslo universitetssykehus, blir jeg faktisk bekymret. For det første ville ikke dette være på langt nær nok i forhold til den pågående prosessen ved For det andre har også de andre helseregionene store utfordringer knyttet til omstillinger og endringer. Derfor vil Fremskrittspartiet allerede nå varsle at vi forventer en større omstillingspott som også skal fordeles etter de normale bevilgningsnøklene til alle helseforetakene. Det hadde vært interessant å stille regjeringen spørsmålet: Om Oslo-sykehusene skal få 300 mill. kr for å komme seg gjennom en vanskelig omstillingsprosess, fortjener ikke da også sykehusene i resten av landet sårt tiltrengte midler for å komme gjennom de vanskelige prosessene, som de også står overfor? Eller er det slik at pengene går til de sykehusene hvor media lager flest nyhetssendinger om den uholdbare situasjonen? Det andre store spørsmålet i forbindelse med statsbudsjettet som skal legges fram, er hvorvidt innføringen av Samhandlingsreformen gjennomføres på en akseptabel måte. De signalene som er kommet så langt, tyder på både underfinansiering og altfor knapp tid. Jeg frykter derfor konsekvensene av reformen i forhold til både geografiske og økonomiske helseforskjeller. Mine reiser i valgkampen har dessverre bare forsterket dette bildet. Jeg er redd at det etterlatte inntrykket etter denne reformen kan få Nav-reformen til å fremstå som både vellykket og elegant gjennomført. Det blir replikkordskifte. Jeg skal komme til poenget, men jeg vil bare få slå fast først at Fremskrittspartiets nestleder ikke skuffet. Representanten brukte vel, etter frisk hoderegning, under 15 sekunder på å rose det norske helsevesenet, og resten av innlegget på alt som var sårt og mørkt og elendig, i god fremskrittspartiånd. Jeg vil til bunns i ett spørsmål som jeg lurer på om Per Arne Olsen kan bidra til å bringe klarhet i. Jeg har sett at Fremskrittspartiet etter sitt elendige valgresultat har prøvd å forklare og analysere resultatet med at velgerne ønsker det trygge, søkte mot trygghetspartiene Arbeiderpartiet og Høyre, og at det kunne være en av årsakene til at det for Fremskrittspartiet gikk galt. Tror ikke representanten Olsen at en annen grunn kan være at nettopp velgerne ser seg lei på svartmalingen av offentlig helsevesen og andre tjenester, lei på ensidig mas om liberalisering og privatisering i alle sammenhenger, og sier nei til en økonomisk uansvarlig politikk som landet ikke trenger i alvorlige tider? Jeg tror at analysen av valgresultatet, som Micaelsen her fremfører, kanskje skal stå for hans egen regning. Jeg har i hvert fall sagt hele tiden etter valget at vi skal nok vente litt – både de som har vunnet valget, og de av oss som har tapt valget – med å komme med for bastante konklusjoner på hva som hva som var beveggrunnene i dette valget. Men jeg er altså av den oppfatning at Fremskrittspartiet ikke svartmaler. Når ventelistene på norske sykehus etter seks år med denne regjeringen har økt med 80 000 reelle mennesker som står i kø, når nesten 5 000 rusmisbrukere, som er motiverte for behandling, ikke får tilbud, når rehabiliteringstjenesten i dette landet bygges ned, fordi det i stor grad drives av private, når det er slik at det fortsatt er store geografiske utfordringer og helseforskjeller i Norge, er det dessverre ikke vi som svartmaler. Det er situasjonen som er slik.
Representanten Olsen kunne jo valgt å fokusere på at ventetidene ved norske sykehus for første gang nå flater ut og går ned, eller at det behandles flere pasienter ved norske sykehus enn noen gang noensinne. Selv om vi har økt pengebruken kraftig ved norske sykehus, og også ønsker å bidra til omstilling, bidrar nye behandlingsformer – det at folk lever mye lenger nå enn bare for kort tid siden at også noen med enkelte andre lidelser må stå noen dager ekstra i kø. Men Fremskrittspartiet velger helt ensidig å se bort fra det. Jeg tror at når valgresultatet skal analyseres i ledelsen i Fremskrittspartiet, er ett at svarene at folk har sett seg lei på denne ensidige svartmalingen. Til slutt vil jeg spørre representanten Olsen om han er enig med avtroppende ordfører John Karlsen i Nordreisa, som sier at han trosser partiprogrammet i sin kommune, fordi det ville gått ut over livsviktige tjenester i kommunen. Synes nestlederen i Fremskrittspartiet at det er en god analyse av valgresultatet enkelte steder for La meg først få lov til å adressere det som representanten Micaelsen først sa. Jeg brukte faktisk starten av mitt innlegg til å skryte av norsk helsevesen. Jeg er ikke helt sikker på at antall sekunder som er regnet fram, er det som er hovedpoenget. Poenget mitt er at jeg først ville skryte. Det reddes menneskeliv hver dag. Ikke minst er det hardt arbeidende mennesker i norsk helsevesen, som vi alle sammen skal sette pris på at virkelig jobber der. Det er viktig for Fremskrittspartiet å ha det som bakgrunn. Representanten Micaelsen trekker nå fram at noen må vente lenger. Noen er faktisk 80 000 flere mennesker av kjøtt og blod som står på venteliste. Noen av dem står lenger enn noen gang. Ja, det er gledelig når dette tallet flater ut. Men det endrer ikke på det faktum at vi alle undertegnede og representanten Micaelsen – har et ansvar for å hjelpe de 80 000Det riktige tallet skal være 280 000. som står i kø. Det er mennesker som gjerne vil tilbake til arbeidslivet. Det er mennesker som bare venter på en enkel operasjon for igjen å kunne bidra i samfunnet. Hvis vi ikke skal kunne fokusere på det, kan vi heller aldri få det Hvis man ønsker seg et bedre helsevesen, burde man kanskje ikke samtidig gå inn for skattelettelser i størrelsesorden 50, 60, 70 eller var det 80 eller 90 mrd. kr – som for øvrig i hovedsak vil gå til dem som allerede har mye i samfunnet – eller legge opp til storstilt kommersiell privatisering av norske sykehus, eller legge opp til enda større bruk av anbud og flere aktører, som Adecco, som vi har sett konsekvensene av i norske sykehus. Noe av det vi virkelig trenger å gjøre framover, er å sikre at sykehusene våre er attraktive arbeidsplasser. Da blir det å gi folk gode arbeidsvilkår, ikke å gå til angrep på pensjonene deres, å sørge for at de vet at de også har jobb i morgen, og at ikke arbeidsgiverne deres plutselig blir byttet ut, som blir viktig. Er representanten enig med meg i noe av dette? Undertegnede er ikke enig med Thorkildsen i mye her i livet, ei heller i dag. Det er etter Fremskrittspartiets oppfatning rom for skattelettelser i det norske samfunn. I de tre årene vi har lagt bak oss, selv i det året vi hadde finanskrise i Norge, økte statens skatteinntekter. Det er noe som SV ikke tar inn over seg. Jeg mener faktisk at det er rom i Norge både for å forbedre det tilbudet vi har, og samtidig å kunne gi skattelette for å skape grunnlag for ny vekst, skape nye arbeidsplasser og igjen få en optimisme i landet for de mange som står uten arbeid. Fremskrittspartiet ønsker ikke å kommersialisere norsk sykehusvesen. Representanten Thorkildsen er godt kjent med vårt prinsipale utgangspunkt, som er å sikre et godt velferdstilbud og et helsevesen for alle, betalt av staten, der man selv kan velge den ledige kapasiteten, enten den er ved offentlig eller privat sykehus.

innlegg. Noe av det viktigste i ruspolitikken er å tørre å ta politiske valg i forhold til restriksjoner. Norsk alkoholpolitikk er en suksesshistorie i og med at vi ligger lavt i Europa-sammenheng når det gjelder forbruk. Vanligvis pleier Fremskrittspartiet å vise til Politiets Fellesforbund, politiets behov, og at regjeringen ikke lytter nok til politiet. Politiet har vært veldig tydelig i en sak: De ønsker representantens ruspolitiske engasjement og politiets klare råd ser jeg det som ulogisk at Fremskrittspartiet eventuelt skal gå imot. Hvordan kan representanten da forklare at Fremskrittspartiet kommer til å gå imot en innskrenking – for det vet jeg at de vil gjøre – når så mange blir rammet av lengre skjenketider, som f.eks. her i Oslo? Det er faktisk riktig når jeg i mitt innlegg sa at jeg fornøyd med at regjeringen har varslet en rusmelding. Det er også riktig at Fremskrittspartiet har lagt fram et eget Dokument nr. 8-forslag med over 50 konkrete forslag om hvordan man kunne gjøre rusomsorgen bedre i Norge. Hvis representanten Vedum og hans parti hadde vært genuint opptatt av ikke bare hvor lang skjenketiden skal være i de enkelte norske kommuner, hadde man faktisk den gang valgt å gå inn på disse forslagene som inneholdt en hel rekke gode diversifiserte forslag. Så har representanten Vedum helt rett i at Fremskrittspartiet, i motsetning til Senterpartiet, har et genuint ønske og tro på det lokale selvstyret. Vi ønsker og tror at lokale politikere i norske kommunestyrer, selv klarer å avgjøre hvilke åpningstider man skal ha innenfor de rammene Stortinget har satt. Det betyr at vi kan få kommuner som fører en restriktiv praksis, og noen som har en mer liberal praksis. Det er lokaldemokrati, og det er vi tilhengere av. Eg er glad for at representanten Per Arne Olsen ser fram til rusomsorgsmeldinga. Det blir eit viktig arbeid. Men eg vil òg ta opp utfordringa rundt skjenkeproblematikken. Politiet har vore krystallklar i sitt råd: Reduserer me skjenkinga, blir det mindre vald. veit òg at SIRUS la fram ein dokumentasjon som er eintydig. Men i valkampen møtte eg Per Sandberg, og han sa: Eg kan vise til 50 kommunar som har utvida skjenketida og fått redusert vald. Og når du står på Dagsrevyen – klin edru – og seier det, må du kunne dokumentere det, men det har ikkje skjedd frå Framstegspartiet i etterkant. Per Arne Olsen kjenner kanskje betre til Kommune-Noreg enn det Per Sandberg gjer: Finst det eit einaste eksempel på ein kommune som har utvida skjenketida og redusert valden? Det ble sagt av en annen medrepresentant fra denne sal tidligere, under et innlegg som ble holdt fra talerstolen etter noen akevitt, at vedkommende ikke hadde problemer med at det var skjedd, men hva en del fikk seg til å si edru i denne salen! Jeg skal ikke stå her og navngi kommuner, men jeg vet om kommuner, inkludert min egen, som har hatt en liberal skjenkepolitikk, som har hatt god kontroll på voldssituasjonen, og hvor man gjennomførte et prøveprosjekt med reduksjon av skjenketiden uten synlige effekter. Nå har det vært en ny prøveperiode, hvor man ser antydninger til det motsatte. Jeg vet også om kommuner som har sagt at de ikke har fått den ønskede effekten av reduksjonen. Jeg skal love representanten Hareide at vi ser på dette med et åpent sinn, men i bunnen ligger faktisk Fremskrittspartiets usvikelige tro på at lokaldemokratiet også fungerer på dette området. Jeg er fra samme fylke som representanten Olsen, og politiets anbefaling er i hvert fall klar, og den er at vi bør redusere skjenketida. Jeg har et annet spørsmål som dreier seg om noe helt annet: Fremskrittspartiets fylkesledere roper nå, ifølge media, etter å løfte fram igjen innvandringspolitikken. Vi hørte også Siv Jensen berøre dette i sitt innlegg. Jeg er litt spent på hva dette betyr, og på hva det betyr når Siv Jensen sier at det aldri har vært større behov for Fremskrittspartiets innvandrings- og asylpolitikk enn akkurat nå, for dette blir viktig for hva slags tone vi får i denne debatten framover. Da er spørsmålet mitt til nestlederen i Fremskrittspartiet om man vil endre tonen, om man vil være mer etterrettelig i disse debattene, om man vil slutte å bruke begreper som sammenligne nazisme og islam og snakke om snikislamisering med det mål for øye å skape større utrygghet i befolkninga. Jeg kan ettertrykkelig slå fast at Fremskrittspartiets flyktning- og asylpolitikk står klart fast. Vi ønsker en streng og rettferdig flyktning- og asylpolitikk. Vi ønsker å ta imot et antall til dette landet som gjør at vi klarer å integrere dem i det norske samfunn. Vi mener at antallet er en viktig del av det å få til en vellykket integrering. Jeg kommer selv fra en kommune hvor vi hadde veldig gode resultater, nettopp enn det vi faktisk føler vi kan klare å integrere. Vi klarte det. Vi har veldig gode resultater, både i forhold til den skolen vi drev på vegne av flere kommuner, og i forhold til å få mange tilbake i arbeidslivet. Fremskrittspartiets flyktning- og asylpolitikk ligger helt klart fast. Vi har ikke endret noe som helst, og vi kommer ei heller til å gjøre det i fremtiden, og etter min oppfatning har vi vært etterrettelige hele veien også på dette feltet.

oljefunn på Avaldsnes/Aldous anslås til tilsvarende et halvt oljefond. Dette skaper inntrykk av at vi har hatt flaks og nå får ekstra penger. Det er helt feil. Vi har verken hatt flaks eller får ekstra penger. Dette er oljereserver og inntekter som vi allerede har regnet med når vi ser på de langsiktige utgiftene og inntektene, og de utgjør bare en del av de petroleumsressursene som må finnes for å sikre Det er heller ikke flaks. Det er et resultat av økt kunnskap og ny teknologi. I 1971 var en tre meter fra dette funnet, men med den tidens kunnskap og teknologi fant vi ikke oljen. Spørsmålet er ikke først og fremst hvor mye petroleumsressurser som er på norsk sokkel, men om vi klarer å utvikle ny kunnskap og teknologi for å utvinne mest mulig. mer moden norsk sokkel blir, desto mer innsats i form av forskning, utvikling og kunnskap må til for hvert fat olje som skal opp. Det er kunnskap og folks arbeidsinnsats som trygger velferden vår – ikke flaks eller fond. Derfor må vi bruke vår økonomiske handlefrihet nå til å forske mer, få mer kunnskap i skolen, mer robust infrastruktur og bedre vilkår for arbeidsplassene. Høyre er glad i det norske velferdssamfunnet. Skal det bevares og videreutvikles, må vi investere mer i kunnskap og sikre konkurransekraften til de norske arbeidsplassene. Selv om den norske stat er bunnsolid i møte med en ny finanskrise, er ikke de norske arbeidsplassene trygge i møte med redusert etterspørsel fra Europa. Seks år med rød-grønn politikk har svekket vår konkurranseevne. Dette er ikke svartmaling, det holder å lese Verdensbankens «Doing Business». Regjeringen har lagt økt byrde på norske bedrifter som skal ut og konkurrere. Det har gått greit i gode tider. Nå må eierne ta ut penger fra bedriftene som kunne vært med på å trygge arbeidsplassene i vanskelige tider, for å betale en særnorsk formuesskatt, som har doblet seg i løpet av de siste seks årene. Høyre mener det er mer riktig nå enn noen gang å fjerne denne ekstra byrden på norske arbeidsplasser, at vi kan komme styrket ut av krisen. Gode og robuste arbeidsplasser sikrer vekst og trygger velferden. Investerer vi i mer kunnskap, bedre infrastruktur og reduserer byrden på bedriftene, skaper vi mer vekst. Vi trygger velferden gjennom å skape mer, ikke gjennom å skatte mer. Selv om pengene finansierer velferden, er det ikke pengene som gir velferd. Det er mennesker som gir velferd. Vi lever og de store barnekullene etter krigen når nå en alder med økt behov for pleie og omsorg. Sølvfarget hår og sølvfarget bil kommer til å bli det vanligste i gatene våre. De som fremskriver dagens tilbud basert på fremtidens behov, kommer med pessimistiske beskrivelser av et velferdssamfunn som knekker sammen av egen tyngde, redusert kvalitet, og der de fleste er tror at sølvgenerasjonen kommer til å gå alderdommen trygt i møte. Men det forutsetter at vi sikrer kvaliteten i omsorgen, bruker valgfrihet og tar i bruk alle gode krefter. Økt kunnskap og kompetanse sikrer kvaliteten på sykepleien, at den riktige behandlingen blir gitt første gang, og at flinke unge ønsker å jobbe i omsorgssektoren. Derfor vil Høyre stille strengere kompetansekrav til dem som skal bli sykepleiere, gi ansatte mulighet for etter- og videreutdanning og stille krav til kompetanse i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Ny teknologi vil gjøre oss mer selvstendige og mer selvhjulpne, og lette jobben for de ansatte. Derfor vil Høyre satse på forskning og utvikling av omsorgsteknologi. Et offentlig omsorgsmonopol er ikke svaret på fremtidens utfordringer. Frivillige, ideelle og private må slippe til for å få være med på å løse oppgavene. Da vil oppgavene bli løst på nye måter, og folk vil få valgfrihet. Mens Arbeiderpartiet viser til klageretten, vil Høyre innføre bytterett. Vi tror nemlig at velferd med valgfrihet gir verdighet. For Høyre er svaret på hvordan vi skal betale for velferden og hvordan vi skal løse velferdsoppgavene det samme: Trygghet gjennom kunnskap og Det blir replikkordskifte. Høyre ser seg selv som et anstendig parti. Men hva er nå denne Høyre-anstendigheten? I Bergen og mange andre steder var man i valgkampen tydelig på at man gikk til valg på å redusere eller fjerne eiendomsskatten. Så legger Høyre-byrådet fram økonomiplan bare dager etter valget, hvor man ikke skal gjøre noe med eiendomsskatten. Er det dette man mener er en anstendig behandling av velgerne? moderne suksess kan i stor grad tilskrives vår måte å løse utfordringene på. Her er trepartssamarbeid en viktig bjelke. Monica Mæland slo fast 1. september at alt som LO er imot, er Høyre for. Er det dette Høyre mener er en anstendig arbeidslivspolitikk? Og hvor er anstendigheten i Høyres alternative budsjett for inneværende år, når man vil gi en med 3 mill. kr i inntekt 60 000 kr i skattelette, mens en som tjener 150 000 kr, skal få 300 altså 200 ganger mer skattelette til de rikeste. Er det dette Høyre mener er en anstendig fordelingspolitikk? Jeg tror Arbeiderpartiet tar på seg en stor oppgave hvis det har som ambisjon å prøve å fremstille Høyre som et uanstendig parti, men jeg ønsker det lykke til med jobben. Det som en her tar opp med spørsmålet knyttet til formuesskatten, som da går inn i regnestykket til om at norske eiere av norske arbeidsplasser er nødt til å betale en særnorsk formuesskatt, som heldigvis nå lederen av LO òg er enig med Høyre i at må vekk. Han har tilbakevist Monica Mælands påstand i dagens Dagens Næringsliv. Han ser det samme som Høyre, nemlig at når det gjelder arbeidsplasser som eies lokalt langs hele kysten og i hele landet, går de som eier arbeidsplassen, samme butikk som de som jobber i bedriften, og har unger i samme idrettslaget som de som jobber i bedriften. Det gir en helt annen sikkerhet knyttet til å ta vare på arbeidsplassen også i vanskelige tider. Derfor er det mer riktig nå enn noen gang å fjerne den særnorske formuesskatten, nå når man går mot vanskelige tider. Det er registrert at LO-leder Flåthen sier i dag at hvis man skal gjøre dette, skal man selvfølgelig dekke inn det tapte provenyet på andre vis, og man skal òg ivareta fordelingsprofilen som formuesskatten har i dag. Derfor er det milevis forskjell på det Høyre har fremmet i sitt alternative budsjett for inneværende år, og det Roar Flåthen prater om. Da vil jeg igjen utfordre på den anstendigheten i fordelingspolitikken som Høyre fører, med at en som har 3 mill. kr i inntekt, får 60 000 kr i skattelette, mens en som har 150 000 kr i inntekt, får 300 kr – altså 200 ganger mer skattelette til de rikeste. Synes representanten Høie at det er en anstendig politikk? Det som i Norge avgjør om en er rik eller fattig, er om en har et arbeid å gå til. Når det gjelder de som er varig utenfor arbeidslivet i Norge, klarer en ikke – uansett de mange oppbygginger av velferdsstaten som vi har hatt i Norge hindre at de opplever en helt annen økonomisk situasjon enn det vi som har tilknytting til arbeidslivet, gjør. Derfor er det viktigste bidraget vi kan gi i det norske samfunnet for å bekjempe fattigdom, å trygge norske arbeidsplasser. Da er ikke svaret å ha en særnorsk skatt på at arbeidsplasser eies og utvikles i Norge. Det er faktisk det motsatte som skal til, og det har òg heldigvis LO-lederen sett. Så er Høyre helt uenig med i at det skal gi et motsvar i at vi beskatter det å ha en bolig i Norge. Her skiller Norge seg fra alle andre land som han sammenlikner oss med, nemlig ved at det i Norge er vanlig å eie sin egen bolig. Det er den politikk som Høyre og Arbeiderpartiet faktisk har stått sammen om i Jeg vil over på spørsmålet om klimaendringer. Høyres leder sa i stad at SV burde holde munn om klimagassutslippene, så lenge vi ikke har levert forslag. Men mitt og SVs svar til det vil være at Høyre kunne jo stemme for de forslagene som vi faktisk allerede har levert i påvente av den klimameldinga som skal komme. Vi har levert flere forslag for å hindre norske klimagassutslipp i å øke og få ned de utslippene vi allerede har – og Høyre har konsekvent stemt imot. Det gjelder spørsmålet om rensing av gasskraftverk. Det gjelder spørsmålet om restriktive tiltak overfor biltrafikken. Det gjelder i spørsmålet om oljeboring i nord, og da å ikke starte oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Alle de forslagene har Høyre vært imot. I tillegg har man sjøl tatt initiativ til å gå imot å elektrifisere, også der hvor det ikke vil være så dyrt. Hva kan dette komme av? Jeg registrerer at SV i klimapolitikken i dag fører taktikken «angrep er det beste forsvar» nettopp for å hindre å få fokus på det som er det store problemet, nemlig at regjeringen forskyver og forskyver en klimamelding som Stortinget har stått sammen om at vi har behov for. Det er klimameldingen som skal være kunnskapsgrunnlaget for at Stortinget og Norge kan komme videre i bekjempelse av klimautslipp. Dette er ikke et problem som kan tas stykkevis og delt, men som er nødt til å tas i en helhet. Det kan ikke være slik at ethvert tiltak som reduserer klimautslippene, oppfattes som bra, fordi mange av dem er tiltak som bare virker på kort sikt, men som ikke har den gode virkningen på lang sikt. Her er vi nødt til å tenke helhet, og derfor er det regjeringens ansvar å komme tilbake til Stortinget med et beslutningsgrunnlag som faktisk kan gjøre at vi kan komme videre med klimaforliket, der Høyre var en pådriver i den samme retningen som SV, nemlig at Norge skal gå foran i å redusere klimautslippene. Eg synest nesten at Høgre må erkjenne at det er rimeleg at dei må svare for sine eigne forslag og sin eigen politikk på klimaområdet, og ikkje dytte det vidare, så lat meg utfordre vidare på det. I det internasjonale energibyrået World Energy Outlook anslår dei at dersom vi skal nå 2-gradersmålet, må vi nå den fossile forbrukstoppen for energi før 2020. Dei anslår vidare at vi må gå frå 65 pst. fossildel til under 30 pst. i 2035. Det betyr i realiteten at ganske store mengder olje, gass og kol må verte liggjande fordi vi har store kjende førekomstar – ikkje minst – av Så kan ein tenkje seg at Noreg skal fortsetje sin produksjon. Men det er i alle fall litt krevjande å be Kina og Russland – eller for den sakas skuld Ghana, som sette i produksjon sitt første oljefelt i fjor – om at fordi vi i Noreg treng å produsere alt vi har, må dei la vere. Mi utfordring er: Når representanten Høie seier at vi ikkje skal elektrifisere, vi skal byggje gasskraftverk utan CO2-reinsing, og vi skal omtolke klimaforliket, kor meiner då Høgre vi skal ta Det som en også får fram i de tallene som representanten Bård Vegar Solhjell viser til, er at fossilt brensel kommer til å være en vesentlig del av verdens behov for energi i overskuelig framtid. Det vil være veldig uklokt ikke å utvinne fossil energi i Norge, hvor vi gjør det på den mest miljøvennlige og mest sikre måten, for å overlate det til land som utvinner den fossile energien på en mer forurensende måte med mindre sikkerhetskrav enn vi har her til lands. Dessuten burde SV stille spørsmålet til seg selv, for i regjeringens petroleumsmelding på side 50 – når en ser den beskrivelsen som gis der av petroleumsressurser som skal utvinnes i Norge fram mot 2040 – ligger det inne både de funnene som er nå, betydelig større funn, og ikke minst vil det forutsette en åpning av Lofoten og Vesterålen, hvis en skal nå den banen som regjeringen selv legger til grunn i Høgre yndar jo å framstille seg sjølv som næringslivet sin ven, og i valkampen reiser dei land og strand rundt og besøkjer bedrifter og fortel om Høgre sin politikk for næringslivet. Men det ein ikkje vel å snakke om, er dei reiskapane mange av desse bedriftene har brukt for å kome i gang, anten det er kommunale næringsfond eller regionale utviklingsmidlar – eit verkemiddelapparat som Høgre foreslår å kutte dramatisk i. I mitt fylke er eksempel på bedrifter Moods of Norway, som skulle vere kjent for dei fleste, Olden vatn og andre fantastiske bedrifter som har fått hjelp i ein oppstartsfase, som ikkje hadde pengar der og då, då dei trong dei, men som har betalt tilbake dei pengane mange gonger gjennom den verdiskapinga dei står for. Mitt spørsmål er ganske enkelt: Kvifor er det så viktig for Høgre å ta vekk denne reiskapen? Ser ikkje Høgre at slik risikokapital kan vere viktig i ein oppstartsfase? Når Høyre reiser rundt i valgkampen og møter småbedriftene rundt omkring i hele landet, er det ikke først og fremst for å snakke, det er først og fremst for å lytte. Det vi hører veldig lite, er rop om flere kommunale næringsfond. Det vi hører veldig mye, er at det er et sterkt behov for å investere i infrastruktur og veier – bygge ut bedre veier, ikke minst i Distrikts-Norge, slik at vekstkraften når helt ut, og at folk kan bli boende der de ønsker å bo. Vi hører et sterkt krav om å fjerne den særnorske skatten på eierbedriftene lokalt, som ikke minst rammer veldig kraftig i distriktskommunene, der de ikke har noe alternativ bruk av f.eks. bygninger som man betaler formuesskatt på. Det er helt riktig at noen også ønsker hjelp fra Innovasjon Norge, fra ulike offentlige virkemidler. Men det er ikke slik at Høyre i sitt alternative statsbudsjett fjerner alle disse – vi tar noen av pengene og prioriterer det som næringslivet selv prioriterer, nemlig bedre infrastruktur og Representanten Høie har snakket varmt om fjerning av formuesskatt og skattelette og ga vel egentlig uttrykk for at det meste denne rød-grønne regjeringen har gjort i forhold til næringslivet, var galt. sammen med at vi har veldig lav arbeidsledighet. Det går godt, næringslivet går veldig bra, men uroen er ikke minst i forhold til hvordan europeisk økonomi går videre. Vi kan jo prise oss lykkelige over at vi ikke er i samme situasjon som Hellas og andre europeiske land er i. Så mitt spørsmål til er da: Er det fortsatt slik at Høyre mener at EU- og eurotilknytning er det viktigste virkemidlet for å sikre norsk næringsliv framover? Eurotilknytning og EU-medlemskap er ikke det viktigste for å sikre norsk næringsliv framover, fordi Norge i all hovedsak er medlem av EU når det gjelder de økonomiske virkemidlene knyttet til tilgang til marked og den økonomiske politikken. Så det viktigste for å sikre norsk næringsliv framover er å gjøre det mulig å etablere og drive næringsliv i Norge. Da er det svært urovekkende at konkurransekraften har blitt svekket i de seks årene vi har hatt rød-grønn regjering. Det gjør at det blir vanskeligere for norsk næringsliv nå når en går inn i tøffere tider. For selv om vi kan prise oss lykkelige over at vi har husholdert med statsfinansene på en sånn måte at vi ikke er i samme situasjon som en del land i Europa, er det likevel sånn at den politikken regjeringen har ført overfor næringslivet, gjør at mange av våre bedrifter ikke er rustet til å møte den sviktende etterspørselen fra Europa som nå kommer til å komme. Det hjelper ikke at staten er bunnsolid hvis bedriften har måttet bruke sin egenkapital til å betale formuesskatt til staten. Replikkordskiftet er omme.
juli rysta oss alle. Vår gode statsminister sa det slik i denne sal 3. august: «Kartet ble sprengt, kompasset skutt i filler. Men det norske folk fant fram.» Me har gjennom oppveksten fått med oss som gjorde at da det var som mørkast, valde me ikkje hat og hemn, men derimot hjartelag og varme. Me i Kristeleg Folkeparti meiner det er viktig at framtidige generasjonar får desse verdiane med seg vidare. Me vil, som den nye formålsparagrafen i skulen seier, at «opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen, humanistisk arv og slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet». Eg trur det var nettopp desse verdiane han tenkte på og forstod viktigheita av, han som hadde opplevd og overlevd Holocaust, og som skreiv det tankevekkjande brevet etter Jeg er overlevende fra en konsentrasjonsleir. Jeg så det som intet menneske burde være vitne til: Gasskamre bygd av dyktige ingeniører. Barn gasset i hjel av velutdannete leger. Spedbarn drept av erfarne sykepleiere. Kvinner og deres babyer skutt og brent av mennesker med eksamener fra gymnas og universitet. Jeg er blitt skeptisk til utdannelse. Min bønn er: Hjelp elevene dine til å bli menneskelige. Ditt arbeid må aldri produsere lærde monstre, dyktige psykopater, velutdannete eichmanner. Lesing, skriving og regning er viktig bare hvis det tjener til å gjøre våre barn mer menneskelige.» som blei fyrte av på Utøya, fortalde oss at vondskapens akse ikkje er ein plass langt borte, men inne i menneskesinnet. Det som skjedde, har skjedd før. Det kan dessverre òg skje igjen. Men det er vårt oppdrag å hindre at det skjer. Derfor er det viktig med beredskap, men det er òg viktig med verdiformidling. Det er vår største utfordring i etterkant av 22. juli. Eg vil òg i denne korte innleiinga seie noko om det eg sakna sterkt i trontalen. Det er slik at meir enn 70 000 barn lever med vedvarande fattigdom i Noreg. Samanlikna med treårsperioden er det 6 500 fleire barn som no lever i fattigdom. Eit arbeidsliv som inkluderer alle, er det beste verkemidlet mot fattigdom. Gode velferdsordningar og eit sosialt ansvarleg skattesystem bidreg til relativt avgrensa inntektsforskjellar i Noreg samanlikna med mange andre land, men dette aleine løyser ikkje fattigdomsutfordringa. Det er behov for betre og sterkare tiltak, og den offentlege innsatsen for å betre livssituasjonen til mange enkeltpersonar må forbetrast. Tiltak for inntektssikring og arbeidsretting, tiltak for betre levevilkår og tiltak for sosial inkludering av barn og unge er viktige område me er nøydde til å sjå på. Regjeringa har lykkast relativt godt med den daglege drifta av landet. så langt trygt gjennom økonomisk turbulent farvatn. Det som manglar, er ein tydelegare kurs på enkelte område. Eg meiner fattigdom er eitt av dei. Eit anna er klimapolitikken. 16. januar 2008 inngjekk Kristeleg Folkeparti, Høgre og Venstre eit forlik med regjeringspartia om klimapolitikken. Klimaforliket var ei bestilling til regjeringa med bak seg i Stortinget. Det blei vedteke ambisiøse mål om nasjonale utsleppsreduksjonar. Regjeringa fekk eit klart mandat til å handle. I dag, snart fire år seinare, er utsleppa høgare enn nokon gong. Regjeringspartia kranglar internt om kva tiltak som skal setjast i verk. Aftenposten skriv at no diskuterer ein kutt i utsleppsmåla

Hareide har flere ganger understreket at han ikke har særlig store muskler. Men talen han holdt i dag, mener jeg bærer bud om en stor partileder. Kristelig Folkeparti har i dag levert inn bl.a. et forslag som går på ideelle aktører innenfor viktige velferdsoppgaver. Vi deler Kristelig Folkepartis bekymring over at mange ideelle aktører havner i en skvis i konkurransen med rent kommersielle aktører. For hvem er det de ideelle taper anbudene mot? Jo, det er nettopp de rent kommersielle aktørene på markedet. Se bare på Oslo, hvor frivillige har trukket seg fra anbudsprosesser fordi de ikke makter den rå konkurransen. Derfor har regjeringen tatt noen grep allerede, gjennom bl.a. mer langsiktige avtaler innenfor rus i Helse Sør-Øst og en egen anbudsrunde for ideelle innenfor barnevern. Tror Hareide at de ideelle sikres best vilkår ved å fokusere enda mer på anbud og konkurranse eller med langsiktige kontrakter? Eg deler Stokkan-Grandes bekymring for ideell sektor. Det eg ser, er at me med eit raud-grønt styre dei siste fem–seks åra aldri har opplevd at så mange ideelle institusjonar har måtta leggje ned. I fjor, i 2010, var det 17 institusjonar som blei lagde ned. HSH seier at viss den politikken som blir førd no, blir førd vidare dei fem–ti neste åra, vil alle dei ideelle institusjonane bli borte. Da er det ikkje riktig å seie at det berre er dei kommersielle som er utfordringa her. Blå Kors sin institusjon på Askøy måtte leggje ned. Kven var det som overtok han? Jo, det var Helse Bergen, altså Helse Vest. Det var det offentlege som overtok institusjonen. Institusjonen lever på mange måtar vidare, men det ideelle er borte, berre det offentlege står igjen. Den prosessen vi har sett, hvor mange ideelle har havnet i en skvis, i en ren konkurranse, er jo nettopp også årsaken til at regjeringen har gjort grep innenfor bl.a. Helse Sør-Øst, men også innenfor barnevern. Mye har vi å diskutere i fellesskap rundt dette. Men tror Hareide at det er større muligheter for å oppnå et godt handlingsrom, langsiktighet og fokus på kvalitet for de ideelle aktørene, særlig innenfor barnevernet, i et regime sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, som utelukkende foregår etter økonomiske parametre, hvor kortsiktighet og hvor konkurransen er det altoverskyggende? Eg er heilt sikker på at viss me let dei frivillige aktørane sleppe ut i den frie marknaden, så vil ein del av på 1960–1970-talet måtte inngå pensjonsforpliktingar for å vere ein del av det offentlege tilbodet. Derfor stiller dei på ein måte med ein tyngre sekk enn dei private kommersielle aktørane som dei konkurrerer med. Det som er hovudpoenget for Kristeleg Folkeparti, er at det trengst at ein tek grep på dette området. Når det gjeld den utviklinga som skjer i dag, synest eg ikkje Oslo kommune gjer ein stor nok innsats, og heller ikkje regjeringa, sjølv om Hans Olav Syversen har heilt rett i at det grepet som helseministeren tok – og all den stund helseministeren sit her – i forhold til Helse Sør-Øst, var veldig viktig, der rusinstitusjonar blir tekne ut, der ein får lengre anbodsperiodar, og der dei frivillige blir gitt moglegheit til å investere. Den type grep er veldig viktig. Men mitt tydelege signal er at det hastar, for desse institusjonane forsvinn dag for dag. Eg vil fortsetje med det same saksfeltet. Eg er ein av dei som har jobba godt saman med Kristeleg Folkeparti i vår komité som har med konkurranselovgjeving å gjere, for å finne fram til ordningar som gjer at vi ikkje får eit skilje som skvisar ut dei ideelle og frivillige. Men det eg no ser, er at Kristeleg Folkeparti i mange kommunar, spesielt i min heimkommune, Kristiansand, går inn i eit samarbeid med Høgre og Framstegspartiet, som heilt klart seier at dei ønskjer å kommersialisere dei offentlege tenestene, og som ønskjer å kommersialisere velferdstenestene i kommunen. Mitt spørsmål er: Har Kristeleg Folkeparti ein strategi ute i kommunane der dei aksepterer kommersialisering som skvisar dei frivillige få samarbeide med Framstegspartiet og Høgre, og ein annan politikk på Stortinget når dei kan samarbeide med oss? Kristeleg Folkeparti har ein tydeleg strategi: Å ta vare på m.a. ideelle aktørar. Det er fordi me opplever at verken høgre- eller venstresida i norsk politikk gjer det på ein god nok måte. Det som har skjedd i Kristiansand, er at me har inngått eit samarbeid der me òg har sagt at me ønskjer ein del private aktørar. Det å få gode private aktørar inn i ein del omsorgstenester meiner me kan vere positivt i ein del tilfelle. Men da kan m.a. ideelle organisasjonar vere ein del av dei som no kan få lov til å komme med gode tilbod til Kristiansand kommune. Men det å ha eit einsidig fokus på kommersielle aktørar eller på offentlege er det me i Kristeleg Folkeparti er opptekne av ikkje å ha. Me ønskjer nettopp å ha den gode balansen. Me er positive til private aktørar, og me er positive til offentlege aktørar, men me seier: I den situasjon som me er i no, må me spesielt passe på dei ideelle.
og høyrt på Framstegspartiet sin – kva skal vi seie – «opptreden» i debatten, og så har eg tenkt for meg sjølv: Eg lurer på kva Kristeleg Folkeparti og Hareide eigentleg synest om det. Og så sette eg meg ned og høyrde på Knut Arild Hareide sitt tankevekkjande og ganske gode innlegg, og då tenkte eg at det er som å høyre to planetar, ikkje minst på dei felta han sjølv tok opp i sitt innlegg: eit mindre instrumentelt menneskesyn og utdanningssyn, fattigdom og fordeling, miljø og klima. Så tenkte eg at eg skulle spørje: Korleis har Kristeleg Folkeparti tenkt å gjennomføre det verdigrunnlaget saman med Framstegspartiet? Eller meir presist: Korleis ser representanten Hareide det for seg å sitje i ei regjering saman med Framstegspartiet, eller å ha Framstegspartiet som støtteparti i Stortinget, i arbeidet for betre fordeling og mindre fattigdom, ein betre klimapolitikk og eit mindre instrumentelt menneskesyn i samfunnet? Da Kristeleg Folkeparti sat i regjering, hadde me m.a. støtte frå Framstegspartiet for å få til ei formidabel satsing på bistand, på fattigdomshjelp, til dei landa som treng det mest. Det viktigaste for Kristeleg Folkeparti er kva for politiske resultat me får til. Det vil det òg vere i den prosessen som me kjem til å ha framover i dei politiske sakene. Men så veit me at i nokre saker er me eit sentrumsparti. Til høgresida er me opptekne av individuell fridom, me er opptekne av kampen mot eit sorteringssamfunn. Så veit me òg at i nokre saker ser me meir til venstresida, m.a. i fordelingspolitikk, og i sosialpolitikk har me òg gjort det. Men det eg kan seie, er at ja, av og til opplever eg at eg og Framstegspartiet er på to forskjellige planetar, men det føler eg av og til når eg høyrer nokre frå SV òg. Det er noko av det å vere eit tydeleg sentrumsparti, og det skal Kristeleg Folkeparti vere
kan vere greitt òg med eit spørsmål frå eit parti som er nokonlunde på same planet i ein slik debatt! Hareide peiker på at i nokre saker ser ein mot høgre, og i andre saker ser ein mot venstre. Det er litt av det å vere eit sentrumsparti. Men i alle dei sakene som har vore tema for denne debatten frå Kristeleg Folkeparti si side, miljø og klima, ruspolitikk, det å sikre heile landet ei positiv utvikling, nedkjemping av fattigdom, internasjonal solidaritet, så peiker alle piler mot løysingar mellom sentrum og venstre i norsk politikk, mens blikka til Kristeleg Folkeparti ser ut for å gå mot høgre. Eg lurer rett og slett på korleis Kristeleg Folkeparti ser på moglegheita for å få gjennomført sin politikk på desse viktige områda i samarbeid med parti som heilt tydeleg skriv ut ein heilt annan medisin for klima, distriktsutvikling og ruspolitikk og andre ting vi har debattert i dag. Om to dagar trur eg me kjem til å debattere bl.a. kontantstøtta, nettopp valfridom for barnefamiliane, som er ei viktig sak for I sak etter sak kunne eg òg vist til sorteringssamfunnet, tidleg ultralyd – viktige debattar for Kristeleg Folkeparti. Kva samfunn skal me ha framover? Skal det vere eit samfunn der alle blir respekterte for den dei er? Det er viktige verdidebattar for Kristeleg Folkeparti. Historisk sett har me i Kristeleg Folkeparti fått gjennomslag for mange av våre viktige verdisaker nettopp i samarbeid med sentrum–høgre. Det har historia vist. Det er viktige saker for oss. Da me sat i regjering, fekk me ein ambisiøs miljøpolitikk på plass. Me opplevde det under Bondevik II-regjeringa, og det var den tida da helsekøane gjekk nedover og ikkje oppover, slik som dei gjer i dag. Å sjå på ei fornying av offentleg sektor er òg ei viktig verdisak for Kristeleg Folkeparti. Replikkordskiftet er omme. Vi har i den valgkampen vi nettopp har bak oss, og

Arbeiderpartiets representanter ikke snakker om egen politikk. Jeg mener det er veldig relevant å rette det spørsmålet den andre veien: Snakker de om sin egen politikk? Jeg gjør det med bakgrunn i at jeg før denne debatten, og også tidligere selvfølgelig, har satt meg ganske grundig inn i hva de har skrevet i sine programmer, og hva det er de bruker som politisk argumentasjon i debatter, i valgkampen og ellers. Da ser vi i vårt eget land, men også i hele Europa, at høyrepartiene har en politisk filosofi som er grunnlaget for hele deres politiske argumentasjon. Det er at staten ikke trenger å være så stor, staten skal være svakere, skattene skal også i veien for verdiskapingen, slik det sies. Høyre og Fremskrittspartiet, og det har vært sagt av statsministeren og andre her tidligere i debatten, har i sine programmer foran siste stortingsvalg sagt at de skal senke skattene med mange titalls milliarder kr. Nå hører jeg at Erna Solberg har byttet politisk ståsted i så måte. Hun har i alle fall byttet retorikk. Hun svarer ikke på disse tingene. I replikkordskiftene her nå blir ikke dette spørsmålet besvart: Hva vil det ha av konsekvenser for den økonomiske politikken og for velferdsbyggingen? Nå sier de at konkurransekraften blir undergravd med regjeringens politikk. Det er nå Da må jeg i Norges nasjonalforsamling få lov til å stille spørsmålet: Hva kan være dokumentasjonen for det i en økonomi hvor, som alle har sagt, sysselsettingen er så høy og arbeidsledigheten så lav at reallønnsøkningen for befolkningen er rekordhøy i en vanskelig økonomisk situasjon, og hvor vi har hatt betydelige reformer innenfor offentlig sektor, som har styrket både landets konkurransekraft og velferden? Allikevel sier høyrepartienes representanter at vekstkraften i norsk økonomi står i fare og blir undergravd. Jeg bare etterspør: Hva er ikke bare den politiske, men den intellektuelle politiske argumentasjonen for en slik dokumentasjon på at det kan være sant? Jeg forstår ikke det. Jeg imøteser høyrerepresentantenes argumentasjon senere i denne debatten for å kunne dokumentere det på en tydeligere måte, slik at de ikke også her bare får anledning til å omgi seg med en retorikk som ikke har grobunn i den virkelige Dessuten – det spørsmålet som heller aldri blir besvart, er nemlig spørsmålet: Hvilke eksempler – i hvilke land, i hvilke samfunn – er det på at liberalistisk økonomi, lavere skatter og en svakere velferdsstat skaper større vekst? Det blir aldri besvart av noen noe sted. Hva er det uttrykk for? Jo, det kan være uttrykk for så mangt, men det er først og fremst uttrykk for at høyresiden også i Norge ikke er i stand til tilstrekkelig selverkjennelse. Kanskje det er grunn til å si at det også er uttrykk for høyresidens manglende ideologiske fornyelseskraft. De sier stadig at det er er umoderne. Da må en spørre seg: Hva er det da som er moderne, hvis man ikke kan dokumentere hovedkildene i den politiske argumentasjonen som en har? Her går den tradisjonelle hovedskillelinjen i norsk politikk. Vi kan allerede si at det er dette valget i 2013 først og fremst og grunnleggende sett kommer til å handle om. Når vi skal få vite politiske posisjoner innenfor dette helt avgjørende feltet, gjenstår altså å se. Jeg sier også: Det blir selvfølgelig avgjørende og spennende hvordan Kristelig Folkeparti og Venstre plasserer seg i dette politiske spørsmålet. I Noreg har mange etter kvart teke demokrati, tryggleik og økonomisk velstand for gitt. 2011 vart året då noko av tryggleiken vart teke frå oss. Terroren var ikkje lenger noko som ramma dei andre. Denne brutale lærdomen tek me alltid med oss som folk. Den lærdomen skal me bruke til å arbeide for at terroren aldri meir råkar oss hardt og nådelaust som i sommar. Me skal òg bruke han for å slå ring om viktige verdiar ved samfunnet vårt. Noreg må gå vidare – litt betre enn før. På mange område er me i Noreg spart for turbulens og hendingar som me ser rundt oss. Økonomisk krise og matvarekriser rammar ei heil verd. Men me vert òg påverka. må ta høgd for at brottsjøane som skyl over andre land, òg kan nå kysten av Noreg – heldigvis med litt mindre bølgjer. Me må manøvrere med klokskap i tida framover. Å halde rente og kronekurs låg og sikre full sysselsetjing er grunnleggjande viktig for landet si utvikling og konkurranseevne. Forvalting av naturverdiane på ein langsiktig og berekraftig måte gir oss tryggleik for at velstanden me opplever i dag, òg skal kome etterkomarane våre til gode. nærmar seg ei ny matvarekrise. Tørke, flaum og skogbrannar herjar store matprodusentar. Sjølvforsyningsprinsippet må vike i mange land. Me har gjort oss stadig meir avhengige av ein global matvaremarknad, og konsekvensen er at matprisane stig i heile verda. Dei aller fattigaste vert brutalt ramma. I Noreg har me råd til å kjøpe oss fri Men me kan ikkje kjøpe oss fri frå ansvaret me har til å produsere mat til eiga befolkning. Naboland og nære allierte sit fast i ei global økonomisk krise. EU-stormakter kjempar for ein nesten fullstendig økonomisk integrasjon mellom eurolanda. Krisa pressar EU meir og meir i retning av ein føderal stat. Ein ynskjer òg å stille krav til dei landa som framleis står utanfor eurosona. Desse forslaga kjem samtidig med at euroen skapar stadig større vanskar innanfor EU. Eurolanda klarar ikkje å få fart i økonomien att, og den folkelege motstanden mot EU-overstyring og budsjettkutt er større enn nokon gong. Folk i Noreg valde å stå utanfor EU og euroeksperimentet. Og folk valde rett. Ja-sida bør i dag vere glad for at folkemeininga tala dei midt imot. Argumentet om at Noreg må inn i EU for å påverke, håpar eg at me ikkje får høyre på ei god stund. I Danmark meinte den nyleg avgåtte regjeringa i den såkalla Reformpakken 2020 at ein må skaffe 47 mrd. kr innan 2020 for å oppnå balanse i statsbudsjettet. Regjeringa fekk i 2010 fleirtal for ein langsiktig plan for å opprette den balansen att. Planen inkluderer uendra nivå for kommunane sine utgifter frå 2010 til 2014 – fire år med nullvekst, eit betydeleg effektiviseringskrav og store kutt i tenestene. Dette er bakteppet for den politikken me må føre òg hjå oss. Me kan ikkje agere uavhengig av dette. Me må sikre vilkår som er føreseielege for næringsliv og familiar. Tenestene i kvardagslivet baserer seg på sikkerheitsnettet når tøffare tider råkar oss. Denne regjeringa har valt å satse på kommunane og gode tenester. Me har føreteke ein nødvendig snuoperasjon for kommuneøkonomien. Me har ein massiv auke i tenesteproduksjonen, med om lag 70 000 fleire tilsette i kommunesektoren frå 2005 til 2010. Me har hatt ein realvekst på 48 mrd. kr fram til 2011, ein realvekst på 2,7 pst. Investeringane har vakse sterkt og er på eit historisk høgt nivå. Opprustinga av kommunale bygg og nybygg gir eit betre tilbod til ungane våre, i skule og i barnehage, og til dei eldre som treng omsorg. No får me nye kommunestyre som skal realisere sine visjonar og vidareføre det gode arbeidet som er gjort for å byggje tenester og næringsverksemd lokalt. Vår jobb er å sikre gode rammevilkår og fridom, slik at ein kan prioritere lokalt. Me vil i budsjettet følgje opp signala frå kommuneproposisjonen me la fram i vår, og leggje forholda til rette for at lokale folkevalde òg neste år kan prioritere å vidareføre gode kommunale tenester. I tillegg til dei grunnleggjande velferdstenestene skal kommunane òg vere samfunnsutviklarar. Arealplanlegging og tilrettelegging for nybygg er viktige oppgåver i den samanhengen. Me vil i år oppnå nesten 30 000 nye bygg og einingar – ein formidabel vekst i alle landsdelar, men mest i byområda, der òg presset er størst. Ikkje minst Husbanken sine ordningar sikrar at unge og andre som ikkje har ein høg startkapital, òg kjem inn på den Kommunane skal styrkjast òg på dette området i tida framover. Det blir Kommunalministeren kom med mange superlativ når det gjeld kommunepolitikk. Regjeringa satsar på kommunen. Ein har føreteke ein økonomisk snuoperasjon for kommunane, ein har gode rammevilkår i kommunane, og ein har gode kommunale tenester. No er det slik at vi har vore gjennom ein valkamp, og der har det vore fokusert på grunnleggjande velferdstenester i kommunane og på kommuneøkonomi. Dei som er ute i kommunane, våre folkevalde og dei tilsette der, opplever altså ikkje kommuneøkonomien som god. Dei seier at rett nok har ein fått fleire kroner, men det har aldri tidlegare vore så dyrt å drive tenester i Kommune-Noreg, det har aldri vore så mange innbyggjarar i Kommune-Noreg, og det har aldri vore stilt så store krav og vore så mange tenester som er overførte til kommunane. Då er mitt spørsmål: Har ein misforstått fullstendig ute i Kommune-Noreg, sidan kommunalministeren meiner at alt er veldig bra i kommunane, mens kommunane opplever det annleis? Dei som har skoa på, veit alltid best kor både KS og alle andre som har interesse av at kommunane bør ha eit driftsresultat på om lag 3 pst., er samstemte. Det har kommunane hatt under denne regjeringa. Me har hatt ein formidabel vekst i budsjetta. Og når eg snakkar om den veksten som ligg der, er det altså realveksten, som òg er korrigert for at me har ein demografi som heldigvis veks. Me får fleire ungar, me får fleire eldre – det er bra. Når me justerer budsjetta og legg inn dei frie midlane, har òg denne regjeringa teke høgd for det, i motsetning til den regjeringa som me avløyste, som ikkje alltid dekte dei demografiske kostnadene som kommunane har knytt til sine tenester. Eg er veldig stolt over det kommunane gjer. Eg trur me alle i denne salen skal verte flinkare til å lyfte fram det alle dei tusenvis av tilsette og kommunepolitikarane står for i kvardagen. Vi hører kommunalministeren rose kommunene for den jobben de gjør, og det ansvaret kommunene har. Det er en ros Høyre slutter seg til. Det gjøres et fantastisk arbeid i samtlige av landets kommuner til beste for innbyggerne og til beste for samfunnsutviklingen. Samtidig har vi for ikke lenge siden fått en Difi-rapport – altså en rapport fra et direktorat i statsforvaltningen – hvor det sies at det har skjedd en massiv flytting av makt fra kommunene til staten. Vi har stadig møter med representanter for KS, som sier akkurat det samme – at man opplever en økende frustrasjon under denne regjeringen ved at kommunene fratas makt og myndighet på bekostning av statlige instanser. Vi har nettopp gjennomført en valgkamp, hvor jeg selv har hatt gleden av å møte mange ordførere fra de fleste partier og motiverte kommunestyrekandidater som mer enn noe ønsker å få et større ansvar for sin lokale samfunnsutvikling. Vi hører at det kommer en stortingsmelding om forholdet mellom kommune og stat. Hva ligger i den? Om det var så vel at det var berre under denne regjeringa at kommunane føler at staten har stramma sitt grep, så ville det kanskje ikkje ha vore så alvorleg. Det som har skjedd over fleire år, over fleire tiår, ikkje minst då Høgre satt i regjering, er at det er ei større statleg styring bl.a. gjennom Denne regjeringa har teke tak i det. Det er denne regjeringa som har fått Difi-rapporten på bordet. Det er òg me som skal leggje fram ei stortingsmelding der Stortinget får høve til å drøfte forholdet mellom stat og kommune, og det er denne regjeringa som står for ei historisk låg øyremerking til kommunane. Ho er nede på 5 pst. og har vel aldri vore mindre. Det er òg ein del av den kommunale handlefridomen at ein lokalt kan prioritere korleis ein vel å bruke ressursane sine. Eg kjem tilbake med stortingsmeldinga, og då vert det godt høve til å drøfte forholdet mellom stat og kommune, som er særdeles viktig for framtida i norske Kristelig Folkeparti var forutseende nok til å varsle i kommuneproposisjonen at vi ønsket å bevilge 1 mrd. kr ekstra til kommunene, utover det som regjeringen selv varslet i kommuneproposisjonen. Jeg sier det, for i dag ble vi gjennom NRK-nyhetene kjent med en budsjettlekkasje som gir grunn til bekymring, nemlig at man kutter 1 mrd. kr i kommunenes frie inntekter i forhold til det som er varslet. Hvis det medfører riktighet, betyr det dårligere eldreomsorg, ikke bedre. Det betyr ingen vekst i lærertetthet, snarere tvert imot. Og det kommer til å gjøre kommunene enda mer sårbare i forhold til demografiutvikling, i forhold til lønnsvekst, i forhold til pensjonskostnader. Medfører denne budsjettlekkasjen riktighet? Og hvordan mener statsråden at kommunene nå skal kunne unngå å kutte i viktige velferdstjenester? Budsjettlekkasjar er jo kjende for å vere – av og til iallfall – regjeringa sin måte å få ut nyheitene ein på ulikt vis ynskjer å få ut. Dagens lekkasje var overraskande for kommunalministeren, og det er heller ikkje riktig at me kuttar 1 mrd. kr i dei frie inntektene. Som eg sa i innlegget mitt, kjem me til å følgje opp det som er varsla i kommuneproposisjonen. Og det me kjem med i budsjettet, vil vere innafor dei intervalla som er varsla. Slik sett vil ikkje Kommune-Noreg få eit sjokk på Kommunalministeren sa i sitt svar til meg at det gikk rett veg økonomisk i Kommune-Noreg. Økonomien i Kommune-Noreg er på betringas veg. No har vi ei kommune–stat-rapportering som heiter KOSTRA. Ho viser at 203 kommunar hadde eit dårlegare netto driftsresultat i 2010 enn dei hadde i 2007. I tillegg viser gjennomgangen at 257 kommunar – altså godt over halvparten – hadde eit netto driftsresultat som var lågare enn den anbefalte minstenormen på 3 pst. Spørsmålet til kommunalministeren er: Er det grunn til å tru på desse tala frå KOSTRA, eller meiner kommunalministeren at er feil, og at det står veldig bra til i Kommune-Noreg økonomisk sett? Det er mange måtar å måle korleis det står til på. Det går an å halde aktiviteten på eit særdeles lågt nivå og likevel ha eit godt driftsresultat. Det gjorde ein til dels i Høgre-regjeringa si tid. Ein hadde veldig liten vekst i talet på tilsette, men driftsresultatet var ikkje nødvendigvis spesielt dårleg. Men ein hadde stor vekst i ROBEK-kommunar i denne perioden. No har talet på ROBEK-kommunar – altså kommunar som står under statleg kontroll – gått ned, frå 116 i 2005 til 51 i september i år. Det er ein måte å tolke utviklinga på, nemleg at fleire no har greidd å ta hand om sin eigen økonomi. Gjennomsnittleg driftsresultat i fjor var 3,2 pst. Men det viktigaste for meg er at det er 70 000 fleire menneske, etter at me kom i regjering, som no yter gode tenester i barnehagar – full barnehagedekning – i skular og i eldreomsorg. Det er menneske som tel, ikkje tal. Replikkordskiftet er omme. Daglig leser vi i media om den økonomiske krisen i Europa. Flere søreuropeiske land er i praksis på konkursens rand. Massearbeidsledighet og

Det står i sterk kontrast til den hverdagen vi i Norge opplever. Folk flest har en jobb å gå til, lønningsposen vokser, og vi fortsetter å bygge ut velferden. Det er rett at vi trakk vinnerloddet og fant olje, men vi kunne likevel ha befunnet oss i en dyp økonomisk krise om vi hadde brukt disse pengene over evne. Men vi har vist måtehold i pengebruken da mange andre land levde over evne, vi har satset på å få kvinner i arbeid, vi har drevet motkonjunkturpolitikk i stedet for skattelettepolitikk, og vi har brukt de store pengene på å bygge ut velferden. Det er hender og hoder som bygger landet. Derfor har vi til forskjell fra mange andre europeiske land satset på høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Likestilling er en av bærebjelkene i den norske modellen. vårt samfunn er bygget på at alle skal bidra etter evne og motta etter behov. «Alle» betyr ganske enkelt alle, og ikke halvparten, slik tilfellet er i Italia, Polen og Spania. Barnehager, foreldrepermisjon, regulert arbeidstid og rettigheter gjennom likestillingslovgivningen har gitt oss verdens høyeste yrkesdeltakelse blant kvinner, samtidig som norske kvinner føder flest barn i Europa. Begge deler er avgjørende for velstanden – det er bedre at hele folket arbeider og betaler skatt enn at bare halvparten gjør det. Dessuten er det maktpåliggende at vi får mange barn som kan fortsette å bygge landet og velferden. Nettopp derfor er det så viktig at norske kvinner ikke blir tvunget til å velge enten barn eller arbeid. Likestillingspolitikken er en av de viktigste grunnene for at Norge går så og det er ingen enkel retorikk som er funnet opp av norske statsfeminister. OECD konstaterte allerede i 2007 at likestilling styrker et lands økonomi. Internasjonal forskning viser også at likestilling i utdanningssektoren, i arbeidslivet og i økonomien styrker brutto nasjonalinntekten, konkurransekraften og innovasjonsevnen. Men høyresidas politikk kan svekke kvinners mulighet til å delta i yrkeslivet. Vi har i løpet av det siste året fått et nytt begrep: borgerlig feminisme. Man foreslår at tidsklemma til småbarnsfamiliene skal løses gjennom mer fleksible arbeidstider. Det vil slett ikke hjelpe foreldre som er i tidsklemma, tvert imot. Dersom mor og far skal bli mer fleksible, betyr det at de må jobbe lenger og mer utenfor åpningstidene i barnehagene. De vil mange ganger ikke rekke å hente barna sine i barnehagen. Høyres arbeidstidspolitikk vil i praksis gi foreldrene mindre valgfrihet når arbeidsgiveren i større grad skal diktere arbeidstida. I beste fall får mor og far mindre tid med barna, i verste fall må mor slutte å arbeide. Høyresida i Europa har brukt fleksibel arbeidstid og midlertidige ansettelser som et argument for å gjøre det lettere å komme inn i arbeidsmarkedet. Det samme gjør høyrepartiene i Norge. Men dette er i praksis en politikk for å holde kvinner ute fra arbeidsmarkedet. Mangel på regulert arbeidstid og elendig lønn gjør det umulig for italienske og f.eks. også tyske kvinner En sånn politikk ønsker vi ikke i Norge. Derfor er det viktig å stoppe forsøkene på å svekke arbeidstakernes rettigheter. Sjøl med en arbeidsmiljølov og godt oppsigelsesvern behandles mange kvinner som annenrangs arbeidstakere i det norske arbeidsmarkedet. I helse- og omsorgssektoren kombineres deltid med ekstravakter. Hotell og restaurantbransjen har nullstillinger og ringevakter. Arbeidsforhold anses å være avsluttet når vaktene eller arbeidet er utført. I praksis betyr det null oppsigelsestid. En sånn praksis gir en uoversiktlig arbeidssituasjon med tilfeldig arbeidstid og inntekt, og dessuten null muligheter for å etablere seg med banklån og forpliktelser. Når høyresida nå i tillegg vil svekke oppsigelsesvernet og ha flere midlertidige ansatte, vil det aller først ramme kvinner. Det er motsatt vei av den Arbeiderpartiet og en rød-grønn regjering har gått. Vi har foreslått tiltak for å hindre sosial dumping. Alle disse forslagene som er innført under den rød-grønne regjeringa, vil bedre arbeidssituasjonen for kvinner i lavtlønnsyrkene og hindre sosial dumping. Disse forslagene har høyresida vært imot. Presidenten ber om at representantene og for øvrig også statsrådene holder seg innenfor den tildelte Ja, jeg skal prøve så godt som mulig å holde meg innenfor taletiden. For det første: Da jeg hørte trontalen i går, og når jeg hører representanter fra regjeringspartiene og statsråder fra denne talerstolen i debatten i dag, er det tydelig et tegn på at den sittende regjeringen ønsker å fortsette å administrere Norge med flotte ord uten visjoner for framtiden. Det fikk meg til å tenke på en av trønderrockartistene, nemlig Terje Tysland som sang «Samme Gamle Leksa». Jeg synes vi har hørt før de ordene som er servert i denne debatten. Hva sier regjeringen? Jo, regjeringen sier at man ønsker høy sysselsetting, lav ledighet. Man ønsker å trygge og opprettholde en god velferd. Det tror jeg vi alle er enige om. Men det som bekymrer meg, er: Har vi høy sysselsetting i dag når vi vet at 800 000 i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, når vi vet at funksjonshemmede med nedsatt arbeidsevne ønsker seg inn i arbeidslivet, men ikke får den nødvendige hjelp eller tilrettelegging for at de skal komme seg inn i et ordinært arbeidsliv? Vi vet samtidig at 20 000 av de funksjonshemmede er aktivt arbeidssøkende, de står som ledige og er kvalifisert for å kunne gå inn i arbeidslivet, heller ikke den nødvendige hjelpen for å komme inn. Og hvilken hjelp er det jeg etterlyser? Jo, vi kan f.eks. ta en som jeg selv hadde kontakt med i sommer, og som jeg besøkte. Han hadde fått en tilrettelagt arbeidsplass i det ordinære arbeidslivet og var klar til å gå ut. Bedriften ventet på ham. Problemene var at pengesekken til Nav var tom når det gjaldt tilretteleggingstilskudd. Pengesekken var tom når det gjaldt tilrettelegging for arbeidsreiser, han sto der og kom seg ikke til arbeidsplassen. Slike enkle ting kan man faktisk gjøre noe med ved å ha en mer aktiv politikk overfor dem som har Vi vet at den sittende regjeringen – og også statsministeren – har sagt at vi har ikke mye å glede oss til når det gjelder statsbudsjettet. Det vil bli et stramt statsbudsjett for 2012, og vi vet at i inneværende år har regjeringen redusert antall tiltaksplasser. Vi vet at folk venter i over 900 dager på å få komme inn på et rett tiltak for å bli kvalifisert inn til arbeidslivet. Hvorfor har man ikke som Fremskrittspartiet ønsker, og får flere tiltaksplasser, så folk fortere kan komme på de rette tiltakene og fortere bli kvalifisert til å komme ut i det ordinære arbeidslivet? I stedet registrerer vi at mange av disse menneskene aldri kommer ut i arbeidslivet, tiden går fra dem, og man blir heller skjøvet over på uførestatistikken, noe som jeg og Fremskrittspartiet synes er uverdig. Så registrerer jeg også at man snakker om en bærekraftig velferd, og man må gjøre grep for å opprettholde en bærekraftig velferd. Det siste året har vi hatt to nye store oljefunn som gir staten store, nye inntekter, og som omtales i media som en gledelig nyhet. Det må jo bety at man kunne hatt litt mer rom for å tilrettelegge og gjøre noe også med helsevesenet. Vi vet i dag at den sittende regjeringen overtok. Mange av disse som er sykmeldt i dag, venter på en enkel operasjon. Jeg besøkte Nortura i Trøndelag der en ansatt har gått i seks måneder og ventet på en liten seneoperasjon som faktisk kunne ha gjort at han kunne ha kommet tilbake til arbeidslivet – en operasjon som det tar 10 minutter å utføre, har han ventet seks måneder på. Jeg synes det er uverdig at man med den økonomien som Norge har, ikke legger bedre til rette for å få en bedre og smidigere politikk, enkle tiltak, for å sikre at man opprettholder flere i arbeidslivet, og at færre faller utenfor og over på trygdeordninger. Til slutt: Med de nye inntektene som vi vil få, stiller jeg spørsmålet: Betyr det at bærekraften i det pensjonssystemet vi har i dag, kunne ha blitt oppfulgt, at man kunne ha videreført det pensjonssystemet som Fremskrittspartiet gikk inn for, uten at det ville ha ført til en dårligere økonomi? Men det man i realiteten har gjort, er å svekke På Dagsrevyen i går var det bilder fra nok en demonstrasjon i Hellas. En gresk student ble intervjuet. Han sa: Vi har ikke lærere, vi har ikke bøker. Vi streiker for å få det og for å få gratis utdanning. Tenk på det. Arbeidsledighet, statsgjeld og kutt i sosiale ordninger er hverdagen i mange europeiske land. Hva gjør det med folk å oppleve en slik krise? Unge mennesker som egentlig skulle ha planlagt framtiden, får livet sitt knust før de i det hele tatt kommer i gang. Tilliten er ødelagt. Dette sier oss mye for ikke å si alt – om ansvaret for å holde orden i økonomien, for det handler om mennesker og generasjoners mulighet til å ha tro på framtiden. Jeg blir skremt av Fremskrittspartiet dersom det er riktig det som sto i avisen i går, at de mener at det nå ikke er behov for å stramme inn. For situasjonen i store deler av Europa er resultatet av politikk. Norges gode utgangspunkt for å håndtere uro i internasjonal økonomi er også resultatet av politikk – sosialdemokratisk politikk. Jeg vil takke tidligere framsynte politikere som gjorde kloke valg, og som demmet opp for høyrepolitikk. Vi har sikret at fellesskapets ressurser forvaltes av fellesskapet. Det Vi har sikret at Norge i dag har Europas laveste arbeidsledighet. Vi har sikret at vi ligger på europatoppen i kvinnelig sysselsettingsgrad, og vi har håndtert virkningene av finanskrisen effektivt og klokt, takket være at vi har en flertallsregjering som har arbeid til alle som jobb nr. 1, og som kan handle raskt med flertall bak seg i parlamentet. Tenk bare på hvor lammende det er for politikken og for folks tillit at Obama ikke har flertall i Kongressen. Men jeg vil også takke for at rikdommen er forvaltet på en så klok måte. Hvor mange ganger har vi ikke måttet stå imot det vedvarende kjøret om mer bruk av pensjonsfondet fra Fremskrittspartiet? Deres politikk ville både ødelegge grunnlaget for den rikdommen vi har, og pulverisere de oppsparte midlene. Norske familier, lokalsamfunn og bedrifter kan være ufattelig glade for at Fremskrittspartiet ikke har sluppet til med denne kortsiktige politikken. Tiden har løpt fra høyrepolitikkens løsninger. Som Aftenpostens økonomiredaktør, Ola Storeng, skrev på lørdag: «Skattelettelser er foreldet tankegods.» Jeg er selvsagt helt enig. Fortsatt ser vi noen krampetrekninger, men folk flest har avslørt det jeg vil kalle høyrelogikken, nemlig den at rike folk jobber mer dersom de får mer penger, mens fattige folk jobber mer dersom de får mindre penger. Høyresidens mål er et samfunn med større forskjeller. Det de ser bort fra, er at forskningen viser at lykken minker når ulikheter i et samfunn øker. I samfunn med stor ulikhet er det større helseproblemer, mer sosiale problemer, mer kriminalitet i det hele tatt et mer dysfunksjonelt samfunn. Selv dødeligheten er større i samfunn med stor ulikhet. Det handler om kvaliteten i de mellommenneskelige forhold. I samfunn med små forskjeller er tilliten større og fellesskapet sterkere, folkehelsen er bedre, og kriminaliteten er lavere. Kvaliteten på et samfunn er kort og godt bedre der materiell velstand er likt fordelt. Et slikt samfunn er også vårt fremste bolverk mot ekstreme holdninger av noe slag. I takknemlighet og ærbødighet over hva tidligere generasjoner har gjennomført, er vi rede til å vie vårt liv til å kjempe for at alle skal være like mye verdt, at alle selv skal kunne velge sitt liv, og at alle barn skal slippe å møte en verden som den greske ungdommer lever i.

at ressurser til politiet har vært et gjennomgangstema de siste seks årene. Mange ganger har opposisjonen følt at statsråden har vært på en annen planet enn den vi har vært på. Likevel har jeg lyst til å takke statsråden for at det er en viss ydmyk framstilling som nå kommer. Debatten i dag har handlet mye om beredskap og PST. Men det er viktig at vi i dag også har fokus på å bekjempe den kriminaliteten som foregår hver dag, og som nå blir skadelidende på grunn av at politiet ikke har nok kapasitet. Som kvinne og mor blir jeg ordentlig bekymret når en ser at overfallsvoldtekter ikke blir etterforsket, men henlagt. Foregående taler står her og snakker om at det er mindre kriminalitet, men det er ikke det vi ser i hverdagen. Politiet mangler personell og ressurser for å være tilstrekkelig synlig og tilstedeværende i bybildet på Det betyr at det forebyggende arbeidet dessverre ikke blir optimalisert. I tillegg vet vi at saksbehandlingstiden knyttet til DNA-analyser fortsatt er for lang – analyser som kunne bidratt til å få fortgang i etterforskningen. Det framstår litt merkelig når justisministeren sier at det ikke bare er ressurser det står på, men også andre virkemidler, når vi vet at et laboratorium i Stavanger har den nødvendige kompetansen og kunne avhjulpet politiet med slike analyser. Videre har vi ved flere anledninger kunnet lese at hundrevis av sedelighetssaker har blitt lagt til side av politiet i flere av de store byene på grunn av kapasitetsmangel på etterforskningssiden. Denne utviklingen skjer til tross for at justisministeren for flere år siden varslet kamp mot denne type kriminalitet, og at innsatsen for å bekjempe voldtekt skulle Resultatet av at stadig flere voldtekter blir kjent, gir en massiv følelse av utrygghet blant de jentene som ferdes i de store byene på kveldstid. Disse har krav på et trygt miljø rundt seg, og at politiet sørger for den tryggheten. har skrevet et brev til justisministeren om dette temaet. Jeg håper at justisministeren tar seg tid til å komme til Stortinget for å orientere om hva han virkelig vil gjøre for å få ned tallene på voldtekter. Jeg kan ikke ta ordet i denne debatten uten å si noen ord om bekjempelse av fattigdom. Jeg vil gi ros til statsministeren for hans engasjement for å bekjempe fattigdom rundt omkring i verden. Men jeg skulle ønske at han hadde hatt det samme engasjementet også her til lands. Vi vet at vi har fått over 6 500 flere fattige barn under denne regjeringen. Ingen tiltak som er fremmet i denne sal har klart å redusere dette, det har heller økt. Helga Pedersen sa i sitt innlegg at en bekjemper fattigdom ved å fordele rikdom. Ja, hvis budsjettlekkasjene er riktige, kommer vi på torsdag til å se at momsen på Det er de grepene denne regjeringen gjør for småbarnsfamiliene og for pensjonistene, og som skaper mer fattigdom. Disse familiene ber ofte om at sunn mat skal være billigere. Jeg har lyst til å sitere en kollega. Han sa at KIWI faktisk har gjort mer for å bekjempe gjort. Heller ikke noe har blitt gjort med barnetrygden. Flere forskere sier at den kan være med på å bekjempe fattigdom blant småbarnsfamiliene. Til slutt: Vi hører Bård Vegar Solhjell snakke om valgfrihet, og vi hører Gunn Karin Gjul snakke om at høyresiden vil ødelegge for kvinner og familiene. Det er en svartmaling av hva høyresiden vil gjøre. Den valgfriheten i hverdagen de viser til, er en valgfrihet som bare er reell så lenge man velger det som denne regjeringen – og spesielt SV – ønsker at man skal velge. En av de viktigste skillelinjene i politikken – og ofte forskjellen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet – er at Fremskrittspartiet har tro på familiens valgfrihet. Fremskrittspartiet har tro på individet. Vi ønsker å sette enkeltmennesket foran systemet. Det er noe denne regjeringen ikke gjør. Høyre har i hele denne debatten sagt at vi vil skape trygghet og velferd gjennom kunnskap og konkurransekraft. Stokkan-Grandes angrep skyter derfor langt over mål. Representanten Kolberg tegner et rent vrengebilde av Høyres politikk. Ja, Martin Kolberg kommer med en slags stråmannsargumentasjon som absolutt ikke står til troende. Sannheten er jo at det dreier seg om å skape mer, ikke å skatte mer. Kanskje Kolberg ikke tror på meg, men kanskje han tror på regjeringskollega Navarsete som i Dagens Næringsliv 31. januar i 2009 sier: «Hvis vi setter ned skatten for næringslivet så vil det blir større vekst. Næringslivet vil få større mulighet til å gi avkastning. Det igjen gir flere arbeidsplasser, noe som igjen fører til staten får økte skatteinntekter.» Godt sagt La meg også minne Kolberg om at mens vi senket skattene, reduserte vi også helsekøen med 50 000. Denne regjeringen har økt skattene, og helsekøen er økt med nesten 80 000. De rød-grønne partiene gjør lurt i å ta inn over seg at ikke all velferd skapes av stat og kommune eller deres ansatte. Private organisasjoner og ikke minst enkeltindivider er også svært viktige aktører i et velferdssamfunn. Mangfold og mulighet for reelle valg innenfor omsorgssektoren er det som virkelig gir trygghet i omsorgstilbudet, og her svikter regjeringen. Tilsynelatende er det mer viktig med offentlig omsorg enn mangfold. Sunn vekst og konkurransekraft, som nettopp gir mulighet for å yte velferd, skapes ved å føre en til å investere, til å ansette folk, og dessuten ved å holde skatte- og avgiftsnivået lavest mulig. Da skapes optimisme, vekstimpulser og vekstkraft som gir grunnlag for økt velferd. Derfor har regjeringen et betydelig ansvar for å tilrettelegge for bedre konkurransekraft i norsk næringsliv, men på dette feltet svikter regjeringen. Løsningene er ikke stadig høyere avgifter og skatter i god arbeiderpartitradisjon, slik man kunne få inntrykk av på statsministeren tidligere i dag. Og det er gledelig, som flere har sagt i dag, at Flåthen på vegne av arbeidstakerorganisasjonene tar opp denne særnorske formuesskatten, som altså hindrer verdiskaping. Dette vil også skape betydelige dynamiske virkninger, som baker samfunnskaken større. La meg ta et eksempel på det: Den forrige, borgerlige regjeringen fjernet investeringsavgiften, noe som svært gode og varige vekstimpulser inn i norsk økonomi, som ikke minst denne regjeringen har nytt godt av. Det er heller ikke veldig imponerende eller troverdig når Arbeiderpartiet framhever situasjonen i Norge og virkningene av finanskrisen som enestående rød-grønt politisk håndverk. Ingen andre land hadde den muligheten som vi i Norge hadde. Regjeringen er opptatt av å verne offentlige monopoler, istedenfor å stimulere til mangfold, som kan gi bedre tilbud til brukerne. Høyre mener det er behov for en betydelig oppmyking og reformer. Statsministeren sier i dag at de reformerer og moderniserer offentlig sektor. Det er en høyst diskutabel sannhet. Innenfor samferdselssektoren er det Her drives en ren gammeldags budsjettpolitikk uten vilje til reformer og nytenkning. I alle land skjer det nå spennende utvikling innenfor denne sektoren, hvor nye virkemidler og grep tas i bruk for å bygge veier og jernbane raskere, smartere og mer helhetlig. Regjeringspartiene stemmer imot alle forslag til reformer og nytenkning, og dette gjør at vi henger stadig lenger etter med kvaliteten på vei- og jernbanenettet vårt. Og dette er en særlig viktig faktor for å tilrettelegge for større konkurransekraft. Næringslivet framhever stadig og i alle sammenhenger i møte med oss politikere at mobilitet og konkurransekraft er avgjørende for vekst og trygge arbeidsplasser. Alle ser behovene, men regjeringen har altså ikke svarene. La meg til slutt illustrere dette med to sitater. Det første er fra Jens Stoltenberg, hvor han sier: Vi kan ikke ta opp et stykke asfalt og betale pensjonene i framtida med det. La oss høre hva vår nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch, sier: En person kan spare til sin alderdom, men en stat må investere for sin alderdom. Kanskje noe å lære her? Siden Stortinget sist var i aktivitet, i juni, har særlig to saker preget oss. Den ene er de forferdelige hendelsene 22. juli. Den andre er den voldsomme turbulensen i verdensøkonomien, og da særlig i eurosonen. Den internasjonale gjeldskrisen og det uventede og grusomme terrorangrepet setter oss på prøve. Det krever visdom, kløkt og lederskap av oss som politikere, og innsikt og kunnskap om vi skal sikre fortsatt økonomisk stabilitet og en opplevelse av at Norge er et trygt land å bo i. Det bør ikke herske noen tvil om at å sikre oss mot økonomisk tilbakefall og det å ta tryggheten tilbake er de to viktigste oppgavene vi står overfor som nasjon. En slik målsetting i den verden vi ser rundt oss i 2011, er å sette seg høye ambisjoner. Og skal vi nå disse målene, må vi basere politikken vår på kunnskap, både ved å føre en økonomisk politikk som tar utgangspunkt i det vi vet om samfunnsøkonomi, og ved å møte trusler og utrygghet med åpenhet, demokrati og deltagelse, men også konkrete tiltak som statsminister Stoltenberg omtalte tidligere i dagens debatt. Jeg mener denne oppgaven er enklere i et land som Norge. Vi har et høyt utdanningsnivå, og de aller fleste har et trygt og godt liv. Den norske modellen har mange særtrekk. Et av dem er at de aller fleste av oss har gått på samme skolen, uansett inntekt, sosial bakgrunn og medfødte evner. Det gir oss en felles referanseramme og gir de aller fleste av oss en opplevelse av å være en del av det store fellesskapet. For Arbeiderpartiet er det et mål i seg selv at alle skal med, og at vi sammen løser oppgavene bedre enn hver for oss. Derfor slår vi ring om fellesskolen. En felles offentlig og god skole for alle må være bærebjelken i samfunnet vårt. Skole var naturlig nok et sentralt tema i valgkampen. Det er kommunene som eier skolene. De eier byggene, de er arbeidsgiverne til lærerne, og de har ansvaret for å gjennomføre norsk utdanningspolitikk. Mitt inntrykk er at det er mange nyvalgte kommunestyrerepresentanter som er ivrige etter å komme i gang og jobbe for å gi barna våre en tryggere og bedre skole. Det er bra. Men ikke alle signaler er jeg like begeistret for, og det gjelder Høyres ordførere og skolepolitikere, som i stor grad argumenterer for mer testing, karakterer i barneskolen og privatisering av skolen. For eksempel sa ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen i en debatt på NRK at kommersielt utbytte var helt greit, og sammenlignet det å tjene penger på skole med å drive vanlig butikk. Det er en sammenligning jeg er forundret over. Utdanning er for viktig til å bli et punkt på en shoppingliste. Åpning for økt privatisering av skolen fører ikke til en bedre skole. Sverige er et godt eksempel på det. En uavhengig rapport som nylig ble lagt fram der, viser at det ikke har blitt noe mer mangfold i den svenske skolen etter at de gjorde sine endringer i lovverket: Skoletilbudet, både offentlig og privat, blir pedagogisk stadig likere. Elevenes skoleresultater har ikke blitt målbart bedre, snarere tvert imot. Kunnskapsnivået er redusert de siste 15 årene i Sverige, mens karakternivået i skolen har steget – tydelig belegg for at konkurranse har bidratt til karakterinflasjon. Elever fra private grunnskoler presterer noe dårligere i videregående opplæring enn elever fra kommunale grunnskoler. Reformen er kostnadskrevende, og mye tyder på at flere elever i private skoler også øker kommunenes totale kostnader til utdanning. Dessuten har det ført til økt segregering, dvs. at elever på private skoler i gjennomsnitt har foreldre med høyere utdanning og høyere inntekt. Elever med utenlandsk bakgrunn er underrepresentert på de kommersielle private skolene. Det er ikke overraskende. Dette er ingen oppskrift vi bør følge. Vi bør satse på å styrke fellesskolen enda tydeligere fokus på lesing, skriving og regning, grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats. Vi skal hindre frafall og sikre at alle elever opplever mestring og at de er en del av fellesskapet. På den måten sikrer vi målene for norsk skole, og på den måten investerer vi i en framtid som må bygges på kunnskap, hvor vi i fellesskap løser de store utfordringene vi har sammen, både i verden og i Norge. Statsministeren brukte mer enn halvparten av sin tid i dag på terrorangrepet som rammet oss 22. juli. Det var betimelig. Jeg har lyst til å si at jeg er stolt av våre politiske ledere både i posisjon og i opposisjon for at de var operative, tydelige som ledere, og at de sto sammen i krisen. Men jeg er mest stolt av det norske folk, som samlet seg på tvers og sto sammen mot grusomhetene. Regjeringen nedsatte kort tid etter 22. juli den såkalte 22. juli-kommisjonen. Kommisjonen skal gjøre et svært viktig arbeid. Men jeg er uenig med statsministeren på ett område, for slik jeg forsto statsministeren, mente han at det var viktig ikke å konkludere med noe før kommisjonens rapport var ferdig, bortsett fra det regjeringen selvfølgelig allerede har valgt å konkludere med – som vi sannsynligvis får høre mer om denne uken i forbindelse med ressurser til både politiet og politihelikopter. Saken er altfor viktig til at vi kan la den ligge i ett år. Den neste hevnlystne terroristen kan lure bak neste hjørne, og det er avgjørende at vi tetter sikkerhets- og beredskapshull fortløpende. Derfor må ikke Stortinget akseptere å bli passivisert mens en venter på regjeringens egen evaluering. Det er i en tid som denne vi må tillate oss å handle for å forebygge fremtidige hendelser og sikre bedre beredskap og sikkerhet hvis det skulle ramme oss på nytt. Noen mener at regjeringens vente-og-se-holdning skyldes frykten for at noen skal bli gjort ansvarlig for det som skjedde 22. juli. Derfor understreker jeg det selvfølgelige i at det kun er én som er ansvarlig for terrorangrepet, og han sitter bak lås og slå. Samtidig kan ingen ansvarlig politiker se bort fra det løpende politiske ansvaret vi har for å sikre politi og sivil beredskap rammevilkår som er forsvarlige og så gode som vi ønsker. Det er et løpende ansvar for regjeringen å sikre ressurser til forebygging, avdekking og handlekraft for å sikre borgerne mot terror. Det er et løpende ansvar for regjeringen å sikre en tilfredsstillende beredskap i form av utstyr og trenet mannskap i tråd med Stortingets forutsetninger. Hele poenget med sivil beredskap er å være i stand til å håndtere en krise når den kommer. Beredskapen må være på plass før krisen kommer. Det hjelper lite i ettertid å finne ut at en burde prioritert beredskap høyere. Sivilforsvaret er som kjent under omstilling, og i St.meld. nr. 22 for 2007–2008 delte et enstemmig storting regjeringens syn i forhold til hovedretningen i omstillingen og ikke minst behovet for investeringer på da Siden Stortinget ga sin tilslutning har regjeringen foreslått i beste fall 15 mill. kr til formålet. Terroren som rammet oss ville ikke vært hindret om Sivilforsvaret hadde fått de tiltrengte ressursene, men deres effektivitet og mulighet til å bidra ville vært langt sterkere. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, og de har i flere omganger hatt anledning til å støtte Fremskrittspartiets forslag om å bevilge disse pengene, 162 mill. kr over to år, men de har isteden valgt å følge egen regjerings forslag om fortsatt nedprioritering av den sivile beredskapen. Det var en feilvurdering. Dersom Fremskrittspartiets forslag var blitt vedtatt, ville Sivilforsvarets beredskap gjort dem langt bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner, ikke bare i form av terror, også i form av ulykker, oljeutslipp, akutt forurensning, store branner o.l. Det er mange som fortsatt undervurderer Sivilforsvarets rolle i kriser og ulykker. Men Sivilforsvarets rolle er svært sentral både i dagens og fremtidens beredskapstenkning, og Sivilforsvaret spilte en sentral rolle under og etter krisen 22. juli. Det er faktisk ene og alene et politisk ansvar når kapasiteten til Sivilforsvaret svekkes på grunn av for dårlig utstyr og for lite midler til å øve. Ressurssituasjonen til Sivilforsvaret kommer ikke som noen overraskelse etter 22. juli. Det er en bevisst nedprioritering av den samlede sivile beredskapen. Til slutt vil jeg si et par ord om PST, for det har vært rettet ganske sterk kritikk mot PST i etterkant av terrorhandlingene. Hovedårsaken til kritikken synes å være uprofesjonell mediehåndtering etter hendelsene og ubetenksomme uttalelser, i tillegg til at mange har forventet at PST faktisk var i stand til å avdekke denne typen forhold før terroren faktisk rammer oss. PSTs fremste aktiva er tillit. Denne tilliten må forvaltes nøye og ikke skusles bort gjennom ubetenksomhet eller forsøk på å unnskylde seg når det skjer ting mange mener PST burde oppdaget. et politisk ansvar å sikre at PST ivaretar sitt viktigste aktiva på en best mulig måte og sikre rammevilkår og ledelse i tråd med det behovet tjenesten har. Heller ikke det er et spørsmål som kan hvile til 22. juli-kommisjonen har gjort ferdig sitt Da jeg sist uke kunne fortelle mine venner i det britiske arbeiderpartiet at arbeidsledigheten i Norge var på 2,7 pst. i august måned, trodde de knapt det de hørte. Vi må tilbake til etterkrigstida for å finne så lave ledighetstall der. I Storbritannia øker arbeidsledigheten nå kraftig etter at den liberalkonservative regjeringen tok sete. Hver måned blir nye titusener nødt til å gå den tunge gangen til trygdekontoret eller sosialkontoret for å hente penger til livets opphold. Cameron-regjeringens brutale nedskjæringspolitikk rammer nå også politi, skole og helsevesen. Resepten er den samme i alle gjeldstyngede land, dramatiske kutt i offentlige budsjetter og velferdstilbud. Dermed øker ledigheten, ikke bare i offentlig sektor, men også i privat sektor, for mange private virksomheter er også avhengige av et høyt offentlig forbruk. Det eneste som øker i britisk økonomi for tida, er utbetalingene til de arbeidsledige. Særlig ille er det for de unge som møter stengte dører den dagen de melder seg på arbeidsmarkedet. I Storbritannia er ungdomsledigheten nå på over 20 pst. I Spania er annenhver ungdom uten arbeid. Slik er det i mange land. Ungdomsledigheten er som en trykkoker. Den truer stabiliteten i mange samfunn. Vi så det i Storbritannia denne sommeren da ungdom løp ut i gatene og herjet vilt. Vi har sett det samme i Frankrike før. Dette er prisen for det og selv om vi har oljeformuen å flyte på og derfor er i en annen økonomisk situasjon, er det noen her i landet som også tror det er mulig å bevilge seg ut av alle problemer samtidig som vi kan senke skattene. Norge er jo motstykket til den utviklingen som nå preger Europa. holdt orden i eget hus, vi bruker ikke mer enn vi har råd til, vi har et høyt fellesforbruk, gode velferdsordninger og tilnærmet full sysselsetting. Vi har høy yrkesdeltakelse og svært produktiv arbeidskraft, men vi leser faresignalene. Vi vet av erfaring at høy rente, høy kronekurs og sviktende eksportmarkeder er en farlig kombinasjon, som lett slår inn over vår utadvendte økonomi. Derfor er det så viktig at vi fortsatt holder orden i økonomien. Siden regjeringsskiftet i 2005 er det skapt 250 000 nye arbeidsplasser her i landet – tre av fire i privat sektor. Også neste år vil sysselsettingen øke, særlig innen pleie og omsorg, bygg og anlegg og offshorenæringen. Dette er resultatet av en bevisst politikk for arbeid og verdiskaping, der trygghet for arbeid er en kjerneverdi. Nettopp fordi høy sysselsetting og verdiskaping er grunnlaget for vår velferd, er det så viktig å trekke nye grupper inn i arbeidsmarkedet. Allerede ser vi tegn til at flere nå fortsetter å arbeide etter at de har tatt ut pensjon. Regjeringen har lagt fram forslag til en uførereform som skal gjøre det enklere å pendle mellom trygd og arbeid etter evne og mulighet. Men da må vi også utvikle et arbeidsmarked som gir arbeidsmuligheter for mennesker som ikke har full arbeidsevne til enhver tid. Sammenhengen mellom arbeid og verdiskaping kan belyses med følgende eksempel: Om den gjennomsnittlige pensjonsalderen her i landet øker med seks måneder, reduseres de årlige pensjonsutgiftene med 12 mrd. kr, men øker med dobbelt så mye. Og da har vi altså ikke satt noen økonomisk verdi på arbeidsplassenes sosiale betydning. Skritt for skritt skal vi utvikle arbeidslivet og arbeidsmiljøet. Stortingsmeldingen om et godt og anstendig arbeidsliv er et vesentlig bidrag til dette. Regjeringen vil sikre og styrke arbeidstakernes rettigheter i den norske velferdsmodellen og det nære samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, som har gjort det mulig å skape den veksten vi har vært vitne til. Det betyr naturligvis ikke at det er full enighet om alle spørsmål. Fram mot stortingsvalget i 2013 skal vi nok få erfare at det står strid om tiltak og virkemidler i arbeidslivspolitikken. Vi har sett det lenge i kampen mot norsk arbeidslivs alvorligste problem,

helt tragisk og uvirkelig tid for oss alle. Det som skjedde 22. juli, satte alt annet i skyggen, og det var krevende å motivere seg for valgkamp. Men for demokratiet sin del var det viktig å gjennomføre det. Som møring er det godt å kunne konstatere at Arbeiderpartiet Øverst på Arbeiderpartiets prioriteringsliste står arbeid til alle. Da er det en seier i seg selv å kunne konstatere at det er skapt hele 60 000 nye arbeidsplasser bare på Vestlandet siden 2005. De fleste har kommet i privat sektor. Driftige mennesker og dyktige arbeidstakere har evnet å ta i bruk mulighetene som markedene har gitt. har med en trygg økonomisk styring, en aktiv næringspolitikk, gode rammevilkår og en ambisiøs forenklingspolitikk lagt til rette for dette. Fra næringslivet får vi entydige signaler om at de trenger flere ansatte. De rekrutterer en stor andel arbeidstakere fra bl.a. Øst-Europa. De er til stor hjelp. Men blir de satt pris på? Mange blir tatt godt imot, men dessverre opplever noen å bli grovt Erfaringene har vist at de dårlige forholdene i stor grad har vært innenfor bygg- og anleggssektoren. Fagbevegelsen har derfor spilt en viktig rolle for å bedre dette, og regjeringen har levert en rekke tiltak mot sosial dumping. Tilgang til trygge arbeidsplasser, gode arbeidsvilkår og maktbalanse i arbeidslivet er viktig for Arbeiderpartiet. Det er nettopp derfor vi er Arbeiderpartiet. Vi har vist dette gjennom å stoppe høyresidens svekking av arbeidstakernes rettigheter. I valgkampen var jeg på NHOs Småting i Trondheim. Der slo Høyres byråd i Bergen, Monica Mæland, fast at «Vi i Høyre er for alt LO er imot». Og jeg tror hun faktisk langt på vei har rett. For med Høyre vil mange arbeidstakere trolig få svakere stillingsvern, lengre arbeidsdager og mindre overtidsbetaling. Vi vil få flere midlertidige ansettelser og oppleve en nedleggelse av kampen mot sosial dumping. En slik arbeidspolitikk er å skru klokka tilbake i tid. Våre konkurranseutsatte næringer skal styrkes gjennom en økonomisk ansvarlig politikk og hindre en kronekurs Ikke minst er det viktig i lys av gjeldskrisen vi nå ser ute i verden. Her er Stoltenberg-regjeringen til å stole på. Fremskrittspartiets økonomiske politikk, der økt pengebruk til alle gode formål skal hentes fra oljefondet, vil i seg selv gi tusenvis av industriarbeidere langs kysten vår økt usikkerhet, gjennom styrket kronekurs og dyrere varer å selge. Jeg setter pris på at statsministeren og næringsministeren gjennom god dialog med at de er viktige medspillere for næringsløftet i vest. Nylig besøkte jeg en bedrift i Nesset. Daglig leder beskrev hva rapporteringskravene til offentligheten tok av tid og krefter. Han beskrev en krevende arbeidshverdag med innrapporteringer og hyppige frister, noe som både kan ta nattesøvnen fra en og bidra til høyt stressnivå. Det var derfor godt å kunne peke på at der tidligere regjeringer har pratet, handler vi. Et forslag om felles innrapporteringsløsning for arbeidsgiveres rapportering til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå er nå ute på høring. Dette kommer i tillegg til fjerningen av revisjonsplikt for småbedrifter, senket krav til å stifte aksjeselskap og konkrete måltall for forenklinger tilsvarende 10 mrd. kr innen 2015. NHO-sjef John G. Bernander er dem som har rost regjeringen i kraftige ordelag for dette. Til slutt vil jeg si at om vi aldri så mye har sittet på vår grønne grein gjennom finanskrisen, må vi være forberedt på at markeder vil kunne stupe, og at gjeldskrisen ute i verden kan slå kaldt inn over oss. Da trengs stø kurs og klok styring av den økonomiske politikken, slik vår regjering har vist gjennom Det siste vi trenger, er usikkerhet om hvorvidt milliardstrøerne i Fremskrittspartiet skal få hånden på rattet etter et eventuelt regjeringsskifte i 2013, en usikkerhet Siv Jensen og Erna Solberg senest i dag tidlig bidro til i norsk Politisk kvarter – NRKs Politisk kvarter, sorry. Ja, det er en viss forskjell. Mange land gjennomlever svært turbulente økonomiske tider. Skal norsk næringsliv lykkes, forutsetter det eksportbedrifter som får avsetning for sine varer til priser som gir positiv bunnlinje. Da kan det ikke understrekes nok hvor viktig det er å skape trygghet ved å investere i kunnskap Det er Høyres store bekymring at regjeringen ikke bruker det handlingsrommet vi har, til å gjøre de riktige tingene. Det er nå vi må kraftsatse på lærerne som den viktigste enkeltfaktoren for å skape et utdanningstilbud av ypperste klasse. Det er nå vi må satse på forskning som såkorn for det ufødte næringsliv i alle deler av landet, nordområdene inkludert. Høyre har gjentatte ganger utfordret regjeringen og etterlyst offensive tiltak for at kunnskapspolitikken kan bygge større konkurransekraft og være en drivkraft for ny næring og nye arbeidsplasser som skal trygge velferden for kommende generasjoner. Det gjorde inntrykk på Høyre da statsministeren i en nyttårstale for noen år siden slo fast: «Kunnskap trumfer alt.» Problemet er jo at handling ikke fulgte ord. Det har stadig flere velgere oppdaget. Årets valgresultat er derfor ikke et rop etter mer rød-grønn politikk og med rød-grønn skolepolitikk, tvert imot. Det kan være tungt for rød-grønne representanter å innse. Mange velgere har i store og små kommuner pekt på Høyre som det beste partiet for å sikre at skole- og utdanningspolitikk gis høyeste prioritet, og at vi som land skal være i stand til å konkurrere internasjonalt. Høyre opplever nå vedvarende fremgang og stor tilslutning til en skole- og utdanningspolitikk med kunnskap og kvalitet i alle ledd i utdanningskjeden. Målet er høyt kvalifiserte lærere og en skole som møter alle elever med høyere forventninger. Uavhengig av bakgrunn skal elevene få mulighet til å utnytte sine evner og talenter. Gode grunnleggende ferdigheter er døråpnere til senere utdanning og jobbkarriere. Hvis kunnskapsministeren og regjeringen mener at humankapitalen er viktigst her i landet, må man investere i den. Men her svikter det. Årets trontale er en ny bekreftelse, for kunnskapspolitikk må sies å være bortimot fraværende – det til tross for at den samme trontalen peker på en serie utfordringer innenfor basisnæringer – for ikke å nevne klimautfordringene, som bare kan løses gjennom økt satsing på kunnskap og forskning. At skolepolitikk engasjerer, gjenspeiler ikke minst den valgkampen vi nettopp har lagt bak oss. Valgresultatet har gitt Høyre mer enn 2 000 lokalpolitikere med et klart mandat om mer Høyre-politikk i skolen. Høyre har klare visjoner for skolen, noe norske velgere tydeligvis verdsetter. Vi må tørre å sette oss høye og djerve mål også i skolen. Derfor har Høyre formulert hva vi mener bør være visjonene for den norske skolen fram mot 2030: skal rekrutteres blant de 25 pst. beste elevene fra videregående skole. Læreryrket skal være blant de mest populære fremtidsønsker for 15-åringer. Lærere skal kunne gjøre karriere i klasserommet og bli spesialister, med økt ansvar og lønn. Læreryrket skal være et yrke med høy status i det norske samfunnet, og norske elever skal ikke lenger være avhengig av flaks for å få den gode læreren og god undervisning. Slike visjoner forplikter. Men vi kan heller ikke ha lavere politiske ambisjoner enn dette. Det skylder vi våre barn og unge. Høyre har lenge snakket varmt om læreren. Det akter vi å fortsette med. Læreren er skolens aller viktigste ressurs. Vi trenger faglig sterke, trygge og kompetente lærere til å undervise en stadig mer mangfoldig elevflokk. I dag råder tilfeldighetene for mye når det gjelder om elevene får en god eller en dårlig lærer. Gode lærere løfter alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn. Når vi vet at elever med gode lærere utvikler seg tre ganger så raskt faglig som elever med dårlige lærere, så kan vi ikke la dette sjansespillet fortsette. Derfor må vi trappe opp satsingen på etter- og videreutdanning, og vi må skjerpe kravene for å komme inn på lærerutdanningen. De beste elevene må også bli fremtidens beste og mest velkvalifiserte lærere. Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft må bygges nedenfra. Første byggestein er en aktiv skolepolitikk, men det krever også at vi interesserer oss for seksåringene før skolestart, slik at alle ungene med de beste forutsetningene den dagen de går inn
vore gjennom ein valkamp der grunnleggjande velferdstenester i kommunane – eller mangelen på dei – har vore eit sentralt tema. No er dette dessverre ikkje den første valkampen der velferdstenester som eldreomsorg, helse og skule og kommuneøkonomi har vore eit sentralt tema. Dessverre er det ingenting som tyder på at det ikkje kjem til å bli eit tema i framtidige val heller. Dei raud-grøne partia og regjeringa hevdar, både på innpust og på utpust, at kommunane har fått styrkt økonomi, og at også 2011-budsjettet har gitt auka økonomisk handlekraft for kommunane. No er det slik at om ein reiser rundt i ein at det er ikkje slik kommunane opplever det. Det er ikkje slik dei folkevalde i kommunane og dei tilsette i kommuneadministrasjonen opplever det. Det er altså lite som tyder på styrkt kommuneøkonomi, sett frå kommunane si side. Det er riktignok auka overføringar i kroner til kommunane – inntekter – det er det ingen tvil om. Men så er det altså slik at ting blir dyrare. Kommunane får stadig nye oppgåver frå staten, utan at desse er fullfinansierte. Det er også strengare krav til kommunale tenester som blir vedtekne av Stortinget. Det er også auka forventningar blant innbyggjarane som gjer at det kostar meir å levere tenestene. Det er også ein sterk befolkningsauke i Kommune-Noreg, dei siste tolv månadene er det blitt ca 62 000 fleire innbyggjarar i Kommune-Noreg. Det er ein auke på 1,3 pst. Det gjer sjølvsagt at det er fleire å yte tenester til. I tillegg har ein altså ei aldrande befolkning, som gjer at det er fleire som treng omsorg etter kvart som befolkningsalderen aukar. KOSTRA, viser at 203 kommunar hadde eit dårlegare netto driftsresultat i 2010 enn det dei hadde i 2007. I tillegg viser gjennomgangen at 257 av våre 430 kommunar hadde eit netto driftsresultat som er lågare enn den anbefalte minstenorma på 3 pst. Her er det litt spesielle: Sjølv om rekneskapsteknisk har eit overskot på kommunebudsjettet, treng ikkje det bety at dei går i pluss reelt sett. Det kjem sjølvsagt av at kommunane ikkje har avskriving. Derimot har dei lån som driftskostnad. Men dei har ikkje avskriving, og det gjer at tala ikkje er reelle. Dersom kommunane skulle gått over til alminnelege rekneskapsreglar, ville det betydd at dei aller fleste kommunane hadde fått eit negativt driftsresultat.

frå 277 i 2007. I 2007 var det 55 kommunar som hadde eigedomsskatt i heile kommunen. No er det nesten tredobla – til 145 kommunar som har eigedomsskatt i heile kommunen. Det at stadig fleire er eit klart uttrykk for den dårlege kommunale økonomien som mange kommunar opplever på kroppen. Det er derfor heilt klart at kommunane treng meir pengar. Også ved behandlinga av førre statsbudsjett gjekk Framstegspartiet inn for å tilføre meir pengar til kommunane. Og viss lekkasjane no er riktige, ligg det openbert an til at Framstegspartiet er nøydt til å føreslå nye overføringar, plusse på det som regjeringa legg fram for Stortinget, for å halde oppe eit godt velferdsnivå i kommunane. Det må vi uansett kome tilbake Det er altså ikkje riktig, slik det blir hevda av regjeringa, at kommunane har ein god økonomi. Kommune-Noreg opplever ein stram økonomi – på mange måtar ei sveltefôring av kommuneøkonomien. Verden er av gjeldskrise, klimakrise, matvarekrise og finanskrise. Dette er kriser som henger sammen. Vi ser arbeidsløshet og mistillit. I land etter land tar folk til gatene i protest mot usosiale kutt. Folk er rasende. Ekstra rasende er de fordi de opplever at de rikeste går fri for alle kutt, og til og med blir rikere – også de som har forårsaket problemene i første omgang. I USA er Wall Street okkupert av illsinte demonstranter som krever mer rettferdighet, trygghet og frihet, på bekostning av La oss håpe at USA også vil slutte seg til rekken av land som nå ønsker seg en skatt på finanstransaksjoner, noe som ville være et viktig bidrag til økt rettferdighet og mindre spekulasjon. Vi i SV stiller oss helt og fullt bak det initiativet som er tatt i EU når det gjelder dette. Det er grunn til å tenke nytt på helt grunnleggende måter for å forhindre at nye kriser oppstår, og for å bøte på skadene fra de forrige. Vi trenger systemdebatt, og vi trenger den mer enn noen gang. Noe av det vi i SV er stoltest av å ha oppnådd etter seks år i regjering, er følgende: Etter over 20 år med økende klasseskiller i Norge har forskjellene endelig begynt å minke. Dette er viktig, fordi økende skiller truer fellesskapsfølelsen, tilliten og samholdet. Økte skiller gir dårligere helse for alle, mer kriminalitet og mindre oppslutning om fellesskapsløsninger. Og det blir flere fattige når klasseskillene øker, rett og slett fordi fattigdommen er relativ. Regjeringa har nettopp lagt fram en fordelingsmelding som slår fast at forskjellene i Norge skal fortsette å minke. I tillegg skal vi gjøre mer for å bekjempe fattigdommen – ikke minst blant barn. Mye av det vi har gjort innen barnehagepolitikken, integrering og skole, vil bidra til å bekjempe fattigdom på lengre sikt. Barnehagenes betydning for utjamning og sosial mobilitet er nå veldokumentert. Derfor fjerner vi kontantstøtten for toåringer, som er betaling for å la være å bruke barnehagene. Men vi må også gjøre mer for å gjøre det lettere for dem som har dårlig økonomi i dag. Aktivitetsstøtte som gir fattige barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, er viktig, gratis kjernetid i barnehagene likeså – og heldagsskole. Vi må også sikre at kommunene følger lov om sosiale tjenester, og at barnas situasjon blir ivaretatt. SV vil fortsatt jobbe for nasjonale normer for sosialhjelpen, og vi vil ha en diskusjon om hvordan barnetrygden kan bli et bedre virkemiddel. Klimakrisen handler dypest sett om måten vi lever på og måten vi har organisert økonomien på. Vi må gjennom grunnleggende forandringer. Vi må dele mer på godene – nasjonalt som internasjonalt. I Norge må vi ta ansvar for egne utslipp. Neste år skal vi legge fram en klimamelding. Den skal og må bli offensiv. Verdens rikeste land må vise at det er mulig å kombinere høy grad av velferd med en klimapolitikk som ivaretar hensynet til barn og barnebarn. Generasjonskontrakten må innfris: Vi skal ikke ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner, men overlate jorda i bedre stand enn vi overtok den fra våre foreldre. Det betyr tøffe omstillinger og nye muligheter. Vår regjering har sluttet seg til 2-gradersmålet. Vi arbeider for en ambisiøs internasjonal klimaavtale. Vi ønsker så store kutt i utslipp av klimagasser at vi unngår de farligste klimaendringene. Veien dit er dessverre urovekkende lang. Desto viktigere er det at enkeltland går foran og viser verden at dette er mulig. I en situasjon der vi har ambisiøse norske klimamål som vi skal innfri, vil det være viktig å sikre avbøtende tiltak både for innbyggerne og for norsk industri. SV jobber for et klimafond som kan kompensere for lave kvotepriser i EU og sette fart på omstillingene i industrien, slik at vi blir både mer miljøvennlige og mer Vi vil ha en mer offensiv energisparepolitikk og tilskudd til husholdningene, kombinert med bedre kollektivtransport og tiltak som gir både bedre luft, bedre framkommelighet og bedre trafikksikkerhet i byområdene. Vi vil at det skal være langt billigere å kjøpe lavutslippsbiler enn å kjøpe biler med høye utslipp. Det Dette handler grunnleggende sett om at vi må velge hvordan vi skal forholde oss til egne barn og barnebarn. Skal vi måtte si til dem at ja, vi visste at det var farlige klimaendringer på gang, men vi lot være å gjøre noe særlig med det? Eller skal vi si: Da jeg var ung, fryktet vi farlige klimaendringer som kunne skade hele jordkloden, så vi ordnet opp. Dette valget får vi ikke mange ganger i livet. Nelson Mandela sa en gang: «Sometimes it falls upon a generation Klimasaken er den saken som virkelig vil bli testen på om vår generasjon er stor. Jeg er glad for at statsministeren og justisministeren så klart sier fra at de ikke vil vente på 22. juli-kommisjonen før de gjennomfører forbedringer, både når det gjelder beredskap, forebygging og mye annet. De har nevnt en rekke punkter her i dag. Det er viktig å være klar over at Arbeiderpartiet og AUF var skyteskiver den 22. juli. Vi ønsker å være offensive, ønsker å stå sammen med hele Stortinget – slik debatten her viser – om å gjøre de forbedringene vi trenger, på en riktig måte. En av grunnsteinene for hvordan vi skal gjøre det, er at vi greier å kombinere det at vi ikke vil la massemorderen tvinge oss til et mer lukket samfunn, med at vi ikke skal være naive. De hensynene trenger ikke å stå i motstrid til hverandre. Hvis man f.eks. ser på noe så konkret som det å få en raskere framdrift med hensyn til avklaring av hvilke gater i Oslo sentrum som av sikkerhetshensyn bør stenges for biltrafikk, er det i dag slik – som vi vet – at man kan kjøre rett forbi Stortinget med hvilken bil som helst, så å si. Det samme gjelder UD og slottet, og det samme gjaldt departementene. Det blir viktig at stat og kommune nå samarbeider om en raskere beslutningsprosess – en annen beslutningsprosess enn den vi hadde i tilfellet Grubbegata. Det trenger ikke bety en mer lukket by. Tvert imot kan flere gågater i sentrum på enkelte punkter gi et bedre bymiljø, mer tilgjengelighet for publikum og et mer trivelig bysentrum, hvis det utvikles et godt samarbeid om disse løsningene. Det samme mener jeg gjelder vurderingen av hvor departementene skal ligge i framtiden. Det skal selvsagt først gjøres en grundig analyse av bygningsmassen – hva man trenger for å få bygningsmassen til å stå som ordentlige bygg igjen, og om det er mulig. Det skal gjøres en analyse av sikkerheten. Vi må legge det til grunn. Men når det er sagt, mener jeg det er viktig for nærkontakten – det daglige samarbeidet mellom departementene, mellom departementene og Stortinget, innad i regjeringen, med organisasjoner og med samfunnet for øvrig – at departementene, hele den strukturen, er lokalisert nær hverandre. Samme hvor mange hjelpemidler vi har, og hvor mange nye ting det kommer på dette området, er det viktig å kunne treffes, kunne snakke sammen i et effektivt og nært system, hvor vi utvikler løsninger sammen. Det er også viktig for miljøet at alle de tusener som jobber i departementene og kan reise kollektivt til jobben med det kollektivtilbudet vi har i dag, som er spisset inn mot disse arbeidsplassene – T-bane, tog, buss, trikk osv., som bringer alle effektivt og miljøvennlig inn til Oslo sentrum. Dersom det så viser seg at det er mulig å beholde et samlet tilgjengelig miljø i Oslo sentrum, vil det, etter min mening, være det beste for landet, for Oslo som hovedstad og for brukerne. Vi unngår å få et bilde av at vi er presset til å gjennomføre tiltak som i utgangspunktet ikke var ønskelige. London, som har stått overfor store terrortrusler, har greid å holde departementene samlet sentralt i byen. Statsministeren sa også at vi må bli bedre til å følge med på alle tegn til ekstremisme. Et viktig tiltak her er det som justiskomiteen enstemmig gikk inn for da vi behandlet stortingsmeldingen om organisert kriminalitet før ferien, at det må bygges opp spesialkompetanse i politiet som kan gjennomføre både åpen og lukket patruljering på nettet, på samme måte som man patruljerer gaterommene og skaffer seg informasjon for å forebygge bedre, for å kunne angripe kriminaliteten på en bedre og mer forebyggende måte. Når det gjelder det siste, la regjeringen og justisministeren før jul 2010 fram en handlingsplan mot voldelig ekstremisme uansett ideologisk bakgrunn. Det avgjørende her er å bygge opp bevissthet, få alle miljøer som kan være kjent med hva som rører seg i en slik retning, til å være med på å forebygge, lage forebyggingsgrupper hvor politiet går i spissen sammen med skoler, fritidsklubber, frivillige organisasjoner osv. og bygger nettverk, foretar bekymringssamtaler med berørte og legger opp til et lokalt samarbeid for å ta tegn på grobunn for ekstremisme helt fra grunnen av og i tidligst mulig fase. Dette arbeidet henger sammen med å bygge opp et sterkt nærpoliti, et nærpoliti som kan ha enda bedre kontakt med folk, vite enda mer om hva som rører seg. Målet til Stortinget om å ha to politimenn per 1 000 innbyggere innen år 2020 er et felles mål som det er viktig at vi greier å stå sammen om og bygge opp om framover. Det vil skape bedre bomiljøer, et tryggere og mer åpent samfunn og ikke et mer lukket samfunn. Den veien er det mulig å gå også i denne situasjonen. Den reglementsmessige tiden for formiddagens møte er omme. Stortinget tar nå pause i behandlingen av sak nr. 1. Møtet blir satt igjen kl. 18. Møtet